Det var debatten rundt Fellesmarkedet i 1961 som vekket hans politiske engasjement og førte ham inn i lokal- og fylkespolitikken. På Stortinget markerte han seg sterkt i de store oljeutvinningsdebattene, der han vektla fiskeri- og naturressurser. Hans Hammond Rossbach var opptatt av å spare for framtidens generasjoner gjennom et lavere oljeutvinningstempo, og han talte varmt for en fordeling. Han advarte mot store inngrep i naturen og kjempet utrettelig for Altaelva og Mardalsfossen. Han gjorde en iherdig innsats for Kristiansunds fastlandsforbindelse. Hans sosiale engasjement var stort, og han var opptatt av å bedre forholdene i eldreomsorgen. Rossbach lyttet når folk delte sine erfaringer eller sine vurderinger med ham. Dette gjorde ham til en respektert Under sine år i Stortinget ble han stadig viktigere for partiet, først som medlem i landsstyret, deretter som nestleder, før han ble partiets leder i 1976 og fram til 1982. Han var parlamentarisk leder i tolv år i perioden 1973–1985. En av hans mest utfordrende oppgaver fikk han som leder av Venstres Utvalget presenterte en bred utredning som han håpet ville samle fraksjonene. Det lyktes ikke, men han arbeidet for forsoning og gjenforening. Han ble i tiden etter splittelsen av Venstre i 1972 i stor grad partiets klippe i nasjonalforsamlingen. Rossbach var utdannet sosialøkonom og tok opp igjen sin gjerning i skoleverket da han vendte tilbake til hjembyen. Han fortsatte å undervise i ved Atlanten videregående skole, men var også sensor og foreleser ved Bedriftsøkonomisk Institutt. Han viet samtidig mye av sin tid til etablering av et nasjonalt kystkultursenter i Vågen i Kristiansund. Vi takker Hans Hammond Rossbach for hans virke og lyser fred over hans minne.

Min opplevelse er at denne unike lærdommen er godt forankret blant flertallet av verdens ledere. I Europa er EU-samarbeidet en viktig sperre mot lettvinte handelshindringer, og at en nabo vender seg mot den andre. Dette skaper stabilitet, særlig for de nye medlemslandene. Presset for økt proteksjonisme smyger seg ofte fram, ofte i forkledning. Vi ser at den amerikanske kongressen, mot Obamas ønske, tar til orde for krav om å kjøpe amerikansk i forbindelse med tiltak for å styrke økonomien. Det vil være et alvorlig feilsteg. Det kan sette i gang en kjedereaksjon av konkurrerende proteksjonisme over hele verden. Med en åpen økonomi og sterkt avhengig av internasjonal handel vil Norge kunne rammes hardt av en slik utvikling. «Regjeringen vil derfor arbeide i alle relevante fora for å motvirke økt proteksjonisme.» Jeg fant ut at det var en god idé å begynne med det jeg mener er et godt avsnitt fra daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres utenrikspolitiske redegjørelse holdt 10. februar 2009. For det er ingen tvil om at den situasjonen man ser i verdensøkonomien og i europeisk økonomi, lett kan spore til økt proteksjonisme. Det var derfor med stor begeistring jeg, og mange med meg, kunne lese at daværende utenriksminister Gahr Støre under WTOs 8. ministerkonferanse i Genève i midten av desember i fjor undertegnet et kraftfullt opprop mot alle former for proteksjonisme. Det var ikke nok, mente de nærmere 50 utenriksministre som undertegnet oppropet, å vise til de generelle vedtakene man hadde gjort på WTOs ministerkonferanse, man ønsket ytterligere å forplikte seg i forhold til det. Det var et løfte om å bekjempe alle former for proteksjonisme. Man ønsket å forplikte seg til å avstå fra nye handelsbarrierer for varer og tjenester. Fra Høyres side deler vi denne bekymringa, og vi var glade for at regjeringa så klart og tydelig tok avstand fra proteksjonisme. Men det holder ikke å ta avstand fra proteksjonisme i erklæringer. Det holder heller ikke å komme med fine utsagn i utenrikspolitiske redegjørelser, og det holder ikke, som man gjorde i forbindelse med trontalen i år, å understreke at vi har det veldig bra i Norge, men at det er økonomisk ustabilitet, sosial uro og høy arbeidsledighet mange steder i Europa. Da må man også fra norsk side sette inn tiltak som bidrar til å løse den situasjonen.

i et Europa i krise og i en verden som trenger handel mer enn noensinne. Hvilket politisk signal sender det at vi som sitter her og har det godt i vår del av verden, ønsker å bygge opp handelsbarrierer og tollmurer mot andre land? Og ikke minst: Hvilket signal sender det i relasjon til de politiske erklæringene Norge har kommet med? Vi skulle så seint som i desember i fjor bekjempe all form for proteksjonisme og avstå fra å bygge opp ytterligere handelshindringer for varer og tjenester. Det som har skjedd i kjølvannet av tollsaken, har vært til dels sterke reaksjoner fra mange. I ingen av de reaksjonene er det lagt til grunn at Norge ikke har anledning til å gjøre det. Likevel ønsker jeg å understreke det som ofte kanskje glemmes i denne sal, nemlig at det er forskjell på jus og politikk. Selv om man reelt sett kan ha lov til å gjøre en ting og være innenfor regelverket, kan politikken og det politiske signalet slå veldig uheldig ut. Jusprofessor Fredrik Sejersted, som er mannen bak den store rapporten om Norges avtaler og forhold til EU, sier som så:

Nærmere 80 pst. av all vår eksport går til EU. Det er helt naturlig – det er våre nærmeste naboland. Men dette gjelder jo også regjeringas politikk med handel overfor andre land, som ligger lenger unna. La meg f.eks. nevne spørsmålet om kjøttimport fra afrikanske land. Dette har jo vært en diskusjon i lang tid. Fra 2002 innførte Norge toll- og kvotefrihet på varer fra verdens fattigste land. Tanken var å åpne våre markeder for varer som det var mulig å produsere i fattigere land, og på den måten stimulere økonomien i fattige land. Vi hadde, og har, mange avtaler med mange land, men så viser det seg at så fort volumet på eksporten av kjøttvarer til Norge når et visst nivå – faktisk det nivået der det er mulig for landene som eksporterer, å tjene penger og bygge opp økonomien – sier Norge stopp. Det er ingen som betviler at Norge har anledning til det innenfor regelverket. Det står for så vidt Norge fritt å vurdere hvor stor import vi vil ha. Det er det da heller ingen som betviler. Spørsmålet er hvilket politisk signal det sender at vi – et av verdens rikeste land – så fort eksporten fra fattige land når et volum som gjør at intensjonene bak den handelen, nemlig å stable en økonomi på beina, blir oppfylt, stenger Norge portene. Så seint som i juni i år la regjeringa fram en egen strategi for landbruk i Afrika, og tanken bak den strategien er etter min oppfatning god. Tanken med strategien er å sørge for at man får mer, et større potensial, ut av landbruk i fattige land. Ikke bare skulle man tenke på de tradisjonelle landbruksvarene, det var også viktig å tenke stordrift, ifølge regjeringas strategi. Dette var altså i juni i år. Problemet er bare at de landene som har landbruksvarer å eksportere, når taket – eller møter veggen – i Norge så fort volumet er av en viss Da utenriksminister Jonas Gahr Støre i desember undertegnet erklæringa sammen med mange andre utenriksministre i Verdens handelsorganisasjon, må jo tanken ha vært at Norge skulle innføre noen konkrete tiltak for å følge opp nettopp den intensjonen. En intensjonserklæring på et papir holder som kjent ikke så veldig lenge, dersom politikken ikke følger etter. etter. Bakgrunnen for at jeg reiser dette spørsmålet nå, er ikke bare tollsaken som den ligger, og de reaksjonene den har skapt, men det større handelspolitiske bildet av hvordan Norge agerer i handel med andre land. Jeg har vært inne på spørsmålet om landbruksvarer fra fattige afrikanske land. Men det handler også om importen, særlig av ost, fra EU – det er jo særlig EU som er markedet vi importerer ost fra hvilket politisk signal det sender, og ikke minst frykten for at det kan skape motreaksjoner. Jeg har sett flere steder at representanter for regjeringa mener at det er opposisjonen i Det norske storting som setter EU på ideen om at de kan komme med mottiltak. Med all respekt for opposisjonen på Stortinget – som jeg sjølsagt har dyp respekt for – så tror jeg faktisk at EU sjøl kom på tanken at dette kunne skape motreaksjoner. Det er ikke fordi EU er en irrasjonell aktør, men det er fordi EU også innenfor regelverket har anledning til å komme med mottiltak på sektorer som har stor betydning for Norge, som f.eks. fiskeri og havbruk. Etter min oppfatning – på samme måte som det sett fra vårt ståsted ville være uklokt – tror jeg nok også EU ser på det som relativt uklokt at Norge har innført strengere regler for toll. Representanten Eriksen Søreide tar opp et meget relevant tema i en tid da Europa er

og tiltak som stimulerer til aktivitet. Én problemstilling som er mindre i fokus – heldigvis – er tiltak for å begrense internasjonal handel. Hovedårsaken er at vi i dag har et globalt rammeverk. Dette har vært en effektiv buffer mot ukontrollert proteksjonisme. Som interpellanten nevnte: Generasjonene før oss har fått erfare hva som kan skje i en verden uten robuste spilleregler, uten robuste spilleregler, uten gode arenaer for samarbeid og uten mekanismer for å løse konflikter. Allerede før annen verdenskrig var over, ble det igangsatt et arbeid med en ny, global samarbeidsarkitektur. På handelsområdet kom Generalavtalen for toll og handel, GATT, på plass i 1947. Siden den gang er GATT videreutviklet til Verdens handelsorganisasjon, med 157 medlemmer som representerer I snart 65 år har dette regimet bidratt til å forebygge og forhindre at handelskonflikter kommer ut av kontroll. Knapt noen gang tidligere har dette regimet blitt utsatt for en tøffere test enn i løpet av de siste årene. En fersk rapport fra WTO viser at det siden 2008 er innført restriktive tiltak av ulik art som berører omkring 3 pst. av verdenshandelen. Dette er bekymringsfullt, men gitt er det aller viktigste at verdenssamfunnet så langt har vært i stand til å forhindre en ukontrollert eskalering i proteksjonistisk retning. Handelsregimet har med andre ord så langt bestått testen. Samtidig ville en utvidet WTO-avtale, en avslutning av Doha-runden, være av stor betydning i møte med de globale økonomiske utfordringene. Det har Norge jobbet aktivt for, men dessverre er utsiktene dårlige. Verden har Endrede handelspolitiske maktforhold, en stadig mer kompleks dagsorden og vedvarende uenighet mellom de handelspolitiske stormaktene – nye som gamle – gjør at utsiktene dessverre er dårlige. Like fullt er WTO viktig, ikke minst som bolverk mot økonomisk nasjonalisme, proteksjonisme, i krisetider. Det økende antallet nye medlemmer i WTO, Kina og Russland bl.a., har økt organisasjonens betydning i så måte. måte. Igjen er Norge et aktivt medlem, både som støttespiller og som bruker av WTOs tvistemekanismer – panelordningen – i konkrete handelspolitiske konflikter. WTO var samlet til ministermøte i desember i fjor. Oppmerksomheten var rettet mot den økonomiske situasjonen og WTOs rolle i den sammenheng. Det var heller ikke da mulig å se slutten på Doha-runden. Men til tross for det turbulente bakteppet ble medlemslandene enige om en politisk erklæring. Den understreket betydningen av det multilaterale handelssystemet, betydningen for økonomisk vekst, sysselsetting og utvikling, og den pekte på WTOs sentrale rolle i kampen mot proteksjonisme. I tillegg sluttet Norge seg til en gruppe av 49 land som støttet et opprop med sterke advarsler mot å ty til proteksjonistiske tiltak i en vanskelig økonomisk tid. Oppropet inneholder en forpliktelse om å avstå fra å innføre nye barrierer mot handel med varer og tjenester.

Interpellanten spør hva regjeringen har gjort for å følge opp dette oppropet. Svaret følger av det jeg har pekt på: Vårt viktigste vern mot proteksjonisme er det globale handelsregimet forankret i WTO. Det viktigste vi kan gjøre, er å støtte opp om, videreutvikle og styrke dette regimet. Dette arbeidet prioriterer regjeringen høyt. WTO har de senere årene vært oppfattet nær sagt som synonymt med Doha-forhandlingene. Den ordinære virksomheten i organisasjonen har fått mindre oppmerksomhet. Krisen har imidlertid løftet fram selve regelverkets egenverdi. WTOs betydning som forsvarsverk mot proteksjonisme – uavhengig av Doha-runden – er igjen kommet i forgrunnen. Det er bra. Det har nå gått over et tiår siden verdens nest største økonomi, Kina, ble med i WTO. Det er liten tvil om at det faktum at vestlige land i økonomisk tilbakegang og Kina er

Vi følger aktivt opp andre lands etterlevelse av regelverket. Vi tar jevnlig opp konkrete problemer som norske eksportører møter i andre land. Vi passer også på å etterleve regelverket selv, og det er ikke aktuelt for regjeringen å gå ut over våre handelspolitiske forpliktelser. For eksempel er forslaget til omlegging til prosenttoll for enkelte landbruksvarer en mulighet som vi har innenfor rammen av våre forpliktelser i WTO. Vi har selvfølgelig vurdert dette spørsmålet i lys av våre overordnede handelspolitiske interesser, noe jeg pekte på i flere innlegg i Stortinget i forrige uke. Jeg bare minner om at argumentet da, som nå, er at vi gikk fra kronetoll til prosenttoll fordi den faste kronetollen på seks konkrete tollinjer hadde gitt stadig mindre beskyttelse fordi kroneverdien var lik, så det var ikke en konstant, men en fallende beskyttelse, og det nærmet seg en situasjon hvor disse produktene ville bli utkonkurrert av oster fra EU. Vi korrigerte det ved å bruke den retten vi har til å gå fra kronetoll til prosenttoll. Norge står i fremste rekke når det gjelder åpenhet – om hvilke regler som gjelder i Norge – og i det å stille oss åpen for en kritisk gjennomgang av Vi deltar også aktivt i drøftelser om hvordan det daglige arbeidet i organisasjonen kan forbedres og effektiviseres. At Norges ambassadør til WTO nå innehar vervet som leder for WTOs hovedråd, viser at vi nyter stor respekt i organisasjonens arbeid. Norge har i noen få tilfeller gått til det skritt å benytte seg av WTOs tvisteløsningssystem. Dette systemet er avgjørende for regelverkets gjennomslagskraft. Vi deltar også aktivt som såkalt tredjepart i en rekke tvistesaker – ikke nødvendigvis fordi vi tar parti for en av partene, men fordi vi har interesse av at regelfortolkningen skjer på en riktig måte, og at tvisteløsningssystemet fungerer effektivt. Vedlikehold er ikke tilstrekkelig for at systemet skal fortsette å være relevant i en verden i utvikling. Derfor er det svært uheldig at Doha-runden har stoppet opp. Systemet må utvikles videre – ikke minst for å bli et bedre instrument for å støtte utviklingslandenes integrasjon i verdensøkonomien. Norge har etter mitt syn vært en konstruktiv aktør i Doha-forhandlingene – både for å ivareta våre egne interesser og for å støtte utviklingslandenes interesser, og da særlig de aller fattigste landene. Nettopp fordi vi verdsetter systemet så høyt, har Norge hele tiden engasjert seg for å finne løsninger, både på områder der vi har offensive interesser, på områder der vi har defensive interesser, og der vi ikke har noen direkte interesser. Til tross for vår relativt begrensede betydning i verdensøkonomien ser vi at Norge blir invitert med i sentrale drøftelser og diskusjoner, nettopp fordi vi er en respektert bidragsyter. Det skal vi fortsette å være. Regjeringen bidrar også til å motvirke proteksjonisme ved å redusere handelsbarrierer på andre måter enn gjennom WTO. Ett eksempel er forhandlinger om frihandelsavtaler gjennom EFTA som innebærer reduksjon av handelsbarrierer for både varer og tjenester. Et annet eksempel er de forbedringene regjeringen har foreslått i den såkalte GSP-ordningen, som innebærer at utviklingslandene vil få bedre adgang til det norske markedet for både industrivarer og en rekke landbruksvarer. Som en følge av dette vil bl.a. 29 land i gruppen av lavere mellominntektsland få tollfrihet for alle industrivarer, tollfrihet for ytterligere 51 tollinjer på landbruksområdet og 50 pst. tollreduksjon på ytterligere 15 landbruksvarer. For å konkludere: Norges økonomi har vært, er, og vil fortsatt være åpen mot omverdenen. Vi arbeider aktivt for friere handel. I vår utenriks- og handelspolitikk vil vi fortsette å arbeide sammen med land som deler våre syn, for å forhindre en proteksjonistisk utvikling. Her står det daglige arbeidet for å bevare, styrke og fremme det regelbaserte, globale handelssystemet forankret i WTO helt sentralt.

Nå vil den tollsatsen bli på mellom 233 og 277 pst. Det er en relativt vesentlig økning. Jeg vil nok gå så langt som å kalle det mer enn en justering, det er en stor økning. På biff blir den nye tollsatsen 344 pst., og forbrukerprisen på importert biff øker med 78 pst. Det er store tall. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det er fornuftig at Norge har et visst importvern. Det er det full enighet om i denne sal. Spørsmålet er bare hvor langt det skal gå, og hvor langt det skal gå på bekostning av import, eller da eksport, fra land der situasjonen er nokså annerledes enn vår egen. Det handler også om timing: På hvilket tidspunkt kommer ønsket om å øke tollsatsene i Norge? Etter min oppfatning kan man også rubrisere det i to viktige stikkord: Det ene er solidariteten med land som er vesentlig dårligere stilt enn oss akkurat i den kritiske fasen vi er i nå. Dersom Norge ønsket å justere tollsatsen fordi kronetollen ga mindre beskyttelse, er spørsmålet: Hvilket tidspunkt gjør man det på: på et tidspunkt da Europa er som mest i krise, eller på et annet tidspunkt? Det handler om solidariteten. Det andre er spørsmålet om intensjonene, og kanskje spesielt i forhold til artikkel 19 i EØS-avtalen og den intensjonserklæringa som utenriksminister Gahr Støre undertegnet i desember. Igjen er det ingen som betviler et øyeblikk at Norge har rett til å gjøre det vi nå gjør. Spørsmålet er – timingmessig og og også om ikke det faktisk strider mot intensjonene i de avtalene vi har inngått. At reaksjonene fra EU-hold ble sterke, var ikke annet enn å forvente. Samtidig mener jeg at det er helt usannsynlig at EU skulle opptre som en irrasjonell aktør i denne sammenhengen. Men jeg tror nok EU kommer til å bruke de midlene og mekanismen EU har på sin side, til å kunne vise at de mener alvor med at handelen skal være så fri og åpen som

så tydelig, også fra Høyres side, at dette ikke er noe brudd med de formelle reglene vi inngår i. I begynnelsen av denne debatten kunne man få inntrykk av at det nærmest var et handelspolitisk linjeskifte, og at vi utsatte oss for voldsomme motreaksjoner ved nærmest å bryte både EØS-avtalen og WTO. Det har blitt kraftig dempet, og det er vel nå dempet helt ned til at det utelukkende er spørsmål om en slags intensjon. Da er det et poeng å minne om at av 1 100 varebeskrivelser eller tollinjer på landbruksområdet og dette skjer samtidig som den tollfrie ostekvoten for EU blir utvidet fra 4 700 tonn til 7 200 tonn. Det er altså først etter at den kvoten er oppfylt at denne tollen vil slå inn. Så det er viktig å se proporsjonene i dette. Så tror jeg kanskje det er greit å minne om at det handler om noen få konkrete produkter, som ikke nødvendigvis lages i EUs fattigste medlemsland – for å si det slik, men nok i større grad i våre nærmeste naboland. Dette dreier seg mest om noen faste volumoster som lages i Norge, og som faktisk er viktige – slik det ble grundig opplyst om i debatten i forrige uke – og en ganske sentral bærebjelke for mye av den landbruksproduksjonen vi har i Norge. Jeg vil også gjenta noe jeg sa i forrige uke, nemlig at jeg altså er en stor tilhenger av den europeiske integrasjonen og har stor sympati for EU. Det er ikke først og fremst den felles landbrukspolitikken som har gjort meg begeistret for EU, og jeg har ikke noe veldig stort behov for at EU skal lære oss hvordan man skal drive deregulering på landbruksområdet, for hvis det er noe vi har til felles med EU, er det at vi har en betydelig beskyttelsestoll mot verden utenfor og betydelige subsidier, det er bare at vårt subsidienivå er høyere enn EUs. Så strukturelt er vi ganske like, og vi gjør en justering innenfor et hovedspor. Det er også nødvendig å minne om at eksporten av landbruksvarer fra EU til Norge har gått kraftig opp. Den har den siste tiårsperioden økt med 150 pst., mens eksporten av landbruksprodukter fra Norge til EU har økt med kun 45 pst. Så den liberaliseringen som har skjedd, har helt åpenbart gått i EUs favør. EUs favør. Det er greit, men da er det altså rom for å gjøre en justering. Det ville glede meg om det etter hvert kom fram i denne debatten om Høyre ved – mot formodning – et regjeringsskifte faktisk ville gjøre om på dette, og om det er slik at man nå kunne si klart og tydelig at man vil gjeninnføre kronetoll til den samme tollen som var, om man skulle få anledning til det neste år. Det tror jeg mange velgere, ikke minst

Representanten Eriksen Søreide spurte også om det var klok politikk å endre ostetollen fra kronetoll til prosenttoll. Da har jeg lyst til å svare at for Arbeiderpartiets og den rød-grønne regjeringens del, så er svaret ja. Det er jo nettopp derfor vi gjør det. Debatten om endring i toll på enkelte landbruksprodukter har jo blitt utrolig blåst opp, man overdramatiserer konsekvensene. Først var det reaksjonene fra EU på handelen med fisk som ble dratt inn i debatten. Nå er det liksom hele frihandelsregimet i WTO som dette har store konsekvenser for. Ja,

i Europa og i verden. Jeg har lyst til å ta for meg noen ting som representanten Eriksen Søreide tok opp. For det første: Den norske tolltariffen omfatter omtrent 1 100 tollinjer på landbruksområdet. Endringen som er foreslått i budsjettet, dreier seg om seks av de tollinjene. Så det første spørsmålet til Høyre er: Mener Høyre dette er en dramatisk endring og en gjennomgående endring i tolltariffen? Det andre som Eriksen Søreide var inne på, som jeg har lyst til å ta opp, er importen av storfekjøtt fra utviklingsland. Det er jo nettopp etablert en egen kvote for det. Den har et omfang som er omtrent dobbelt så stort som dagens import. import. Jeg har også lyst til å si at for Arbeiderpartiets del er det selvfølgelig en viktig sak å følge. Hvis den grensen blir nådd, er det selvfølgelig viktig å se på om den er stor nok. Men i hvert fall i forhold til dagens import av storfekjøtt, er den kvoten stor nok. De spesielle ordningene med tollfri import av til sammen 3 700 tonn storfekjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland blir ikke påvirket av den omleggingen. Jeg har derfor veldig vanskelig for å forstå at dette kan framstilles som en dramatisk endring av norsk handelspolitikk. Tvert imot, det dette handler om, er jo å forsvare norsk landbrukspolitikk, og importvernet er et sentralt virkemiddel i den forbindelse. Jeg håper at vi i dag kan få svar på det spørsmålet som utenriksministeren akkurat stilte: Kommer i en eventuell ny regjering eller i årets statsbudsjett til å endre tilbake regjeringens opplegg for toll på enkelte landbruksvarer? Det fikk vi ikke svar på fra representanten Flåtten i forrige uke, og det har heller ikke representanten Eriksen Søreide i dag sagt noe som helst om. Det er nemlig en viktig avklaring som norske bønder bør få.

at både når det gjelder debatten om EØS og arbeidsliv, som vi skal ha etterpå i dag, og i forbindelse med tollsaken, så har vel ikke Høyre markert seg på noe særlig offensivt vis til forsvar for norske interesser.

knyttet til proteksjonisme – det er bra. Det er en fortsettelse av det hans forgjenger også sto for. Jeg er også enig med utenriksministeren i at EU ikke er et glansbilde når det gjelder proteksjonisme, frihandel og landbrukspolitikk. Det er mange ting vi kan være enige om. Det var veldig gledelig i fjor i Genève da Norge underskrev denne erklæringen. Det ble satt pris på av mange. Enkelte i NGO-miljøet var noe skeptiske, men det kan vi – i hvert fall fra denne siden av det politiske landskapet – leve godt med. Endelig virket det som om det var de bredere utenriks- og næringspolitiske interessene som ble satt i forsetet, foran snevre landbruksinteresser. I de årene jeg har fulgt WTO-forhandlingene og handelspolitikk, er det ingen tvil om at her har det vært er – en konstant kamp mellom ulike interesser. Representanten Gustavsen nevnte nå kjøtt fra Swaziland. Det – jeg vil si til dels uverdige – spillet vi hadde rundt Swaziland for noen år tilbake i Stortinget, er et eksempel nettopp på hvordan disse interessene kommer opp mot hverandre. Norge gikk inn med utviklingsstøtte til Swaziland for at de skulle bygge opp sitt landbruk og være i stand til å eksportere. Da spørsmålet om å eksportere til Norge kom opp, sa vi nei, men etter noen runder innså vel alle at dette kunne ikke fortsette. Så det å ha en sammenheng i politikken er viktig. Så er det spørsmålet om ny WTO-avtale. Optimismen er ikke stor. Vi kan håpe, men denne representanten har – om ikke akkurat gitt opp – sett at vi må søke også andre spor, innenfor eksisterende regelverk, men også i forholdet til frihandelsavtaler som er nevnt. Her søker Norge å ivareta egne interesser sammen med Et mål har vært å ligge i forkant av EU på en del områder, og det har vi klart. I det minste bør vi ligge parallelt. Jeg vil komme med en utfordring til til utenriksministeren: Det foregår nå en mulighetsstudie i EU med tanke på en frihandelsavtale med USA. Hvor langt man kommer til å komme med den i form av realisering, er veldig usikkert, men USA har også til dels en aggressiv holdning for å få på plass nye finansavtaler. USA er fortsatt verdens største økonomi. Om de så blir forbigått av Kina om noen år, kommer de til å være nr. 2 eller 3 i en lang horisont. Hvordan stiller utenriksministeren seg til å gjøre det samme – sammen med som man nå gjør i EU, og undersøke hvilke muligheter det er? Så er det bred støtte for mer handel med utviklingsland, og det skjer noen små justeringer i dette budsjettet i GSP-ordningen. Provenyet der utgjør 0,39 pst. av økningen i bistandsbudsjettet. Det er veldig symbolsk. Vårt syn er at skal vi få til et reelt løft i handelen med utviklingsland, må det gis lettelser til mellominntektsland. Det kan være en motor for å få i gang økt handel mellom Norge og mange utviklingsland hvis det er det som reelt er Vi har lenge ment at den doble holdningen hvor Norge på den ene siden er veldig offensiv på fiskeri og en del tjenester, og på den annen side er veldig defensiv på landbruk, ikke tjener norske interesser totalt sett. Når vi da blir utfordret på hva vi vil gjøre i en ny regjering, kan ikke jeg snakke på vegne av den regjeringen, men vi har lagt frem mange forslag om lettelser i importvernet og mange forslag til endringer av norsk landbrukspolitikk, som det er tilgjengelig for alle å gå inn på. Så hva vi står for i denne saken, bør ikke være noen hemmelighet.

denne saken blåses opp, og opposisjonspartiene blir mer enn kritisert for at man har tillatt seg å påpeke at det ikke er noen særlig stor grad av samsvar mellom liv og lære i handelspolitikken, med henvisning til dette eksemplet. Man kan med en viss rett si at det er ikke noe gigantisk eksempel, men man kan ikke i internasjonale institusjoner slåss for nedbygging av handelsbarrierene og så med venstrehanda gjøre det stikk motsatte. Jeg tror det blir bortkastet tid å kritisere EUs landbrukspolitikk. EU er en handelsblokk hvor Norge har den eksklusivitet å ha tilgang til EUs indre marked, og det er EU, Den europeiske union, som selv setter opp regler for handel. Europa, EU – Den europeiske union – er blitt en betydelig handelsblokk, som matcher USA, som matcher Kina, som matcher India, til glede for Norge og vår mulighet til å sende det alt vesentlige av det vi produserer av varer og tjenester, inn i det indre marked, uten Så er spørsmålet: Endrer man handelspolitikk? Er dette noe brudd på norsk handelspolitikk? Nei, det er ingen fra Høyres side som noen gang har påstått dette, men vi har påpekt den beklagelige mangel på sammenheng mellom liv og lære. Når utenriksministeren i dag viser til at EU har økt sin eksport av landbruksprodukter til Norge, er det den interessante finten om at man man anskueliggjør forskjellen på offensive og defensive interesser. Man glemmer i farten, bevisst sannsynligvis, at for få år siden sendte Norge 50 000 tonn laks inn i det europeiske markedet. I dag ligger sannsynligvis tallet på mellom 700 000 og 800 000 tonn – altså en gigantisk langt større eksport av mat fra Norge til EU enn omvendt. Dette er jo det som er poenget i denne saken, at det er sammenheng. Som en viss tidligere statsminister uttrykte: Alt henger sammen med alt. Det må man heller ikke glemme i denne debatten. Norge har rikelig erfaring i hva det betyr å utfordre handelssystemer. Man har erfaring fra USA, straffetoll på norsk laks, på norsk fisk. Vi har det i utallige eksempler fra EU, hvor norsk fiskerinæring har vært rammet – minsteprisordning, straffetoll, innføring av fôrkvote osv. Antidumping er et kjent begrep. Derfor burde norsk fiskerinæring også ha vært spart for den kritikk som har kommet fra regjeringspartiene hvor norsk fiskerinæring har vært rammet – minsteprisordning, straffetoll, innføring av fôrkvote osv. Antidumping er et kjent begrep. Derfor burde norsk fiskerinæring også ha vært spart for den kritikk som har kommet fra regjeringspartiene når man har tillatt seg i forsiktige vendinger å minne om at dette blir galt – dette kan ha sin negative virkning i markedet. Høyre har større tro, sannsynligvis, på at handel og utvikling henger sammen med demokrati som en basis andre land langt mer enn det land som fortsatt hviler på den grønne gren, at det å ta i bruk fikse ideer som beskyttelse er nærliggende. Vi ser hvordan handelssystemer blir utfordret i en tid da ledighet og økonomisk stagnasjon får lov til å utvikle seg. Derfor bør det være en klar sammenheng i den politikk som Norge fører i de viktigste institusjonene – f.eks. i Verdens handelsorganisasjon og de forhandlingsrunder man gjennomfører der. Man skal ha en sammenheng mellom liv og lære, og jeg tror vi alle sammen i det lange løp vil stå oss på å bidra til å bygge ned toll- og handelsbarrierer også i den praktiske hverdagen i utøvelsen av den norske

handlefrihet i forhold til WTOs regelverk. Landene som står bak oppropet, avgir et løfte om å utvise tilbakeholdenhet i innføring av nye tiltak som kan ha betydelig proteksjonistisk virkning. Det er viktig å merke seg at oppropet gjelder nye tiltak, og det er derfor ikke til hinder for at norske myndigheter fortsatt kan ivareta norske interesser innenfor eksisterende regelverk. Vi fraskriver oss ikke muligheten til å bruke det handlingsrommet som er innenfor eksisterende WTO-avtale når det gjelder prosenttoll/kronetoll. Høyre og Fremskrittspartiet insinuerer ofte at de mener at det norske importvernet for landbruksprodukter er proteksjonistisk. Idealet synes i mange tilfeller å være EU. Men er EU-landene fri for proteksjonisme overfor Norge, overfor andre handelspartnere, overfor u-land? Nei, EU benytter de samme proteksjonistiske virkemidlene som Norge for å benytte egen landbruksproduksjon, som også utenriksministeren her har påpekt. Et eksempel: Tollbelastningene øker med graden av bearbeiding av fiskevarer. Det gir arbeidsplasser og verdiskaping i EU-landene som vi da går glipp av i Norge, som i større grad forblir en råvareeksportør.

mener det er feil at norske forbrukere skal betale mer for produktene. Høyre mener også at dette er dårlig handelspolitikk overfor våre naboland, EU-land og land i den tredje verden. Det Høyre egentlig gjør, er å prioritere EUs matindustri foran norske bønder og norsk matindustri. Det er konsekvensen av budsjettforslaget og Høyres holdning i denne saken.

Det står at det skal være basert på en balansert utvikling i handelen, men det som er faktum, er at utviklingen har vært entydig i EUs favør og Norges disfavør. Interpellanten nevner gradvis liberalisering, men hun underslår åpenbart at det i artikkel 19 også står at dette skal skje innenfor partenes respektive landbrukspolitikk. Hvorfor underslår interpellanten et viktig poeng, at vi skal ta hensyn til både EUs og Norges landbrukspolitikk når vi forhandler? Det er det Norge har gjort. Vi ble enige med EU i januar 2010 om en ny artikkel 19-avtale. Det gir økte kvoter. Som et eksempel vil jeg til slutt understreke at Statens landbruksforvaltning før helgen avsluttet auksjoner på neste års på de fleste landbruksvarer. Resultatet var en prisvekst på snaue 50 øre per kilo importost. Det er en økning på under 2,1 pst. fra i fjor, og omtrent på samme nivå som den generelle prisstigningen. Det viser at tollkvotene vi har fått på plass sammen med EU, gir en god dekning av behovet man har for eksport av ost til Norge. Det ivaretar både våre og EUs interesser, og det er ingen grunn til å ta skremmeskuddene fra høyresiden alvorlig i denne saken.

for frihandel, som gir økonomisk vekst, velferd og velstand. Det kunne vært klippet ut av Fremskrittspartiets program. Men så kommer konklusjonen: Man øker tollsatsene for eksport fra EU til Norge på et bestemt vareslag. Det betyr altså at konklusjonen fra regjeringens og utenriksministerens side er at frihandel er veldig fine greier forutsatt at det ikke rammer norske produsenter. Det er ingen stor endring når man legger om fra kronetoll til prosenttoll – forutsatt at man holder tollprosenten på et rimelig nivå. Det er ikke endringen i seg selv og omfanget av den i kroner eller volumer som bekymrer. Det er det politiske signalet dette gir, at Norge øker sine sine handelshindringer overfor våre nærmeste samarbeidspartnere, som er egnet til bekymring. I EU er osteindustrien av stor betydning. I EU er de stolte av produktene sine, og de ønsker å eksportere dem, og norske forbrukere ønsker å kjøpe dem. På denne måten skaper EU eksportinntekter, som de igjen kan bruke til å importere vareslag som det ikke er så eksportinntekter, som de igjen kan bruke til å importere vareslag som det ikke er så mye – hvert fall ikke tilstrekkelig – av i EU, f.eks. olje, gass eller fisk, og det er jo norsk eksportindustri. Dette henger sammen: Hvis vi først begynner, risikerer vi at dette fører til at dominobrikkene faller, at enkelttiltak – som er små og ubetydelige i seg selv

Det er mange politikere fra rød-grønne partier som har lovprist den regelstyrte verdenshandelen allerede i denne debatten, og det er nok ingen i denne salen som mener at man ikke skal ha en regelstyrt verdenshandel, men regelstyring er det motsatte av frihandel. Det betyr at jo mer regelstyring man får, og jo mer begeistret man er for det, desto vanskeligere blir det for frihandelen å fungere. Derfor er det noen av oss som er bekymret over de politiske signalene som regjeringen gir ved sin håndtering av regelverket som gir Norge rett til å ha prosenttoll istedenfor kronetoll. Det er en uheldig utvikling, og det kan få alvorlige konsekvenser.

og som tar i bruk handel i størst mulig grad. De landene hvor vi nå ser at mennesker i titalls millioner arbeider seg ut av fattigdom, er nettopp de som åpner opp sine økonomier og i større grad tar del i verdenshandelen enn de har gjort tidligere. Det er en klar sammenheng mellom økonomisk vekst,

Samordning er et viktig grep i et lands handels- og utviklingspolitikk, og Høyre ønsker en åpen handelspolitikk. Vi mener at handel er en viktig nøkkel for å skape. Norge må gjennom sine forhandlingsposisjoner bidra til å gjennomføre de målene vi setter oss – også for utviklingspolitikken. En liten historie: I USA for ikke mange år siden

og det dette eksemplet viser, er at en åpen økonomi er langt bedre rustet, totalt sett, til å imøtekomme de utfordringer man møter. Samtidig er det viktig å si at handelspolitikk også handler om å ivareta forbrukerinteresser. Når utenriksministeren nå snakker om

Det samme skjer når man øker tollen på enkelte biffprodukter til 344 pst. Jeg har behov for å komme inn på et moment som ikke har vært nevnt så langt. Det handler om bilaterale investeringsavtaler – BITs – som er viktige for å stimulere til utenlandske investeringer i utviklingsland. En er en traktat mellom to suverene stater som skal legge til rette for investeringer mellom statene og sikre investeringer minimumsbeskyttelse. BIT-en inneholder bestemmelser om rettferdig og rimelig behandling av investeringer, om rett til fri inn- og utførsel av kapital, om at direkte eller indirekte ekspropriasjon ikke skal skje uten hjemmel i lov eller uten omgående, tilstrekkelig og effektiv erstatning, og gjerne at investeringen ikke skal gis dårligere vilkår enn investeringer fra andre land. Høyre er en pådriver for å få på plass flere slike avtaler. Blant annet mangler vi en BIT-avtale med India. Jeg ber utenriksministeren og viktigheten av BIT-avtaler, for man ser nå en politisk uvilje blant flere av de rød-grønne partiene når man hevder at denne type avtaler, som sikrer investeringer, men som henviser problemer til internasjonale voldgiftsdomstoler, utfordrer De er viktige for å få på plass mer handel og større grad av kapitalflyt, og de bør diskuteres i denne debatten. Jeg håper utenriksministeren kommenterer det til slutt. Så har Senterpartiets Brekk helt rett når han sier at Høyre vil reversere overgangen fra kronetoll til prosenttoll. Ja, vi prioriterer – vi prioriterer norske forbruksinteresser, og vi prioriterer norsk eksport. Vi holder prinsippene høyt og arbeider for en

og det var sjølsagt at en gradvis måtte lette handelen mellom land. Det var helt nødvendig for å skape tryggere og mer positive forhold for de mange mennesker som led materiell nød etter den annen verdenskrig. Det var altså et hensiktsmessig, et viktig og et sjølsagt regelverk som en kom til enighet om. Dette utviklet seg, og på gikk en fra General Agreement on Tariffs and Trade, altså GATT-avtalen, til World Trade Organization – en gikk fra en avtale til en organisasjon når det gjelder handel. Det ble et sterkere regelverk, og regelverket var basert på en veldig sterk ideologi. En gikk over fra – hva skal en kalle det – et nyttehensyn til mer en teoretisk ideologi om at dess friere handel dess bedre handel, som fører til større trygghet for menneskene. Denne ideologien utviklet seg videre, og ikke minst Det internasjonale pengefondet så sårbarheten i ideologien. De så at det ville kunne gi krevende situasjoner, og de prøvde å bygge opp systemer med «early warning and full transparency», altså overvåking av landene, landene, for dermed å dempe det de så som risikoen i denne friest-mulig-idelogien. Resultatet kjenner vi: Disse risikodempende tiltakene fungerte for dårlig, for å si det diplomatisk. Resultatet ble feilslått. Det beste eksemplet er Det internasjonale pengefondet, hvor det er stor grad av ustabilitet. Konsekvensen ble at det til sjuende og sist var nasjonalstatene som måtte ta ansvaret

som var i R 4 i regjeringskvartalet en uke etter at Sigbjørn Johnsen tiltrådte og holdt en times foredrag over temaet finanskrise og krig. Jeg ser at flere representanter ler av Strauss-Kahn – dere må bare gjøre det. Strauss-Kahn holdt der et foredrag om finanskrise og krig med referanse til den avtale som ble gjort med Tyskland etter første verdenskrig. Jeg vil be om at flere legger seg det på minne: Du kan presse et folk til en slik belastning at det fører til større problemer enn det en har oversikt over. Vi er i en djupt alvorlig situasjon, og denne realiteten er fjern for mange av Høyres og Fremskrittspartiets representanter i denne sal. Det er noe jeg djupt beklager. Det trengs derfor en ny debatt ut fra de nye realiteter, en debatt om fra friest mulig handel til rettferdig handel. På 1970-tallet hadde vi en slik debatt, hvor internasjonal solidaritet i store ungdomsmiljøer var sterkt framme, og en diskuterte da: Hvordan kan vi modernisere internasjonalt regelverk for å bli oppdatert i forhold til den utfordringa vi står overfor? Det er den debatten som trengs – en ny ideologisk debatt av framtidas regelverk for internasjonal handel. Hvis vi ikke gjør det, kan alternativet bli mye større og mer krevende enn det vi har noen som helst oversikt over i dag. Vi må altså gå fra å drøfte avbøtende tiltak – små kranbiler som hele tida må erstattes av større kranbiler for å rette opp den kollisjonen og de ulykker som har skjedd – til å diskutere årsakene til problemene. Friest mulig handel uten internasjonale institusjoner som har de nødvendige økonomiske muskler til å rette opp svakhetene, er uanstendig.

ektefølte, og de har vært til dels sterke. La meg bare kort kommentere noen av de tingene som har kommet fram. Det ene er noe som også representanten Peter Skovholt Gitmark nevnte: De som har lest vårt utmerkede alternative budsjett – det er lesning jeg selvfølgelig veldig sterkt anbefaler – vil se at vi ønsker å reversere vedtaket om prosenttoll. Det står klart og tydelig, og det har også vært kommunisert klart. Det samme har poenget som flere har vært inne på her i dag, nemlig at det er ingen som betviler Norges juridiske rett til å gjøre som vi gjør. Spørsmålet er om intensjonene i avtalene og vedtakene følges opp ved å gjøre det på den måten. Så mente representanten Laila Gustavsen at det var litt pussig å trekke inn finanskrisa. Representanten Lundteigen mente at vi ikke trakk inn finanskrisa. Så jeg vet ikke helt hvilket bein regjeringa står på her. Men la nå det være sagt at spørsmålet om finanskrisa trekker særlig Verdens handelsorganisasjon inn som den tyngste begrunnelsen for den erklæringa som utenriksministeren signerte i desember i fjor. Nettopp det at finanskrisa nå er sterk og har store konsekvenser for innbyggere i svært mange land, gjør at man må avstå fra proteksjonistiske tiltak for å bedre situasjonen. Der har alle en rolle, også Norge. Det vi gjør, sender noen politiske signaler, og det gir noen økonomiske resultater. Så vil jeg også knytte an en kommentar til det representanten Gustavsen sier om kvoter på storfekjøtt. Representanten sier: Det er viktig å se på om kvota på storfekjøtt er stor nok når kvota nås. Vel, all erfaring med denne regjeringa tilsier at når kvota nås, vurderer man ikke om den er stor nok, men når man kan stoppe den så det ikke blir importert mer kjøtt fra fattige land. Eksempelet er jo sauekjøtt fra Namibia, Botswana og Swaziland. I statsbudsjettet for 2010 innførte regjeringa en importbegrensning på 400 tonn, og det var nettopp fordi Stortingets og regjeringas intensjon om økt import av sauekjøtt fra disse landene fungerte. Forbrukerne ville ha det, de ville kjøpe mer. Men da man nådde taket, sa man stopp og innførte en kvotebegrensning som Høyre den gangen gikk imot. Det utgjorde 1,6 pst. av den totale sauekjøttproduksjonen i Norge, men likevel mente man at det skulle stoppes. Poenget er å ha

Norge er en særlig åpen økonomi. Vi har særlig stor interesse i en regelstyrt internasjonal orden og et regelstyrt handelssystem. Jeg er uenig med representanten Peter N. Myhre som sier at regelstyrt er det motsatte av frihandel, for jeg mener at frihandel fremmes gjennom klare og tydelige regler. Ren frihandel uten noen regler er den sterkestes rett, og det er det ikke mange i Norge – meg bekjent – som egentlig ønsker. Vi har vært opptatt av å si i denne debatten, som i den debatten vi fører parallelt om EØS, at vi tror på WTO, vi bruker og styrker WTO, vi tror på EØS, vi bruker og styrker EØS, og vi forsvarer norske interesser. Hver gang vi faktisk gjør det, kommer opposisjonen – særlig partiet Høyres representanter her i salen – og protesterer mot den aktive bruken av det handlingsrommet vi har. Det skal man åpenbart helst ikke gjøre. Jeg har lyst til å gi en kommentar til

Da trenger vi beskyttelse. Det er normalt. I Europas naboland i Nord-Afrika er det en rekke land som ønsker å eksportere varer de kan eksportere, til EU, f.eks. oliven, appelsiner og en rekke andre middelhavsprodukter. De er underlagt betydelig toll, og gjett hvorfor: Det er fordi en del av EUs medlemsland produserer de produktene. Vi har ikke toll på dem, vi produserer dem ikke. Det er faktisk ganske normalt normalt at man har en balanse mellom offensive og defensive interesser. Det har også vi. Logikken i det vi hører fra opposisjonen, kan ikke bare være å reversere økt toll på noen tollinjer, det må være å gjøre noe helt annet med hele tollvernet i Norge. Så til representanten Gitmarks konkrete spørsmål: Vi arbeider med en frihandelsavtale med India. Når det gjelder spørsmålet om BITs, må jeg henvise til nærings- og handelsministeren som holder i akkurat det. Men vi arbeider altså for mange frihandelsavtaler som en del av det generelle arbeidet. Helt til slutt vil jeg minne om at det vi gjør på ost, er å øke tollen, men også å øke den tollfrie kvoten. Det betyr altså både liberalisering og tilstramming, avhengig av hvor stor importen blir.

et nokså klart uttrykk for hvordan det oppfattes når sentrale deler av fagbevegelsen, Senterpartiet og SV angriper EØS-avtalen så å si innenfra og forsøker å få Norge til å ta ut sentrale deler av avtalen. Perioden EØS-avtalen har vært i kraft i Norge, har sammenfalt i tid med en svært positiv utvikling for norsk økonomi, og ikke minst også for norsk arbeidsliv. Verdiskapningen har gått opp, sysselsettingen har gått opp, og Norges bruttonasjonalprodukt har siden 1994 økt med nesten 50 pst. og BNP for Fastlands-Norge med nesten 60 pst. Det har altså vært en voldsom utvikling. EØS-avtalen gjør oss til en del av et felles arbeidsmarked i Europa med over 250 millioner arbeidstakere. Norge har siden utvidelsen av EU i 2004 vært et av de landene som har utnyttet dette i størst grad, fordi vi har stor arbeidsinnvandring. I løpet av det siste året alene har sju av ti nyansatte kommet fra land utenfor Norge. Så man kan egentlig si at veldig mye av den velferden vi opplever i Norge i dag, og som vi har opplevd av utvikling de siste 20 årene, skriver seg fra det at vi er medlem av et økonomisk fellesskap gjennom EØS-avtalen, at vi har tilgang på arbeidskraft det er helt avgjørende. På arbeidslivsfeltet har det meste av EUs regler for arbeidsmiljø og arbeidstakernes rettigheter blitt tatt inn i EØS-avtalen. Avtalen sikrer trygge rammevilkår for norske bedrifter og arbeidstakere. Vi står også fritt til å bestemme egne regler, f.eks. på områder som arbeidsmiljø, likestilling, arbeidsmarkedspolitikk, pensjons- og trygdepolitikk, Det gir oss et betydelig handlingsrom innenfor avtaleverket. EU kan også her vedta minimumsregler, men vi står fritt til å ha strengere regler. Det har vi utnyttet. Vi har sett at direktivene kan tilpasses norske forhold. Det så vi bl.a. i arbeidet med vikarbyrådirektivet tidligere i år, hvor Stortinget vedtok en tiltakspakke. I hovedsak har den felles regelverksutforminga styrket arbeidstakernes rettigheter sett i sammenheng med situasjonen før EØS-avtalen ble inngått. Samtidig har lønnsnivået i Norge hatt en langt raskere vekst enn i våre naboland. Hva ville konsekvensen være av å ta arbeidsliv ut av Vel, som Høyre ser det, vil det innebære en full reforhandling av Norges avtaler med EU innenfor EØS-avtalen, og det ville resultere i en frihandelsavtale. Avtalen per i dag har ikke mekanismer for å ta enkeltdeler ut av den. Det betyr altså at man får en full reforhandling av hele avtalen. Det vil ha umiddelbare konsekvenser for norske bedrifter, for arbeidsplasser og dermed også for den norske velferden. En frihandelsavtale vil også ha en god del konsekvenser, og jeg skal nevne noen her. Det harmoniserte regelverket vi har brukt år på å bygge opp, vil forsvinne. Prinsippet om fri bevegelse av bl.a. tjenester i EØS-området vil man ikke nødvendigvis få gjennom en frihandelsavtale. En oppsigelse av EØS-avtalen vil innebære at Norge må forhandle frihandelsavtaler med kommisjonen og med enkeltmedlemsland.

løsning. Til det er å si at Sveits har det man vel må kunne kalle et lappeteppe av avtaler med EU, faktisk 120 i tallet, og de har det tatt lang tid å framforhandle. På toppen av det ønsker EU veldig klart å kvitte seg med den typen avtaler Sveits har, for det er lite hensiktsmessig for EU, og det er også ganske lite hensiktsmessig for Sveits. EU har, spesielt i den fasen den er i nå, veldig liten interesse av å la land agere på samme måte som Sveits har gjort gjennom sine avtaler, og har også liten interesse av å la land få drive med det som på godt norsk kalles «cherry picking» av de delene av avtalen som passer dem best. Er det én ting komiteen ofte hører i møte med representanter for EU eller politikere i Europa, er det nettopp poenget om at EØS-avtalen og EU i stadig sterkere grad preges av mer og mer homogenitet. Alle skal følge de samme reglene. Det er rett og slett fordi EU er et økonomisk og politisk fellesskap som staker ut kursen framover, og som ikke nødvendigvis har tid til å holde på med alt som er på siden av tilpasninger til regelverket. Vi har gjennom årenes løp blitt oppfattet som en pliktoppfyllende og seriøs aktør mot EU. Men jeg tror nok at en oppsigelse av avtalen ved å ta og krav om reforhandling, ville vekke noe undring hos våre handelspartnere. Den store utredninga om Norges forhold til EU og avtalene har samlet noen betraktninger om hvordan Norges avtaler med EU blir oppfattet i Europa. Det er ganske interessant lesning. Noen regner nok Norge som et nesten-medlem uten politisk innflytelse. Andre er litt misunnelige og mener Norge er i en særstilling. I Storbritannia er det som kjent mye diskusjon om EU. Det har også vært en debatt om Storbritannias tilknytningsform til EU. I den anledning uttalte statsminister David Cameron i fjor høst at å forlate EU ikke er i deres nasjonale interesse. Utenfor vil de ende opp som Norge – underlagt alle regler for det indre marked, men uten makt til å forme de samme reglene. Jeg er, som den britiske statsministeren, tilhenger av fullt medlemskap i EU fordi jeg innser at det demokratiske underskuddet ved ikke å være fullverdig medlem er et problem. Men all den tid vi ikke er medlem – det er for tida dessverre ikke noen stor, aktuell problemstilling – syns jeg vi skal gjøre alt vi kan for å bevare den EØS-avtalen som faktisk både sikrer oss tilgang og gir oss den muligheten vi har hatt til å bygge opp vår velferd. Det er særlig i de siste månedene at den store diskusjonen om å ta deler av EØS-avtalen ut av den, eller å stemme imot de enkelte direktiver og bruke reservasjonsretten, har kommet sterkt opp. I de halvårlige redegjørelsene om EU og EØS-saker som utenriksministeren har her i salen, ble Høyre så sent som for et halvt år anklaget for å snakke ned EØS-avtalen fordi vi påpeker noen av de politiske og demokratiske utfordringene som er der, ved at vi adopterer et stort regelverk vi ikke sitter rundt bordet og er med på å vedta. Jeg vil vel si at et større problem enn at noen påpeker de åpenbare svakheter og mangler ved den siden av EØS-avtalen, er at regjeringspartiene, og kanskje spesielt Arbeiderpartiet, har latt være å snakke om og dermed gjort at mange krefter både i fagbevegelsen og blant regjeringspartnerne har fått relativt fritt spillerom til å kunne agere på den måten de har gjort. Det er mye man kan si om EØS-avtalen. Som sagt mener jeg det er en avtale som har tjent oss veldig godt, og som kommer til å fortsette å tjene oss veldig godt all den tid vi ikke har et fullt medlemskap. Den vil ha sine feil og mangler. Det ville også et EU-medlemskap ha hatt. Men jeg mener at konsekvensen av nå å skulle be om en full reforhandling av EØS-avtalen nesten ikke er til å overskue for et land som Norge, med en helt åpen økonomi – som vi diskuterte i den forrige interpellasjonsdebatten – og en full avhengighet av det indre markedet i EU, dit nær 80 pst. av vår eksport går. Derfor er det også viktig å få klarhet i hva utenriksministeren å ta arbeidsliv ut av EØS-avtalen. Jeg mener det er en viktig kommunikasjon for å unngå å skape ytterligere usikkerhet om både hva som er regjeringas politikk, og hva som kan bli konsekvensene for norsk arbeidsliv, for norske arbeidstakere og for norsk velferd dersom man tar arbeidslivet

står klippefast i Norge. Det er meget bred enighet om den, og det er helt uaktuelt å velge en svakere tilknytningsform til EU enn EØS-avtalen. Det er også et viktig poeng i den sammenheng at Sveits ikke har en frihandelsavtale, men en omfattende avtale som dekker veldig mange av de samme områdene som EØS-avtalen gjør, men på en måte som ikke gir den samme rettslige adgangen som EØS-avtalen. Jeg tror ikke det er en aktuell politikk. Det er i hvert fall ingen aktuell politikk for denne regjeringen. Jeg vil også minne interpellanten om at Fremskrittspartiet derimot i sitt program har en formulering om at de ønsker reforhandling av EØS-avtalen. Jeg tror derfor at det i eventuelle samtaler om en mulig borgerlig regjering, i den grad det skulle være behov for noe slikt, kan være lurt å ta en samtale med dem om den innsikten representanten Eriksen Søreide nå delte med oss.

Her hjemme har vi også utfordringer i deler av norsk arbeidsliv, med frykt for sosial dumping og lavlønnskonkurranse. Denne bekymringen er reell. Regjeringen deler bekymringen til en samlet fagbevegelse når det gjelder dette. Til selve spørsmålet om løsningen på disse utfordringene er å ta arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen, er regjeringens utgangspunkt som nevnt klart og tydelig: Det er ikke aktuell politikk. Vi mener at det rammeverket vi har i dag, tjener norske interesser godt – også på arbeidslivsområdet. Norge er en integrert del av det indre marked, som forutsetter fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Det er ikke mulig å se for seg at Norge skulle velge bort en av disse fire frihetene. EØS dreier seg om kobling til fire friheter, ikke til én, to eller tre friheter, og det er heller ikke ønskelig.

I den offentlige utredningen NOU 2012: 2, Utenfor og innenfor, er et eget kapittel dedikert til arbeidslivet og arbeidsmarked. Her står det bl.a. følgende: Perioden, altså utviklingen siden 1994, «har vært preget av positiv utvikling i investeringer, sysselsetting, ledighet, lønns- og arbeidsvilkår og det kollektive avtaleverket. Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er videreført, frontfagsmodellen for forhandlinger er styrket, og arbeidstakernes rettigheter er forbedret på viktige områder.» Jeg deler denne vurderingen. Det er på det rene at en rekke direktiver har gitt også norske arbeidstakere bedre rettigheter. I en del tilfeller er det partene i arbeidslivet – de som deltar i den sosiale dialog med EU – som er blitt enige om avtaler som blir til EU-direktiver. Det er naturlig å regne denne sosiale dialogen som en del av arbeidslivsområdet i EØS-avtalen. Det er også slik at den arbeidsrettslige lovgivningen som EU utformer, omfatter alt fra helse-, miljø- og sikkerhetsregler til arbeidsrett og regler om likelønn og ikke-diskriminering. Det meste er snakk om minimumsreguleringer. Norge kan derfor som hovedregel ha et høyere vernenivå. La oss heller ikke glemme at EØS-avtalen også gir norske arbeidstakere samme frie tilgang til arbeidsmarkedet i Europa som De får tilgang til sosiale ytelser, rett til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og samordning av trygderettigheter. På samme måte har norske virksomheter og deres arbeidstakere adgang til å yte tjenester i de andre EØS-landene – på samme vilkår som virksomhetene på stedet. Ved å delta i dette rammeverket, som arbeidslivsområdet er en integrert del av, tar vi også vår del av ansvaret for å bidra til utviklingen i Europa. Norge har – og skal ha – et konkret og solidarisk engasjement for de felles europeiske utfordringene. Europa er vår verdensdel, og vi kan ikke stenge oss ute fra Europas utfordringer. Som jeg har sagt: Det er utfordringer i norsk arbeidsliv. Derfor er regjeringen veldig opptatt av å sikre gode standarder for arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter i det indre marked. Arbeidsliv og velferd er en av de sentrale prioriteringene i regjeringens europapolitikk. Vi legger avgjørende vekt på sikre et ryddig arbeidsliv. Å verne om arbeidstakernes rettigheter har meget høy prioritet. Det er viktig for oss nasjonalt og i arbeidet vi gjør internasjonalt. Utfordringene knyttet til sosial dumping har vi møtt med to tiltakspakker siden 2005. Nå diskuterer vi en ny pakke. Et anstendig arbeidsliv er også en viktig målsetting i vårt EU/EØS-samarbeid. Vi arbeider her aktivt med å fremme norske synspunkter. Vi bruker med andre ord handlingsrommet for tidligst mulig å påvirke prosessene i EU for å få innflytelse på regelverk som det er aktuelt å ta inn i EØS-avtalen. Som vi sier i meldingen vi diskuterte i forrige uke: Dette skal vi gjøre enda mer av og enda bedre i fremtiden. Vi må her ikke glemme at ønsket om å forsvare arbeidstakernes rettigheter også står sterkt i EU. For ikke lenge siden måtte Europakommisjonen trekke den såkalte Monti II-forordningen, om forholdet mellom retten til kollektive skritt og de økonomiske frihetene. Dette forslaget møtte stor motstand fra flere hold, inklusive europeisk fagbevegelse og tolv nasjonale parlamenter. Det var en reell frykt for at dette kunne begrense de kollektive rettighetene. Denne motstanden var en posisjon norske myndigheter delte. Vi står derfor ikke alene, hvis noen skulle tro det, men vi har mange allierte i EU i dette viktige arbeidet med å sikre arbeidstakernes interesser. Regjeringen er opptatt av å sikre en videreføring av den norske arbeidslivsmodellen. Dette innebærer bl.a. videreføring av trepartssamarbeidet og sikring av lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i møtet med grenseoverskridende etablering og tjenesteyting. Det innebærer å beskytte kollektive rettigheter, herunder streikeretten. Her er det viktig å huske på at vi har videreført hovedtrekkene i den norske modellen for lov- og avtaleregulering, lønnsdannelse, partssamarbeid og arbeidsmarkedspolitikk siden 1994 da EØS-avtalen trådte i kraft. Regjeringen vil fortsette å bruke de muligheter og det handlingsrom som måtte foreligge ved gjennomføring av EØS-regelverket i Norge, for på den måten å bidra til et velfungerende indre marked – og for å ivareta den norske arbeidslivsmodellen, næringslivets behov og hensynet til norsk verdiskaping. For å konkludere klart og tydelig: Å skulle ta arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen fremstår av det bildet jeg har tegnet, som politisk sett helt uaktuelt for denne regjeringen.

av. Rettslig ville det i realiteten bety at det åpnes opp for – som interpellanten påpeker – en reforhandling av hele EØS. En slik tilnærming ville sette EØS-avtalen i fare. Den ble i sin tid fremforhandlet av tolv EU-land og seks – etter hvert sju – EFTA-land, noe som ga et relativt godt og balansert resultat. I dag – med 27 EU-land og

arbeidstilsyn og håndhevelse av eksisterende regler i det norske markedet, fremfor å prøve å ta denne delen ut av EØS-avtalen. Jeg takker utenriksministeren for et klart og

Jeg registrerer det utenriksministeren sier, at EØS-avtalen står klippefast, og at det er helt uaktuelt å velge en svakere tilknytning. Jeg registrerer også det han sier om at det å skulle ta arbeidslivsspørsmål ut ville være politisk helt uaktuelt, være i strid med regelverket og møte liten politisk forståelse. Det er betryggende å høre. Jeg håper bare at den samme beskjeden også sendes til de to partiene i regjering, som nå i programprosessen fram mot valget programfester helt andre ting enn at EØS-avtalen står klippefast. Jeg håper også det er en klar beskjed til LO-kongressen, der et flertall av representantene kan komme til å vedta formuleringer om at arbeidsliv skal tas ut av EØS-avtalen. Det er disse tingene som bidrar til å skape usikkerheten. I SVs programutkast legges det opp til at Norge skal innlede forhandlinger med EU om en mindre omfattende handels- og samarbeidsavtale som erstatter dagens EØS-avtale. Det utenriksministeren nå sier, er at dette er helt uaktuelt. Han sier også at dette er noe som vil være i strid med regelverket og møte liten politisk forståelse. Senterpartiet har på sin side uttalt at de «erkjenner grunnlaget for denne regjeringen, men ikke den neste». Dette vil altså si at dersom det mot formodning skulle bli en fortsettelse av denne regjeringa ved valget i 2013,

i Senterpartiet går jo åpent ut og sier at man ønsker at dette skal være et forhandlingspunkt i eventuelle regjeringsforhandlinger. Det er nettopp denne usikkerheten som gjør det nødvendig å reise denne interpellasjonsdebatten. Jeg er veldig glad for det utenriksministeren sier. Det har min fulle og helhjertede støtte, og er en viktig avklaring fra Arbeiderpartiets side. Men det er fortsatt et usikkerhetsmoment når to av regjeringspartiene mener noe helt annet. Det er også et usikkerhetsmoment at også har et annet syn. Det er fortsatt en god stund igjen til valget, og det er mange programmer som skal lages, men det er behov for en avklaring om hvorvidt dette er noe som vil stå seg ved en eventuell – om enn lite trolig – fortsettelse av denne regjeringa.

inngåtte avtaler. Jeg oppfatter det slik at denne debatten på mange måter ble landet i forrige uke. Jeg minner om at regjeringen slår fast i sin første tiltredelseserklæring, Soria Moria-regjeringsplattformen, at vi regjerer på grunnlag av EØS. Det var klart også på forhånd, da de tre partiene søkte sammen. Det samme sa vi i inneværende regjeringsplattform. Og vi la for en måned siden fram en melding som nok engang bekrefter at vi både står på EØS, at vi mener at EØS fungerer godt, og at vi skal bruke det mer aktivt. Så er det slik at verken jeg eller andre gir «beskjed» til LO om hva LO skal mene. Men vi har en god dialog med LO om disse spørsmålene, for vi mener at bekymringen er reell. Selv om jeg sier og mener sterkt at prinsippene og reglene i norsk arbeidsliv har stått seg godt siden 1994, er det slik at når en norsk transportarbeider ser en rumensk kollega kjøre med sommerdekk på vinterføre, sove i bilen og tjene betydelig mindre, har han en reell bekymring som man må ta på alvor. alvor. Derfor ønsker vi å adressere disse spørsmålene ikke gjennom reforhandling eller utmelding av EØS, men gjennom et stadig mer aktivt arbeid mot sosial dumping. Arbeidsinnvandring har tjent Norge svært godt. Det hadde rett og slett vært betydelig ubalanse i norsk økonomi om vi ikke gjennom EØS-avtalen hadde en enkel adgang til å få kvalifisert arbeidskraft til Norge i en tid med mer etterspørsel etter enn tilbud om arbeidskraft. Men det kommer med noen kostnader. De kostnadene er mindre enn fordelene, men de må adresseres. Derfor er regjeringens politikk generell på dette området: En kraftig opptrapping av arbeidet med å fremme arbeidstakerrettigheter, deltakelse i forhandlingsprosesser, unngå sosial dumping, osv. i EØS og i Norge. Norge. Det som kunne vært interessant å høre – når vi nå er enige om at EØS ligger til grunn, i tillegg til et svar på om man vil ta diskusjonen med Fremskrittspartiet om deres programpunkt om reforhandling – er hva Høyre har tenkt å gjøre, ikke med EØS-avtalen, for det vet vi, men med spørsmål om rettigheter i arbeidslivet, for noen av disse diskusjonene i Europa går mellom høyresiden og venstresiden. Det er vel også en av grunnene til at Eriksen Søreides søsterparti i Storbritannia er skeptisk til EU, fordi de synes det kan bli litt mye sosialisme i det som kommer fra Brussel. Derfor vil jeg gjerne høre litt om hva Høyre mener om
Når vi nå har fått en debatt om EØS og arbeidsliv – en debatt vi skal ta, og tar – handler det dypest sett om en bekymring for en utvikling i deler av norsk arbeidsliv som vi skal ta på alvor. Det går for det meste godt her i landet. Siden de rød-grønne tok over i økt vekst i sysselsettingen med å styrke arbeidstakernes rettigheter – rettigheter som opposisjonen satte på spill. Men selv om hovedbildet i norsk arbeidsliv er svært bra, ser vi at det i deler av det er en brutalisering, med omgåelse av arbeidslivsregelverket og et stort omfang av sosial dumping. Halvparten av de yrkesaktive medlemmene i bygningsavdelingen i Oslo er fra I byggenæringen alene er det 107 000 arbeidsinnvandrere fra EØS-området. Nesten overalt i de fleste bransjer over hele landet ser vi en slik utvikling. Disse folkene fyller et behov. De er en forutsetning for den veksten vi har opplevd de siste årene, og de er en nødvendighet for at vi skal holde hjulene i gang. Vi trenger disse folkene, vi skal takke disse folkene, og de skal behandles på like anstendige vilkår som norske arbeidsfolk. Forskjellen mellom oss og opposisjonen er at vi er opptatt av alle delene av arbeidsinnvandringen – alle konsekvensene av den, også de mindre positive. Baksiden er jo nettopp sosial dumping, useriøsitet og brudd på norske standarder, som skapes i møte med arbeidskraft som er vant til – og derfor ofte villig til – å jobbe på andre vilkår, og arbeidsgivere som ønsker mest mulig profitt raskest mulig. Jeg og Arbeiderpartiet er veldig bekymret for hva dette gjør, ikke bare med lønns- og arbeidsvilkår på den enkelte byggeplass eller her og nå, men også med den norske arbeidslivsmodellen og samfunnet vårt i sin helhet på sikt. Den bekymringen deler vi med fagbevegelsen, og derfor er dette en av våre høyest prioriterte oppgaver. Innsatsen mot sosial dumping skal fortsatt føres kraftfullt. Siden vi tok over i 2005, har vi gjort mye. Vi har i denne salen tatt 30 initiativ – og 30 vedtak – for et bedre arbeidsliv. Høyresiden har stemt imot det meste. Vi har gjennomført to planer mot sosial dumping, som Fafo sier at har hatt effekt, og vi har lansert at til våren kommer den tredje. Vi handler, og vi vil videre, for dette problemet blir ikke mindre. Men dette problemet, som vi ser brer om seg, har ingenting med EØS-avtalen å gjøre den tredje. Vi handler, og vi vil videre, for dette problemet blir ikke mindre. Men dette problemet, som vi ser brer om seg, har ingenting med EØS-avtalen å gjøre – det har å gjøre med vår åpne økonomi og vårt behov for arbeidskraft. Årene siden 2005 viser at det ikke er noe i veien for å ta grep for å styrke kvaliteten på arbeidslivet innenfor rammene av EØS. Ikke bare er handlefriheten innenfor EØS stor, men regelverket fra EU har også ført til bedre vern og på. Disse rettighetene gis et varig vern fordi de er direktivrelaterte – og det er viktig! Stortinget kan ikke bare vedta bestemmelser som svekker disse rettighetene. Det er ekstremt viktig – om vi en eller annen gang mot formodning skulle få en Høyre–Fremskrittsparti-regjering, som vi vet nettopp ønsker å svekke disse rettighetene. Vi må huske på at de arbeidslivsrelaterte direktivene, som vi her hjemme kanskje kan klage over at ikke går langt nok, må huske på at de arbeidslivsrelaterte direktivene, som vi her hjemme kanskje kan klage over at ikke går langt nok, har økt standarden betraktelig i Øst- og Sør-Europa. Vi er alle tjent med å ha et felles gulv. Det hjelper oss til å kunne opprettholde våre standarder, fordi det minsker avstanden mellom oss og andre europeiske land. Ta arbeidstidsdirektivet: Det er et svært omstridt direktiv, og det er oppe til diskusjon. Det setter en maksgrense for ukentlig arbeidstid, det regulerer hvileperioder, nattarbeid og ferie Så har noen medlemsland forhandlet seg fram til unntak på 60 timer. 48- eller 60-timers arbeidsuke er jo ingenting å rope hurra for, så hva er poenget mitt med å dra opp dette? Jo, poenget er at dersom vi ikke hadde hatt et slikt direktiv, kunne 60-timers arbeidsuke eller mer vært normen hos flertallet av EU-landene. På grunn av direktivet har man ikke anledning til det. Det er en fordel for oss at våre viktigste handelspartnere ikke har Britiske Labour sier også at fire ukers ferie hadde vært politisk umulig i Storbritannia i dag hadde det ikke vært for direktivet. Så felles kjøreregler er vi alle tjent med. Vi ser også at vi utfordres på viktige deler av vår politikk når det gjelder EU-systemet. Høyredreining og økonomisk krise i Europa forsterker dette bildet. Problemene knyttet til sosial dumping vil bare bli verre. Men å ta arbeidslivet ut av EØS-avtalen er ikke et alternativ, og det vil heller ikke løse noen av problemene i norsk arbeidsliv tvert imot. Løsningene er å være pådrivere og fortsette med Arbeiderpartiets kurs. Vi slår ring om avtalen. Vi skal fortsatt arbeide for at nye EU-regler ikke skal legge hindringer i veien for tiltak som Norge har innført, eller har planer om å innføre. En høyreregjering vet vi ikke vil gjøre det

står ikke det i den teksten jeg sitter med, og jeg tror heller ikke noen andre i Fremskrittspartiet sitter med en slik tekst. At enkelte medlemmer i Fremskrittspartiet har kommet med slike utsagn, er ikke det samme som at dette ligger programfestet. Jeg er helt klar på at det store flertallet i Fremskrittspartiet

i mange arbeidsgrupper i Europa – konstant – selv om vi ikke er medlem av EU. Og selv om jeg ikke ønsker at vi skal være medlem av EU, skal vi ha det aktive samarbeidet – påvirkningen – på viktige områder som betyr noe. Jeg er overbevist om at man lytter til Norges stemme når den er relevant, når vi kommer med relevante innvendinger, og når vi makter å finne samarbeidspartnere i Europa som deler vårt syn på mange områder. Så ting er ikke håpløse. Det å sette avtalen på spill ønsker vi ikke å gjøre. I forrige uke snakket jeg om en gjennomgang for å se på en teknisk oppdatering av avtalen. Jeg mener det kunne være på sin plass. Men det handler ikke om å ta det materielle innholdet og si at av de fire friheter og av det indre marked skal vi nå bare velge halvparten eller tre fjerdedeler. Det handler om å se på de traktatmessige endringer som er gjort i EU siden begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag, det juridiske grunnlaget som styrer EØS-traktaten og EU-samarbeidet, og om det er parallellforskyvninger her som gjør at vi bør få dette mer i overenstemmelse, slik at når f.eks. norske bedrifter, norske aktører og norske personer dømmes etter regelverket, dømmes man på likt grunnlag. Dette er nettopp en problemstilling som tidligere er påpekt av dommere i EFTA-domstolen. Det er ikke en hypotetisk problemstilling. Jeg vil på ingen måte hevde, og jeg vil heller ikke tro, at det vil heller ikke tro, at det ville sette norske arbeidsplasser på spill om vi skulle ta opp slike utfordringer og problemstillinger – hvis vi gjorde det på en skikkelig måte. Nådde vi ikke frem, er jeg av den overbevisning at det er best å beholde det vi har. Men en avtale inngått mellom venner og partnere, er også til for å utvikles når vi ser behov for det. Det handler om å finne løsninger på praktiske utfordringer.

Jeg siterer gjerne tidligere partileder Åslaug Haga fra et intervju om hennes bok: «Vi hadde avklart veldig lite på forhånd, vi var i bunn og grunn bare enig om at vi skulle regjere på basis av EØS-avtalen og NATO-medlemskap. Det er nesten komisk når du ser tilbake.» Vel, jeg har en avklaring til utenriksministeren og resten av regjeringen: Spørsmålene om NATO-medlemskapet og EØS-avtalen er allerede avklart på ikke-sosialistisk side, og vi sier «ja takk, begge deler». Grunnpilarene i norsk sikkerhetspolitikk og norsk økonomi rokkes ikke ved en borgerlig regjering. Det er derimot stadig uklart å se om avklaringene fra 2005 fortsatt vil gjelde på den rød-grønne siden av politikken. Arbeiderpartiet har på eget initiativ knapt nevnt EU eller EØS-avtalen med et ord i den offentlige debatten de senere årene. Banen har blitt overlatt mer og mer til nei-kreftene i alle de tre regjeringspartiene, og resultatene ser vi nå – som interpellanten har referert til: de anfektelsene som regjeringsdeltakende partier og LO har til EØS-avtalen. Dette er bare én side av saken. Vi har også sett at regjeringspartiene har gått inn for veto i saken om postdirektivet. Nå trenger vi langt fra ukritisk å svelge alt som kommer fra Brussel, men det finnes ulike måter å håndtere uenighet på. Det er noen slag som er langt viktigere å utkjempe enn andre. Som interpellanten også har vært inne på, er det et betydelig handlingsrom i EØS-avtalen, som vi kunne ha utnyttet langt bedre og smartere enn det er blitt gjort under denne regjeringen. Høyre er ikke like glad i alle direktivene som kommer fra Brussel, men skal man velge ett å ta en fight på, så er vel postdirektivet langt fra det første valget vårt. Dette er skremmende, for en svært stor andel av verdiskapningen i Fastlands-Norge er helt avhengig av et stabilt og avklart forhold til EU. Når man i næringslivet vurderer om man skal investere eller ikke, har man horisonter som går over år, og til og med over tiår, og da nytter det ikke å skape tvil om EØS-tilknytningen på den måten som regjeringen har gjort. Det er også spesielt, fordi norske arbeidere ikke på noen måte har tapt på tilknytning til EU gjennom EØS. Vi har hatt en fantastisk økonomisk utvikling de siste 20 årene, og en like fantastisk lønnsutvikling som har kommet de aller fleste i samfunnet til gode. Samtidig er rammene for norsk arbeidsliv de samme: Et stort sett velfungerende trepartssamarbeid basert på store, brede og ansvarlige organisasjoner på begge sider, og en nasjonal arbeidsmiljølov legger noen grunnleggende premisser for arbeidslivet. Vi har ikke blitt hindret i å innføre tiltak mot sosial dumping, som f.eks. allmenngjøring av bransjer. Det synes Høyre er bra. Vi vil ha et anstendig arbeidsliv med gode rammer. Det er ikke riktig som representanten Trettebergstuen sier, at vi alltid stemmer mot slike tiltak – langt derifra. Den innflytelsen EU har hatt, har ofte vært til arbeidstakernes fordel. Vi så f.eks. i forbindelse med innføringen av vikarbyrådirektivet at EU presset på for at vikarer skulle få like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. Selv om man kan si mye om prosessen, var direktivet i seg selv bra. Alt i alt er Norge og norsk økonomi helt avhengig av å videreføre EØS-avtalen så lenge vi velger å stå utenfor EU. Det er trist og skadelig for norsk økonomi hvis regjeringen bidrar til å fortsette å skape usikkerhet om denne avtalen. Det gleder meg derfor at utenriksministeren i dag så tydelig sier at det er uaktuelt å velge en svakere tilknytningsform til EU enn EØS, enn si å ta ut arbeidslivspolitikken av avtalen.

og at goder og makt i samfunnet er sterkere fordelt her enn i mange andre land. Det har vært bra for landet – for innbyggerne – og bra for næringslivet og økonomien. Det er å rokke ved denne tryggheten og velferden når høyresiden ønsker seg flere midlertidig ansatte, mer innleie, lavere lønninger for arbeidsfolk og fritak for formuesskatt for milliardærer. Da bryter vi spleiselaget, og det fører til at færre er organisert, og at makta fordeles skjevere i samfunnet. Forskjellene mellom folk øker, og vanlige folks innflytelse i samfunnet svekkes. Det er det denne debatten handler om. Det er helt riktig at det er høyresidens politikk som truer arbeidstakernes rettigheter i Norge. Det er det som er problemet, både for SV og for fagbevegelsen. Det er høyrepolitikken – ikke hvor reglene eller påleggene kommer fra. Men vi må evne å se når høyrepolitikken kommer fra EU. Vi må evne å kjenne den igjen, og vi må evne å stoppe den. Det er derfor vi er imot en del av de reglene som kommer, fordi de truer dette. Dette er SV og fagbevegelsen enig om. Vi må sikre at ikke EU via direktiver eller via domstolene kan overprøve norske lønns- og arbeidsvilkår og tariffavtaler, eller sette til side Bekymringen er at vi ser at ESA engasjerer seg i reglene for å endre norsk arbeidsliv, og de fire mest kjente dommene i domstolen – Rüffert, Laval, Viking Line og Luxemburg – blir brukt som brekkstang for å svekke arbeidstakernes rettigheter. Dommene setter arbeidstakernes muligheter for kampmidler og kollektive avtaler til side hvis de hindrer fri etablering og fri tjenesteflyt. Det kan begrense

Det skaper massearbeidsløshet, og folk kommer selvfølgelig til Norge. SV er for arbeidsinnvandring – vi trenger det, de trenger det – men vi er voldsomt opptatt av hvordan dette forandrer norsk arbeidsliv. Det er jo sånn at når arbeidsløsheten eksploderer, kuttes lønninger, og ingen tør hevde rettighetene sine, for da mister de jobben, Når høyresiden i Norge i tillegg er imot de mest virkningsfulle tiltakene mot sosial dumping, mener jeg at deres taler her i dag blir fryktelig hule. Det er større og mindre tiltak mot sosial dumping, men de viktigste tiltakene, som virkelig kan bety at sosial dumping blir avslørt og skal koste mye – som innsynsrett og solidaransvar, kollektiv søksmålsrett, som vi jobber med, og store deler av vikarpakken, som de står her og forsvarer – har man altså stemt imot. Og hvorfor gjør de det? Jo, det avslører de når de skriver i innstillinger at disse tiltakene hindrer konkurranse på lønn. Og det betyr å gå ned i lønn, det, for vanlige folk – for renholdere, bygningsarbeidere, stuepiker og andre vanlige arbeidsfolk. arbeidsfolk. Jeg mener det er en ren krigserklæring fra partier som i all sin politikk viser at de er mest for de rike og de privilegerte. Det er sånn at hvis EU sier hopp, hopper Høyre og Fremskrittspartiet, mens vi utfordrer til å bruke handlingsrommet, slik at EU og EØS-avtalen ikke kan gripe inn overfor norske tariffavtaler og norske regler i arbeidslivet. Det haster med å sikre dette, fordi presset kommer til å øke enormt framover på grunn av den kritiske situasjonen. Det foreligger f.eks. direktiver som risikerer å ha som konsekvens at vi må fjerne noen av tiltakene mot sosial dumping. Jeg vet at den norske regjeringen protesterer mot det – det er jeg helt enig i og veldig glad for – og det hadde vært interessant å høre om den høyresiden som i dag forsvarer norsk arbeidsliv, norske lønninger og norsk lovverk, kunne gi støtte til regjeringen i den kampen, slik at vi kan sikre de tiltakene som gjør at vi beholder det organiserte og velfungerende arbeidsmarkedet i Norge. Det er

sa det veldig tydelig: Det gis ikke beskjed til LO, man er i dialog med LO. Det syns jeg var et klokt svar. Jeg regner med at det også kanskje gjelder for forholdet til Senterpartiet. Ine Marie Eriksen Søreide refererte Martin Kolberg – et godt sitat:

til en diskusjon om hva som faktisk skjer i det norske arbeidslivet. Hvordan er det med tryggheten i hverdagslivet? Det er aller viktigst for folk, og der er arbeidslivet det mest sentrale. Arbeidslivet ut av EØS – ja, enkelte forsøker å gi et inntrykk av at dette standpunktet skulle innebære å stenge grensene for at arbeidstakere fra land i EØS-området skal ha mulighet til å ta seg arbeid i Norge. Det er så vidt meg bekjent ikke noen av de nasjonale aktørene i fagbevegelsen som har tatt til orde for en slik politikk. Derimot er det stadig flere forbund og lokale LO-avdelinger som tar til orde for at vi igjen må bli herrer i eget hus og ikke lenger akseptere at EØS skal overstyre norske tariffavtaler og norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. En av de største bekymringene ved den etablerte rettstilstanden i EU er den fundamentale forskyvningen av makt til arbeidsgiversiden og dels til EU-domstolen. De demokratiske problemene blir dermed ytterligere forsterket. EU-retten på dette området angriper ikke bare sjølve streikeretten, men er også et angrep på sjølve organisasjonsretten og retten til kollektive forhandlinger. Professor i arbeidsrett Stein Evju har formulert det slik: men er også et angrep på sjølve organisasjonsretten og retten til kollektive forhandlinger. Professor i arbeidsrett Stein Evju har formulert det slik: «Men med den tilnærmingen EU-domstolen har bygget på, og den rettstilstanden domstolen derved har etablert, er i realiteten selve fundamentet for de kollektivarbeidsrettslige ordningene og tariffavtalesystemet truet.» Evju er konsekvensene kan være mer vidtrekkende enn for det tariffrettslige og det som knytter seg til «sosial dumping». Rokkes fundamentet for de kollektivarbeidsrettslige ordningene og tariffavtalesystemet, vil det samtidig innebære forskyvninger i samfunnsmessige maktforhold; dermed har det også implikasjoner for samfunnets grunnstrukturer.» Hallvard Bakke har sagt tilsvarende. Han sa bl.a. i en kronikk i Klassekampen 13. april i år:

Vel, Sverige har ikke innført euro, til tross for at deres medlemskapsavtale med EU forpliktet dem til å gjøre det. Folket sa nei, og EU har stilltiende akseptert. Det blir framhevet at man ikke kan ha en fungerende handelsavtale med EU uten at den er koblet til alle de fire frihetene. Vel, til tross for et omfattende avtaleverk med EU har ikke Sveits inngått en avtale med EU som dekker tjenestesektoren. Og man er ikke forpliktet verken av tjenestedirektivet, bankinnskuddsgarantidirektivet eller EUs tredje postdirektiv. Til slutt: Ideologisk dogmatisering over tid gir økende svakheter når en ser resultatene. Ideologi er viktig, ulike ideologier må brynes i offentlig debatt, men viktigst i denne debatten er å se til arbeidslivet rundt seg. Jambyrdigheten i arbeidslivet mellom folk krever kvasse demokratiske redskap som korrigerer markedskreftene. Stadig flere fagfolk taper i dag sin jambyrdige plass i norsk arbeidsliv på grunn av EØS-avtalens innhold og praktisering. Folk ser det, blir mer opplyst og ser årsakene. Derfor er det behov for en endring av EØS-avtalen. La meg først slå fast at Kristelig Folkeparti vil sikre den norske arbeidslivsmodellen, sikre arbeidstakernes rettigheter og plikter. Vi vil slåss for den modellen som vi er stolte av i Norge. Det har vi gjort i alle de posisjoner vi har vært i – i regjering og i opposisjon – og det kommer vi til å fortsette med uansett hvilken politisk situasjon vi kommer til å være i etter valget i 2013. Debatten her i dag bekrefter det som kom fram i den debatten vi hadde i forrige uke, at EØS-avtalens stilling her i Stortinget er bunnsolid. Jeg vil igjen rose utenriksministeren for glassklar tale. tale. Man kan velge å oppfatte det som et utspill til dialog, slik representanten Lundteigen antydet, jeg oppfatter det som klar beskjed når utenriksministeren i forrige uke sa at Arbeiderpartiet aldri vil regjere på noe annet grunnlag enn EØS-avtalen. Det er så klar beskjed som det går an å gi. Det har vært en interessant diskusjon så langt, og den bærer ikke akkurat preg av at forslaget om å ta arbeidslivsdelen ut av EØS-avtalen har noen støtte i denne sal. Representanten Lundteigen er faktisk helt alene om å ha foreslått noe i den retning her i debatten. Utviklingen vi har hatt i Norge de siste 20 årene, er bygd på EØS-avtalens fire friheter. Vi har en gunstig posisjon som olje- og gassnasjon, men vi har først og fremst en gunstig posisjon fordi vi har en åpen handel – avhengig av andre land, men rammet inn av en avtale som også gir fri bevegelse av arbeidskraft, ikke bare varer og tjenester for øvrig. Det har gitt oss den velferdsveksten som vi har sett de senere årene.

hatt. Jeg må spørre dem som vil ta arbeidslivsdelen ut av EØS-avtalen: Hva om det kravet hadde kommet fra et av de landene disse arbeidstakerne kommer fra, f.eks. Polen? Hvordan ville man reagert på et slikt utspill? Representanten Svein Roald Hansen har i en annen sammenheng uttalt at forslaget om å ta arbeidslivsdelen ut av EØS-avtalen er politisk gambling. Martin Kolberg sagt at det ville gjøre Arbeiderpartiet regjeringsudyktig, og en herværende utenriksminister sa til Fri fagbevegelse for en tid tilbake at han håper LO ikke roter det til for seg selv. Jeg vil hevde at forslaget er grunnleggende usolidarisk og ikke bør tas til følge. Det er dessuten totalt urealistisk. Det vil aldri bli akseptert, og det er i realiteten ikke noe annet enn et forsøk på å undergrave en EØS-avtale som man fra før av var imot. Det som er oppsiktsvekkende, er at ledelsen i LO har latt denne debatten gå så langt som den har fått lov til å gå. For det er en ren undergravingsvirksomhet, i regi av ytterste venstre fløy, som har svært liten støtte her i Stortinget. Men dette er Det kan ikke vi verken bestemme eller gi beskjeder om. Vi kan mene, og det gjør vi. Jeg vil si at drømmen om en handelsavtale à la 1970-tallet er en slags retropolitikk. Det er visstnok moderne i enkelte sammenhenger med retro, men på det handelspolitiske området og på arbeidslivspolitiske området er retro en svært dårlig oppskrift. Jeg mener at vi i Norge derfor bør konsentrere oss om å utnytte EØS-avtalens handlingsrom, stå opp for de verdier og de modeller som vi er stolte av i Norge, og ikke lefle med urealistisk

vi satt med renter på 17 pst. Erkjennelsen av at Norge kunne delta på likeverdige vilkår med det som den gang var EF, vokste fram, og av at den handelsavtalen vi hadde med Europa, ikke ivaretok norske interesser på en god nok måte, bl.a. fordi de manglet konfliktmekanismer. Derfor ble EØS oppfunnet. Det er slått fast – og det er helt sikkert – at det ikke er mulig å ta arbeidslivet ut av EØS og samtidig ivareta de fire friheter i EØS-avtalen. Fri bevegelse av etableringer, arbeidskraft og tjenester er det som skaper norsk vekst. Tre av ti arbeidsplasser er i dag eid av folk i EU. FMC Technologies, Ågotnes, er et godt eksempel. Av 900 ansatte er 60 utlendinger. De snakker 28 forskjellige språk. 70 pst. av den oljebaserte næringen på Vestlandet har utenlandske statsborgere på lønningslista, ifølge Bergens Tidende. Ifølge Skattedirektoratet hadde 100 utenlandske statsborgere skattekort i Norge i fjor, og av dem var det omtrent 100 000 som kom fra land utenfor EØS. Det er et bilde på at EØS-avtalen og arbeidsinnvandring er svært viktig for Norge. Jeg er derfor svært forundret over at deler av Senterpartiet – som faktisk ivaretar en landbruksnæring som er helt avhengig av arbeidsinnvandring på norske jorder står her og sier at de er sterke motstandere av EØS-avtalen. Jeg tror en slik politikk ville ført til at Senterpartiet faktisk ville møtt seg selv i døren. For Arbeiderpartiet er det viktig at handlingsrommet innenfor arbeidslivsspørsmål brukes. Det er et faktum at det som kommer fra EU, stort sett er minimumsdirektiver,

og refererte til det som en sak der vi hadde et handlingsrom. Da er det litt underlig å vite at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti faktisk var motstandere av mange av de tiltakene som ble innført som den nasjonale lovgivningspakken i forbindelse med vikarbyrådirektivet. De var motstandere av drøftingsplikt, solidaransvar, innsynsrett og opplysningsplikt. Saken om vikarbyrådirektivet er et veldig godt eksempel på hvor konfliktlinjene går mellom høyresiden og venstresiden når det gjelder arbeidslivspolitikk. Problemet er ikke EU og EØS, problemet er at vi har et Høyre og et Fremskrittsparti både her og i mange andre land som vil undergrave lønns- og arbeidsvilkår, og ikke sikre arbeidstakeres rettigheter arbeidstakeres rettigheter i Europa. Jeg har lyst til å avslutte med å si at vi må skjønne, som også flere har vært inne på, at folk som jobber i hotell- og restaurantbransjen, i transportbransjen eller i bygg- og anleggsbransjen, er reelt sett for de vilkårene de ser enkelte blir gående med. Kampen mot sosial dumping er en kamp den sittende regjering og dette flertallet har jobbet aktivt med i syv år. Det har vi tenkt å fortsette med gjennom en ny handlingsplan 3. Jeg har bare helt på tampen lyst til å utfordre Høyre til å klargjøre – fordi det er en viktig sak – forholdet mellom ILO-konvensjoner og For Arbeiderpartiets del skal jeg slå fast at ILO-konvensjoner har forrang foran EU-lovgivning. Det ville vært interessant å få høre hva som er Høyres syn. Mener de ILO-konvensjoner skal ha forrang foran

Jeg legger merke til at en del av debattdeltagerne unngår det som var spørsmålet i min interpellasjon, nemlig hva konsekvensen av å ta arbeidsliv ut av EØS vil være. I stedet mente representanten Karin Andersen at det var mer fornuftig å diskutere spørsmålet om kutt i formuesskatten. Jeg kan si at det å redusere, og etter hvert fjerne, formuesskatten er veldig viktig for å bevare norske arbeidsplasser. Det er jo en tanke som til og med næringsminister Trond Giske tenkte høyt om, helt til statsministeren bryskt satte ham på plass med at slike tanker fikk man da virkelig ikke tenke. Det andre noe interessante utspillet kom fra representanten Per Olaf Lundteigen. Jeg er for så vidt helt enig i at regjeringa ikke gir beskjed til LO, men det virker av og til – historisk sett, i hvert fall – som om LO har gitt beskjed til regjeringa. Det er selvfølgelig en helt annen diskusjon. Per Olaf Lundteigen trekker i tvil mange av de – etter min oppfatning – helt utmerkede poengene som utenriksministeren kom med om hva som ville være problemene og også umulighetene med å ta arbeidsliv ut av EØS-avtalen. Til representanten Gustavsen: Selv om man ikke er enig i alle måter å bruke handlingsrommet på nasjonalt, er det ikke tvil om at vi er opptatt av å bruke det nasjonale handlingsrommet, men det betyr ikke at man må være enig i alle ting som gjøres.

Men sjøl om regjeringa legger fram stortingsmeldinger og holder taler her i salen og andre steder som gir inntrykk av enighet om EØS, virker det ikke som det budskapet har nådd helt inn hos Senterpartiet og SV – vi kan jo bare høre debatten som har vært her i dag. Vi kan også høre de helt ulike

Alle står på EØS-avtalen. Alle stiller seg bak EØS-avtalen. Det er noe annet enn man kan si om dagens regjering. Det er derfor det er en så viktig avklaring at utenriksministeren nå så klart og tydelig sier at det er uaktuell politikk for regjeringa å ta arbeidsliv eller noen annen del ut av EØS-avtalen, og at det er uaktuelt å regjere på noe annet grunnlag enn

utkastet til Fremskrittspartiets program, for jeg synes det blir litt stemoderlig behandlet og fortjener mer oppmerksomhet enn det har fått. Da viser jeg til side 64, linje 45–48, i det som ligger på Fremskrittspartiets hjemmesider. Der står følgende: «Det norske velferdssystemet er sårbart for høy innvandring. Det er derfor behov for å finne nye løsninger som kan sikre fortsatt gode velferdsordninger, samtidig som det reduserer muligheten til å eksportere velferdsordninger ut av landet. Fremskrittspartiet mener derfor det er behov for å reforhandle EØS-avtalens bestemmelser knyttet til arbeids- og velferdsordninger.» Jeg skjønner at dette er et utkast, og det skal være debatt. Vi gir altså ikke beskjeder til noen, men et vennlig råd er å tenke seg grundig om. Jeg vil fraråde den type «reforhandling» av de samme grunner som representanten Eriksen Søreide har vært innom tidligere, men jeg er jo glad for engasjementet for arbeids- og velferdsordninger! Så skal jeg være litt grei: Jeg tror alle som følger norsk politikk, vet at det på tross av denne formuleringen – og dersom det mot formodning skulle bli en ny regjering med Fremskrittspartiet og Høyre i spissen – neppe er slik at man vil sette EØS-avtalen i spill. Det samme er tilfellet for en ny Stoltenberg-regjering. Poenget er ikke at det ikke er uenighet mellom partier, eller at det er ett partis ønske å endre standpunktet til et annet parti. Poenget er å gjøre klart hva som vil være grunnlaget for en ny slik regjering – det vil være det samme grunnlaget som de to foregående utgavene av Stoltenberg-regjeringen. Det grunnlaget har vi stått oss godt på, og vi har klart oss godt med å legge det til grunn, både i 2005, i 2009 og i den meldingen som Stortinget nå har til behandling. Så konstaterer jeg at på tross av gjentatte spørsmål – senest nå fra representanten Gustavsen – er det en del ubesvarte spørsmål fra opposisjonens side, og ikke minst fra Høyres side. Jeg er glad for at både representanten Graham og representanten Eriksen Søreide sier at handlingsrommet skal brukes, men jeg har fortsatt til gode å finne ut hva det skal brukes til. For hver gang vi prøver å bruke handlingsrommet, så er det i hvert fall feil, og farlig, og bekymringsfullt – og vi «setter EØS-avtalen i spill». Så hvis vi, ved neste korsvei, kunne få høre så vil det glede meg. Det samme gjelder spørsmålet om forholdet mellom ILO og EU. Der er vi, i hvert fall, veldig klare: De grunnleggende kommisjonene vi deltar i på arbeidslivets områder, vil gjelde uansett, og disse vil vi forsvare i EØS og beholde i Norge, samme hva som ellers skjer. Sak nr. 2 er dermed ferdigbehandlet. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til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

Jeg vil først av alt berømme Venstres representanter for å ha løftet denne viktige saken inn til debatt i stortingssalen. Representantforslaget fra Venstre er et konkret forslag om å følge opp de intensjoner som mange politikere fra flere partier har omtalt i mange debatter her i salen. Det synes å være stor enighet om behovet for å sikre en profesjonell og dyktig rådgivningstjeneste som kan gi god karriereveiledning til de unge. Elevene står foran store og viktige veivalg når de skal orientere seg i et mangfold av studietilbud – gjerne i en fase av livet der drømmene og ønskene for fremtidig arbeid ikke nødvendigvis er entydige. Å finne den gode løsningen der ønsker, interesser og egenskaper kan kombineres for å gi muligheter i arbeidslivet, er krevende. Komitéinnstillingen viser at samtlige partier er enig i ønsket om å bedre tilbudet til elevene. Regjeringspartiene viser til de tiltak som allerede er gjort for å løfte kvaliteten, og at dette allerede har gitt positiv effekt. Flertallet foreslår på denne bakgrunn at forslaget ikke vedtas. Opposisjonspartiene fremmer forslag som tar til orde for å få på plass utdanning innen karriereveiledning, men har delt seg mellom ett forslag om videreutdanning og ett forslag om treårig profesjonsutdanning. Intensjonen er felles – å få på plass utdanning som sikrer høy kvalitet og kompetanse i utførelsen av veiledningen. De forskjellige forslagsstillerne vil nok argumentere for sine løsninger. Høyre er enig i at det er ønskelig å få på plass en profesjonsutdanning i karriereveiledning. Vi fremmer derfor, sammen med Venstre, forslag om at regjeringen skal ta initiativ til en slik utdanning. Tilbakemeldinger tyder på at det fortsatt et store mangler i utførelsen av karriereveiledning i skolen, og vi tror at vi nettopp gjennom å bygge denne kompetansen vil kunne sikre at flere gjør gode og riktige valg, som gir dem gode opplevelser i videre utdanning. Mye tyder også på at dette vil være et viktig og målrettet bidrag for å redusere frafallet i videregående utdanning. For Høyre er det også viktig at det gis en mulighet for personer med annen yrkeserfaring å delta i et tilpasset løp, slik at deres erfaring og referanser kan danne grunnlag for en videre utdanning som karriereveiledere.

og en treårig utdanning vil kunne være et viktig bidrag til å bygge slik kompetanse – ikke bare i skolen, men også i næringslivet og i samfunnet for øvrig. Det er i dag vanlig å møte nye utfordringer underveis i arbeidslivet, og ikke minst er det relevant med etter- og videreutdanning. Mange HR-avdelinger vil kunne få et verdifullt kompetanseløft og økt mulighet til å gi å få profesjonelle karriereveiledere som en del av staben. Det er et behov for økt kompetanse, og det er gode utdanningsmiljøer som kan gripe fatt i denne utfordringen. Nå trengs det at statsråden tar et initiativ til å få på plass en utdanning i karriereveiledning. Jeg fremmer herved det forslaget som Høyre er med på, som

Difor har regjeringa prisverdig nok dei siste åra brukt fleire milliardar kroner på å heva kvaliteten på utdanninga. Full barnehagedekning er eit godt eksempel på god kunnskapspolitikk. På same måte er auka lærartettleik og innføringa av seks nye veketimar i norsk, engelsk og matte også gode eksempel. Difor går det no godt i Med dette som utgangspunkt vil eg dra ein direkte link til spørsmålet om korleis rådgjevarar kan rettleia og hjelpa unge menneske til å planleggja livet sitt og synleggjera kva for karriereval som kan vera aktuelle. Temaet er for så vidt ikkje noko nytt. Dette har vore ein gjengangar i den skulepolitiske debatten i lang tid og har difor også ført til ein viss framgang i kvaliteten på rådgivinga og karriererettleiinga. SINTEF si evaluering av ordninga seier at dette skuldast at rådgiving i større grad har blitt heile skulen sitt ansvar. Men skal ein få eit skikkeleg godt grep på rådgivinga og karriererettleiinga, må ein i mykje sterkare grad profesjonalisera denne oppgåva, både ved å løfta utdanninga opp på høgskulenivå og ved å krympa avstanden til arbeids- og næringslivet. Sjølv om det blir gjort mykje god rådgiving i skulen i dag, så er den i for stor grad prega av for lite kunnskap om arbeids- og næringslivet sine mange spennande utfordringar på ulike område. Framtidige rådgivarar kan difor med stor fordel hentast direkte frå næringslivet for å få førstehands kjennskap til dei mange karrierevegane som finst i samfunnet vårt. Ein av dei viktigaste framtidige ressursane er nettopp ungdommen vår og dei utdannings- og yrkesval dei gjer tidleg i utdanninga. Opposisjonen vil at staten skal gripa inn og styra dette ovanfrå og køyra over skuleeigaren sitt ansvar.

No har alle dei høgare utdanningsinstitusjonane fått på plass eit råd for samarbeid med arbeidslivet. Dette vil vera eit godt og veleigna forum for skuleeigarane for innspel om kva ein treng av utdanning og kompetanse på dette området. Høgskulane har naturlegvis fullmakt til sjølve og uavhengige av andre

Jeg reagerer imidlertid litt på det den siste taleren her sier, om at det går godt i norsk skole. Det er mulig at det er noe som går bedre enn det har gjort tidligere, men å si at det går godt, er vel å ta noe hardt i. En av de tingene vi sliter med, er at vi ved mange av de høyere utdanningene har stort frafall. Noe skyldes åpenbart åpenbart sviktende faglig kunnskapsnivå med tanke på det man burde forvente etter 13 år på skole, men jeg tror nok også at noe helt åpenbart skyldes feilvalg. Det er noen utfordringer rundt disse forholdene, og en av dem – tror jeg – er at de valgene som og ikke minst de valgene som tas i videregående skole av elever og kandidater til studier, nok er beslutninger på sviktende grunnlag. En av grunnene til det – og dette er ikke noe jeg mener personlig, dette er noe som vi etter hvert har ganske god dokumentasjon på – handler om at rådgiverne ikke nødvendigvis kjenner til mangslungne arbeidslivet vi har i Norge. Derfor har Fremskrittspartiet – Kristelig Folkeparti må svare for seg – fremmet et annet forslag i dag enn Høyre og Venstre. Vi mener at det er et selvstendig poeng at man åpner for å tilsette folk som rådgivere i den norske skolen som faktisk har erfaring fra andre deler av arbeidslivet enn skoler. Så vidt jeg kan forstå, tar representanten Bremer feil når han sier at dette er et forsøk på å overstyre skolen. For det er vel slik i dag at det er ganske klare krav til hvilken faglig bakgrunn man skal ha for å kunne bli fast ansatt i den offentlige skolen. Det vi forsøker å gjøre i dag, både Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet

og viktig erfaring fra næringslivet å avslutte karrieren med to år som rådgiver i den norske skolen. Da hadde vi kunnet sikre at vi fikk inn kompetanse om hvordan næringslivet der ute faktisk fungerer. Det er hovedårsaken til at Fremskrittspartiet fremmer det forslaget vi gjør i dag sammen med Kristelig Folkeparti. Det er nettopp for å åpne for det representanten for å kunne hente rådgivere rett inn fra yrkeslivet, rådgivere som har høyere utdanning, som det, etter min oppfatning og min tolkning av dagens regelverk, ikke er anledning til i dag – det ønsker Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet å gjøre. Da kan jeg ha et lønnlig håp om at representanten Bremer kommer til å stemme for det forslaget, siden han åpenbart har gitt inntrykk av at det er det han vil. Som sagt, opplever ikke vi i Fremskrittspartiet at forslaget fra Høyre og Venstre ivaretar nettopp det viktige behovet å hente inn rådgivere til skolen med kompetanse og lang yrkeserfaring, rådgivere som kjenner også andre deler av yrkeslivet enn skolen, og som vi mener er et viktig selvstendig poeng i denne saken. Jeg går ut fra at Kristelig Folkeparti vil redegjøre for hvorfor de stemmer som de gjør, men jeg fremmer forslaget som vi har sammen med

egentlig litt lei nedpratingen av norsk skole. Nå synes jeg egentlig at vi skal si at det er veldig mye bra i norsk skole. Alt er ikke bra, men det er veldig mye bra i norsk skole. Jeg håper representanten fra Fremskrittspartiet merker seg det. Så er det også slik at det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om at rådgivningstjenesten er veldig viktig. Det er derfor bra at representantene trekker fram erfaringer og ideer fra andre land, som kan bidra til å styrke Det er viktig at rådgivere har god kompetanse, men samtidig er rådgivning av en slik karakter at en snarere trenger kontinuerlig etter- og videreutdanning, framfor en treårig utdanning, og så ferdig med det. I forslaget vises det til erfaringer fra Sverige og deres program for studie- og yrkesveiledere. I dag har fylkeskommunene etablert egne karrieresentre eller opplæringssentre. Dette er kompetansesentre som fanger opp arbeids- og utdanningssøkere fra en region. Her finner man karriereveiledere som kan hjelpe til med å avdekke behov for videre utdanning, etterutdanning osv. Mitt lokale karrieresenter er lokalisert på den nye sammenslåtte videregående skolen og samarbeider med øvrig rådgivningstjeneste på skolen, med Nav, med de lokale arbeidsmarkedsbedriftene og med rådgivertjenesten ellers i regionen. Senteret dekker en befolkning på nærmere 30 000, tre kommuner, seks ungdomsskoler, og fra i høst én videregående skole. Ingen av disse skolene har rådgiver i 100 pst. stilling, bortsett fra den nye videregående skolen. Andre steder i fylkene er det enda lenger mellom både skoler og karrieresentre og dermed også mellom rådgiverne. Det kunne nok vært ønskelig å ha rådgivere i 100 pst. stillinger på alle skoler, men slik er det ikke i dag. Og om man i stedet f.eks. ville lokalisert alle rådgiverne til et lokalt karrieresenter, ville man mistet den daglige tilgangen på rådgiver på skolen.

Man bør søke mot sterkere samordning mellom grunnskolen, den videregående skolen og arbeidslivet. Det vil også være en fordel om skolene etablerer nettverk med eksterne samarbeidspartnere innen arbeids- og næringsliv. Og det er behov for å trekke foresatte inn i veiledningsprosessen i sterkere grad enn vi gjør i dag. Jeg vil bruke mitt eget distrikt, Hadeland, som et eksempel. Eksempelet er nettopp knyttet til samarbeid. På Hadeland har de utviklet et eget samarbeid som de kaller for HANS. Det står for Hadeland arbeidsgruppe for næringsliv og skole. I dette samarbeidet sitter rådgiverne fra ungdomsskolene, fra den videregående skolen, og fra fylkeskommunen, karrieresenteret, kommunene og næringslivet. For tida arbeider de med lærings- og utviklingsteam knyttet til et enda tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, spesielt

også som nettbaserte og desentraliserte studier. Men uansett hvordan vi tilrettelegger utdanning for rådgivere og karriereveiledere, er det viktig at vi ikke slår oss til ro med at en grunnutdanning er nok. Kommunene må selv også sørge for å ha godt utdannede rådgivere. Et tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv er helt nødvendig for gode rådgivere. Det må i tillegg knyttes tett samarbeid opp mot høgskole- og universitetsnivå. Faget utdanningsvalg, som ble innført i 2008, har vist seg å fungere veldig ulikt fra skole til skole. Konklusjonen er at flere skoler har fått til faget på en god måte, men for mange har ikke klart å nyttiggjøre seg potensialet som ligger i faget. Dette må skolene få til bedre enn i dag. Skal vi drive god rådgivning, er samarbeid altså helt vesentlig, ikke minst med som til sjuende og sist er de rådgiverne elevene tross alt lytter mest til. Det er

Bare for å holde seg til noen fakta: Det er 25 land i OECD. Vi er på 22. plass når det gjelder å få ut studenter på normert tid. Det er mulig det er å snakke skolen ned, men det er et faktum. Frafall er en av de store utfordringene vi står overfor, og jeg syns at det er vår plikt i denne sal å foreslå så mange ting vi bare kan for å bedre det.

men jeg er opptatt av de 50 pst. som ikke har fått det engang. Det at man ikke får yrkesveiledning, kommer til å føre til mange feilvalg. Det at man ikke får muligheten til å snakke om hvordan man skal bygge utdanninga si i forhold til framtida, er noe av grunnlaget for at vi har stort frafall. Frafall syns jeg at vi i denne salen skal komme i møte med så mange gode forslag vi bare kan om hvordan vi skal klare å komme i mål. Dette er et av de forslagene som Venstre har kommet med. Vi har kommet med mange andre også, men nå har vi lagt fram ett forslag her i dag. Det å være rådgiver er en krevende jobb – en enormt krevende jobb. Man skal forholde seg til mange personligheter med mange drømmer og visjoner om hva livet deres skal bidra med, og hva slags evner de har, som de kan utvikle videre. Det å se det og klare å utvikle det, er faktisk en kjempekrevende jobb – men det må også være en veldig spennende jobb. Vi har et arbeidsliv som er i ferd med å utvikle seg i helt eventyrlige endringer. Et yrke som noen begynner i i dag, kommer garantert til å være helt Vi skal utdanne oss til et meget fleksibelt arbeidsliv – vi skal utdanne oss til et arbeidsliv vi kanskje ikke aner hvordan vi skal inn i engang. Så fort endrer det seg. Det betyr at den gamle yrkesveiledninga da jeg gikk på skolen, eller da statsråden gikk på skolen – eller kanskje da presidenten gikk på skolen – var rettet mot en ganske annerledes hverdag enn den ungdommer i dag skal inn i, for den er mye mer sammensatt.

hva som motiverer folk, hvilken drivkraft folk har i forhold til utdannelsen sin, og hvilken styrke de har som det kan bygges videre på. Dette er en helt annen og mye mer krevende jobb enn å finne ut hvilken rubrikk man skal fylle ut når man skal søke videre. Derfor mener vi at det å ha en profesjonsutdannelse innenfor dette, kunne vært en styrke ikke bare for rådgivningstjenesten i skolen, det kunne også være en kompetanse som man kunne bruke til mange andre ting. Vi ser jo i dag at det er i ferd med å vokse opp veldig mange bedrifter som lever av å gi den type coaching. Det å sørge for at det hadde blitt litt kvalitet over det, tror jeg kanskje heller ikke hadde vært noen svakhet for det norske Så derfor var det vi fremmet forslaget. Vi er kjempeglad for at vi får støtte fra Høyre. Det er helt realt å være uenig i det. Men at dette er en utdannelse som trengs i det norske samfunn – både for å bekjempe frafall og for å sørge for at vi får elever som får muligheten til å utvikle det potensialet de har i seg selv – at det er en kompetanse vi trenger i det norske samfunn generelt, er jeg helt overbevist om. Dette mener jeg hadde vært en god måte å gjøre det på. Vi kan gjerne diskutere andre måter å gjøre det på for å nå det målet, men jeg tror det er en kompetanse vi bør bygge i norsk høyere utdanning. Det er

og fordi det i ungdoms forventninger om hva man kan gjøre, ofte er et ganske stort sprik mellom på hvilket område det er muligheter for å få jobb, og hva slags drømmer man har. Hvis presidenten tillater, tenkte jeg jeg skulle fortelle én liten historie. Det var en av disse utallige ungdomsskoleelevene jeg har diskutert skole med, gjerne ville ha en begrunnelse for hvorfor man skulle ha sidemål. Han hadde jo fått én begrunnelse, og det var at hvis han jobbet i stat og kommune, skulle han svare på nynorsk hvis han fikk et brev på nynorsk. Så så han helt forskrekket på meg, og så sa han: Jammen jeg skal jo ikke bli byråkrat, jeg skal bli stylist i Hollywood. Det finnes vel kanskje begrensede antall stylister i Hollywood, i hvert fall tror jeg ikke at alle ungdommer som går rundt og drømmer om å bli det i 14–15-årsalderen, får muligheten til det. Men da å finne noe som likevel kan treffe interessen, og som kan være en måte å realisere seg på, er jo ganske viktig. En rådgivers jobb er ofte å få de ønskene, forventningene, drømmene og håpene man har om framtiden, til å møte noe som har en realistisk framtid i norsk arbeidsliv, og

i 2010 gitt veiledende kompetansekriterier for rådgivere, og det er gjort kjent for skoleeiere sammen med anbefalte krav til utdanning for rådgivere. Det vi anbefaler, er utdanning minst på bachelornivå, og at minst 60 studiepoeng er «rådgiverrelevant». Det åpner for at det kan finnes flere veier for en rådgiver i skolen: lærerutdanninger, helseutdanninger, studier i samfunnsfag og utdanningsvitenskap osv. Yrkeserfaring og godt kjennskap til skolen lærerutdanninger, helseutdanninger, studier i samfunnsfag og utdanningsvitenskap osv. Yrkeserfaring og godt kjennskap til skolen nevnes også i de anbefalte kravene. Det er de veiledende kompetansekriteriene som er til hjelp for skoleeier i Det er viktig å profesjonalisere rådgivningstjenesten. Derfor er også dette et av de prioriterte områdene innenfor vår videreutdanningsstrategi. Men jeg er ikke overbevist om at det er riktig å lage en egen profesjon ut av en rådgiveroppgave. Jeg tror at ulike andre typer yrkesbakgrunn og erfaring sammen med 60 studiepoeng i rådgiving kan være det som treffer best i mange tilfeller. Det vil også ofte være sånn, som representanten Tingelstad Wøien var innom, at rådgivingstjenesten på mange skoler vil være en stilling som er i kombinasjon med andre typer oppgaver, f.eks. undervisningsoppgaver. Derfor er det ulike kombinasjoner som kan treffe bedre. Det er heller ikke sånn at de veiledningene og tilbakemeldingene vi

der har man jo fått en tilbakemelding og evaluering som gjør at jeg ikke er overbevist om at det er riktig vei å gå. Jeg mener at vi har en rimelig god modell. Jeg mener vi må ha mye større ambisjonsnivå i kommuner og fylker for å sørge for at rådgivere får del i videreutdanningsprogrammer på dette feltet, at de får tid nok på skolene til at elevene vet at de kan få hjelp til å diskutere seg igjennom hvilke alternativer som finnes, og at faget utdanningsprogram på ungdomstrinnet brukes aktivt til å introdusere ulike yrker for elevene. Så kan jeg helt sikkert komme tilbake til mer i replikkordskiftet. Det blir replikkordskifte. Til tross for at statsråden redegjør for at det er

Representanten Bremer, representant for det største posisjonspartiet, sier at han vil la folk presumptivt med utdanning gå rett fra næringslivet til rådgiverjobb i skolen. I går hadde vi en runde her i stortingssalen mellom meg selv og statsministeren om mangelen på ingeniører og andre med MNT-utdanning. Det var ikke på listen over statsrådens ønsker for kvalifikasjoner for

settinger. Jeg er ikke sikker på om vi først og fremst trenger å bruke våre hardt tiltrengte ingeniører i rådgiverstillinger. Men det jeg er helt sikker på, er at veldig mange elever og studenter kunne ha interesse av å snakke med, få møte og få veiledning om ingeniøryrket fra en ingeniør, framfor gjennom en rådgiver. Derfor vil veldig mye av det en rådgiver kan legge til rette for, være møter mellom elever og de yrkesutøverne som kan være interessante for dem, for da kan de få en realistisk introduksjon. For eksempel er det mange som tror at i realfagsyrker og tekniske yrker forholder en seg ikke til mennesker, en forholder seg til noe annet. Men i de fleste yrker i dag forholder en seg til mennesker, og kanskje en del jenter vil finne kvaliteter ved de yrkene som de ikke har sett før. Dette er veldig spennende, for det statsråden indirekte sier, er litt det samme som jeg har hevdet så lenge jeg har jobbet med dette, nemlig at det er et stort og instrumentelt behov i den norske skolen for å styrke samhandlingen mellom lokalt skoleverket. På et tidligere tidspunkt, i hvert fall på slutten av barneskolen, og i enda større grad i ungdomsskolen og i den videregående skole, må vi utvikle f.eks. de valgfagene som vi er blitt enige om innføringen av. Vi må inkludere næringslivet tungt og tydelig i skolen – ikke bare næringslivet, men også offentlig arbeidsliv må inkluderes i utviklingen av skolene lokalt. Kan statsråden bekrefte at hun er enig med representanten Lien? Jeg er veldig opptatt av at lokalt næringsliv og andre deler av arbeidslivet skal være en veldig motiverende, relevant og viktig læringsarena for elever mens de går på skolen. De valgfagene som nå er i ferd med å bli innført for alle elever på ungdomstrinnet, kan nettopp brukes som en sånn arena. Faget utdanningsvalg er også en mulighet der lokalt næringsliv eller offentlige arbeidsplasser kan introduseres for elevene. elevene. Jeg er helt sikker på at man kan få en langt mer virkelighetsnær, relevant og motiverende skole hvis man forsterker samarbeidet mellom lokalt næringsliv og arbeidsplasser rundt skolen. I salen i dag har det vært tydelig enighet om at det er

Mange steder vil det ikke være volum nok til en slik stilling, og det skal kombineres med andre ting. Men derifra til å være imot at vi reiser en ny profesjon, en ny utdanning som karriereveileder i det norske samfunnet, må jeg si forundrer meg. Jeg lurer på hvorfor statsråden da direkte er imot at det tas initiativ til å etablere dette som en profesjon i det norske

hvordan de kan samarbeide om å tilby de rette utdanningsveiene. Så tror jeg kanskje at vi skal nyansere denne debatten litt mer, for man kan ha noe behov når det gjelder å veilede ungdom på ungdomsskolen. Det kan i veldig stor grad være ungdom som har et ganske fjernt forhold til både høyere utdanning og videregående utdanning og arbeidslivet som Så kan det være litt mer avansert – man kan trenge andre typer kvalifikasjoner – å veilede ungdom på videregående nivå, men også ganske mange på høyskole- og universitetsnivå kan ha behov for veiledning. Det synes jeg er det interessante elementet med det forslaget som er til behandling her i dag. Min bekymring er

Hvorfor må vi gå én vei? Hvorfor kan vi ikke prøve ulike veier for å nå dette målet, for jeg antar at statsråden er enig med meg i at dette er en av de store utfordringene vi står overfor når det gjelder frafall og feilvalg? Hvis det er sånn at vi pålegger høyere utdanning og universiteter å opprette en profesjonsutdanning, bør vi ha en viss forestilling om at det er en profesjon som det vil bli etterspørsel etter. Hvis ikke risikerer vi å anbefale ungdom å utdanne seg til yrkesveiledere, og kanskje gjøre et feilvalg. Derfor er jeg opptatt av at vi tar den diskusjonen grundig. Jeg har så langt kommet til at jeg mener at det er andre veier til bedre rådgiving som er det beste. Av de tallene som representanten Skei Grande viser til, er jeg mest overrasket over at 50 pst. av elevene i elevundersøkelsen sier at de ikke har fått noen veiledning, for vi har innført et fag som heter utdanningsvalg, og det skal være rådgivingstjeneste på alle skoler. Så jeg tror det er noe med kvaliteten, og jeg tror kanskje det er noe med bevisstgjøringen av elevene om hva det er de faktisk får i faget utdanningsvalg, som er en viktig del av denne diskusjonen. Jeg har vært rundt på noen ungdomsskoler som er ganske gode på å dra linjene ned til ungdomsskolen og la folk få prøve ut f.eks. yrkesfag sammen med det lokale næringsliv, som statsråden snakket om. Men jeg besøker ganske mange skoler, og det er veldig få, nærmere bestemt én av dem som jeg har møtt, som har hatt et skikkelig system, og som hadde veldig mange elever inn i akkurat det systemet. Så jeg lurer på om statsråden forsikrer seg om at disse tingene som blir satt i gang, virkelig når ned, når hun da får beskjed om at 50 pst. av elevene i andre enden ikke en gang har snakket med en rådgiver før de har fylt ut skjemaet. Det er en av de store utfordringene, å følge de gode intensjonene som Stortinget og vi har, helt ut for å forsikre oss om at de faktisk når den siste elev – at de får de tilbudene som er vår intensjon. Dette er jo noe som jeg kontinuerlig har vært opptatt av å forsterke, på hvilken måte vi følger opp f.eks. ungdomstrinnsmeldingen. Veiledning og rådgivning var en viktig del av diskusjonen da, og jeg skal selvfølgelig sørge for at vi er enda mer på hugget for å få det til. Så har jeg bare lyst til å si en ting til slutt, og det er at gjennomføring i høyere utdanning er en litt annen problemstilling enn gjennomføring i videregående opplæring. Det er fordi disse gjennomføringstallene for høyere utdanning nødvendigvis ikke tar tilstrekkelig høyde for studenter som skifter institusjon, eller som setter sammen fagene sine litt annerledes enn det de hadde tenkt seg. Konsekvensene av å gå litt mer krøllete veier i høyere utdanning er ikke så store som ikke å gjennomføre videregående opplæring – det er to vidt forskjellige debatter.
er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Denne debatten har ikke inneholdt noen store overraskelser, og en fortsettelse av debatten vil heller ikke gjøre det, er jeg helt sikker på. Men et par kommentarer. Representanten Bremer sa at opposisjonen vil gripe inn og overstyre skoleeier. Det tror jeg vi trenger en forklaring på, hvordan det å ta initiativ til en profesjonsutdanning er å gripe inn og overstyre en skoleeier. Det greide jeg altså ikke å koble, det kan være min utfordring. Det som vi ber om, er at statsråden skal ta et initiativ, gå i dialog med sektoren og se om vi kan bidra med noen nasjonale rammer for en slik utdanning. Kan vi gjennom styringsdialog finne ut hvem som skal gjøre det, og hvor stort behov vi har? Nettopp det siste er jo viktig, fordi i de svar vi har fått skriftlig i hvert fall, anmodes det om at dette kan en ta initiativ til i nærheten av en høyskole der en holder til, men da får en jo ikke bygd et kompetansemiljø for det. En slik utdanning ville nok i hvert fall i første omgang måtte konsentreres om et eller et par steder for å få god kompetanse. Så vil jeg bare presisere igjen: Vi snakker ikke om dette bare som et tilbud til skolen, men som et tilbud til alle andre som også driver med – ordet «coaching» var brukt her – karriereveiledning i bedrifter, og som selvstendige aktører som godt kunne ha mer tyngde i ryggen. Det tror jeg hadde vært bra. Ellers regististrer jeg at samtlige partier, tror jeg, har vært oppe og sagt at de vil ha iallfall videreutdanning innen dette. Da kan det jo bli spennende å se på avstemningen – eller kanskje ikke. Så bare en liten kommentar til Tord Lien og Fremskrittspartiet som ville oppsummere forskjellene i forslagene opposisjonspartiene. Den store forskjellen er at Venstre og Høyre vil ha en profesjonsutdanning. Det er ingen forskjell, og det sa jeg også i mitt første innlegg, i at vi vil ha inn dem med annen yrkeserfaring. Derfor skriver vi: inkludert et tilpasset løp for personer med annen yrkesutdanning som ønsker videreutdanning som karriereveiledning». Altså andre som har annen relevant bakgrunn, ikke nødvendigvis en bachelor, men kanskje en fagutdanning, bør også få denne muligheten. Det har vi med begge to, men i tillegg vil altså Venstre og Høyre gjerne at dette skal være en profesjonsutdanning, slik at vi løfter det med karriereveiledning opp på et høyere nivå. Eg har lenge tatt representanten Tord Lien, som no ikkje er

Eg skal difor gjera eit tappert lite forsøk på å hjelpa representanten, og skal synleggjera på kva område det no går veldig bra. Me har i dag full barnehagedekning. Det var eit formidabelt løft som i neste omgang med stor sikkerheit vil gje gode resultat òg i skulen. Det er eit eksempel på god kunnskapspolitikk. Regjeringa har dei siste åra løyvd milliardar av kroner til auka kvalitet i skulen. Me har utvida timetalet i veka med 6 timar i norsk, engelsk og matte. Me har auka lærartettleiken. Eg vil minna om at sidan 2005 har me altså fått 8 000 fleire lærarar i norsk skule. Då høgresida styrte, var det ein nedgang på 1 000 lærarar i ei tid då faktisk elevtalet auka. Me har løyvd til omfattande tiltak mot fråfall og ein auke i etter- og vidareutdanninga av lærarar. På PISA-undersøkinga ser me ein tydeleg framgang på alle område. Me har pussa opp 1 300 skular i denne perioden regjeringa har og til representanten Tord Lien vil eg minna om at i Trondheim der Arbeidarpartiet styrer, er alle skular no godkjende. 17 skular er pussa opp og er godkjende av helsemyndigheitene. I Bergen der høgresida styrer, er det framleis slik at ein av tre skular ikkje er godkjende av helsemyndigheitene. Så dersom representanten og trønderen Tord Lien har problem med å sjå for seg framgang i norsk skule, Så dersom representanten og trønderen Tord Lien har problem med å sjå for seg framgang i norsk skule, trur eg kanskje det kjem av at han har vore for mykje i Bergen og for lite i heimbyen sin, Trondheim. Representanten Harberg var ute og hadde ein liten visitt til forholdet mellom nasjonal styring og lokal styring. Eg vil minna om Kunnskapsløftet som me alle var einige i, og som me såg på som eit stort framsteg, og var tydelege på og driva instruks av skuleeigaren. Staten skal ideelt sett styra gjennom nasjonale rammer, gjennom kvalitetsindikatorar, gjennom kompetansemål og definerte læringsutbytte. Eg har problem med å sjå for meg at viss denne salen skulle direkte seia kva slag bachelorutdanning dei ulike utdanningsinstitusjonane skulle driva med, er me litt på kollisjonskurs i forhold til korleis me styrer høgskulane, og me utfordrar lokalt eigarskap av skulen.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

Wickholm, så da faller det på representanten Wickholm å ta over denne saken i salen. Komiteen er enig om det viktigste, nemlig at internasjonalisering er viktig. Komiteen er også enig med forslagsstillerne og enig i departementets vurdering om at

og SIUs rolle som kompetansesenter for myndighetene og sektoren. Det er også positivt at departementet i sitt svar til komiteen trekker fram utdanningssamarbeidet med EU. Det er jo i hovedsak her utdanningssamarbeidet mellom Norge og andre land i verden foregår, og her har Norge full adgang til å delta på lik linje med de andre landene gjennom EØS-samarbeidet. EØS-avtalen har vært diskutert i Stortinget tidligere i dag, men her er altså nok et eksempel på at den fungerer godt for å gi norske studenter, elever og lærlinger viktig adgang. Komiteen Komiteen mener det er viktig at departementet og SIU har en aktiv rolle i samarbeidet som skjer i EU, og komiteen er samstemt i at det er veldig viktig at man fortsatt har fokus på det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket på det samspillet som det skal ha sammen med det europeiske kvalifikasjonsrammeverket, at dette er nøkkelen til deltakelse og en god mobilitet for alle utdanningsgrupper og alle yrkesgrupper. Så har opposisjonen en rekke forslag – noen står de alene om – men Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har i hvert fall noen forslag som de står sammen om. handler om studiestøtte for førsteårsstudenter på bachelorprogrammer i ikke-vestlige land og i USA, godkjenningsrutiner for at utenlandsskoleår skal gjøres mer forutsigbare, og sikre at rådgivere har kompetanse om utvekslingsmuligheter, og en bedre godkjenningsrutine for utenlandsskoleår, slik at man er sikker på at den utdanningen man tar, er gyldig i Norge, og hvordan man sikrer at utdanningen som elever får i utlandet, blir godkjent i Norge. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet ikke er med på disse forslagene. Jeg vet ikke om det er fordi det er for dyrt for Fremskrittspartiet, eller fordi de er uenige. Jeg tror kanskje de ikke hadde rom i sine ekspansive budsjetter denne gangen. Men jeg kan bare registrere at dette er nok et område der velgerne ikke helt vet hva de vil få dersom det skulle bli en annen regjering. Men det er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at Arbeiderpartiet mener at det er viktig å jobbe mer aktivt for fleksible utdanningsløp. Det må også gjelde studier i utlandet. Vi vil ha flere studenter ut. De får verdifull kompetanse gjennom sine studier, men også verdifull kunnskap om kultur og næringsliv i andre land. Arbeidslivet er samstemt i at de ønsker mer internasjonalisering; ja, de er faktisk avhengig av det. Hvis Norge som land ikke har personer som kjenner de nye, store økonomiene innenfra, stiller vi langt bak land som har personer med denne kompetansen. LO er så sent som i dag ute og støtter ANSAs krav om støtte til utdanninger for førsteårs bachelorstudenter i ikke-vestlige land. har også tidligere vist komiteen at når vi ikke støtter bachelorstudentene, får det konsekvenser for hvor mange masterstudenter som studerer utenlands. Jeg er veldig glad for at denne diskusjonen kommer opp, og jeg trekker også fram forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, fordi vi i Arbeiderpartiet deler noe av analysen, at i denne retning vil det kunne være lurt å tenke dersom man skulle ønske å få flere studenter ut. Regjeringen jobber godt med internasjonalisering, men Arbeiderpartiet er utålmodig. Vi imøteser at regjeringen kommer tilbake med hva man gjør med internasjonalisering i to meldinger som er og meldingen om Kunnskapsløftet, som kommer til Stortinget til våren. Jeg vil først gi velfortjent ros til representantene bak forslaget for at de har tatt opp dette viktige temaet. Samtidig ser vi at det blir gjort veldig mye på feltet, som vil kunne gi flere mulighet til både å kunne ta utdanning i utlandet og få godkjent en slik utdanning. Stortinget behandlet i Internasjonalisering av utdanning. Denne meldingen inneholder mye godt, og jeg vil rose regjeringen for å ha kommet med en så grundig og god melding. Mye er på gang, men det som nå er viktig, er å komme i gang med en praktisk, operativ satsing på området. Her er Fremskrittspartiet utålmodig. Den dominerende verdiskapingen i Norge skjer innenfor områdene olje og gass, maritim og marin, biotek og finans. Alt dette er internasjonale og kompetanseavhengige områder. Globaliseringen og internasjonaliseringen gir enorme muligheter, men det er lenge siden vi trodde jorden var flat. I dag vet vi at jorden er rund, og at den også er svært kupert. Kultur- og språkforskjeller mellom regioner, land og verdensdeler er ofte store, men ikke uoverstigelige hindre. For å makte å komme seg over hindrene kreves internasjonal erfaring, Norske utdanningsmyndigheter må legge til rette for og oppfordre norske elever, studenter og lærekrefter til å benytte seg av de mulighetene som finnes. Vi i Fremskrittspartiet vil understreke viktigheten av at internasjonalisering og elev- og studentutveksling skjer på alle utdanningsnivåer. Det kan være minst like nyttig for næringslivet at elever på yrkesfag får internasjonal erfaring som at kommende akademikere får det. Satsingen på internasjonalisering må intensiveres. Vi har sett en økning i antall utenlandsstudenter, men denne har en klar sammenheng med den generelle økningen i studentmassen i Norge som vi har sett de siste årene. Så andelen som tar studier i utlandet, har egentlig ikke økt. Manglende støtte til førsteåret av bachelorgrader i ikke-vestlige land er noe av forklaringen på nedgangen i antall helgradsstudenter til disse landene. Mange studenter må velge bort disse landene dersom de ikke kan betale for førsteåret selv. Lånekassen gir verken lån eller stipend til førsteåret av Lånekassen gir verken lån eller stipend til førsteåret av bachelorgrader i ikke-vestlige land. Dette har Fremskrittspartiet ivaretatt i sitt alternative budsjett, og det satser vi på at representanten Wickholm registrerer. Det er et framskritt at det nå er mulig for flere å studere i BRIC-landene, men vi må videre. Neste skritt vil være å gi støtte til førsteåret av studier også i andre land som er strategisk og økonomisk viktige for Norge, Japan, Chile, Argentina, Malaysia og USA. Utdanning må bidra til bred internasjonal kompetanse, dannelse, språkferdigheter og kulturforståelse. Dette er innsikt som etterspørres i alle deler av samfunns- og næringsliv. Den viktigste kunnskapsoverføring mellom land skjer fortsatt ved at folk flytter på seg. Derfor bør ambisjonen være å legge til rette for at flere norske elever, studenter og forskere kan reise til andre land, og at vi kan ta imot flere hos oss. Det er viktig å få norske studenter ut, men globalisering går begge veier. Et lite land som Norge er avhengig av innovasjon og verdiskaping, og da må vi også tiltrekke oss kloke hoder fra utlandet. Ofte synes jeg mange nordmenn utviser en ukledelig selvgodhet og arroganse i møte med folk fra andre land. Vi henviser til FN-kåringer om at Norge er verdens beste land å bo i, den norske modellen og framstår som litt både overgitt og sjokkert over at ikke alle tyskere, amerikanere og indere synes Norge er et Utopia. Vi må innse at det er behov for flere tiltak som mer målrettet vil tiltrekke spesiell kompetanse til Norge. Det er nemlig ingen selvfølge at den kompetente arbeidskraften søker seg til Norge. Dette er urovekkende, særlig i en tid Vi må derfor ha flere tanker i hodet samtidig. Våre skal ut, men vi vil òg ha mange av de andre til Norge for å dra nytte av dem. Avslutningsvis vil jeg peke på at det er greit at departementet jobber og har fokus på dette tema. Fremskrittspartiet vil likevel understreke at det er viktig med politisk forankring, og vil derfor fremdeles påpeke behovet for en egen melding om internasjonalisering i utdanning og arbeid – at det vil være nyttig. Det kan være greit med to andre meldinger som er bebudet, men en egen melding på området er det virkelig behov for. Presidenten antar at representanten Bente Thorsen skal fremme et forslag. Forslagene er fremmet allerede. Fremskrittspartiet støtter forslag nr. 1 og 2. Norge er

Det vanligste selvbilde i dag er nok betydelig mer oppblåst. Norge er et nyrikt land, og som de fleste nyrike får vi lett en overdreven tro på egne evner og ferdigheter. Det er ofte et uheldig utgangspunkt i møte med resten av verden. Enda verre blir det om et slikt selvbilde kombineres med manglende språkferdigheter og manglende forståelse for andre lands kultur og tradisjoner. Resultatet kan ofte bli pinlig og flaut, men det kan også bli forferdelig dyrt. Fra min tid som student på Norges Handelshøyskole husker jeg boken En liten, åpen økonomi av Victor D. Norman – som han selv forleste over. Norge har en slik liten, åpen økonomi. Det er ikke bare slik at vi eksporterer og importerer mye. Vi er rett og slett helt avhengige av det. Når mange sier at det er oljen som har gjort Norge rikt, glemmer de noe vesentlig. Det er nemlig eksport av oljen som har gjort Norge rikt. Men også import kan bringe med seg slik velstand – ikke minst når varene som importeres, stadig blir billigere og bedre, slik som klær fra Kina og teknologi fra Korea. Internasjonal handel og varebytte er lønnsomt og bringer med seg velstand for alle som deltar. Det synes kanskje opplagt i dag, men var lenge omstridt – ikke minst på venstresiden i politikken. Først de senere årene har selv utviklingsministre fra SV erkjent at handel er viktigere enn bistand for å utvikle fattige land. Så da er det kanskje bare Senterpartiet igjen, som fortsatt ser på internasjonal handel som en trussel. I denne saken er det viktig å få frem at internasjonalisering er en viktig strategi for Norge – ja, kanskje den aller viktigste for et land med en liten, åpen økonomi. Høyres representantforslag tar opp en rekke forslag om hvordan norsk skole og høyere utdanning kan bli mer internasjonalt rettet, og hvordan norske elever og studenter kan få bedre internasjonale ferdigheter og forståelse. I en globalisert verden vil dette styrke deres arbeidsmuligheter både hjemme og ute og gi norsk næringsliv bedre konkurransemuligheter. En mer internasjonalisert utdanningssektor gjør det også lettere for Norge å ta imot utenlandske elever og studenter som i mange tilfeller tilfører oss talent og kompetanse vi trenger. På samme måte som Norge i dag er avhengig av arbeidsinnvandring, vil vi trenge mer kunnskapsinnvandring til Norge i fremtiden. Derfor har Høyre tidligere fremmet eget forslag om tiltak for å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring som kan sees i sammenheng med forslaget vi behandler i dag. Derfor vil vi senere fremme forslag om hvordan Norge kan få flere internasjonalt fremragende og attraktive kunnskapsmiljøer. Jeg begynte med å sitere tidligere statsminister Lars Korvald fra Kristelig Folkeparti. Min kjennskap til humor i kristne miljøer er noe begrenset, men det var visstnok en bedehuspredikant som en gang sa: Det hjelper ikke bare å si halleluja, du må gjøre det også! Jeg kom på dette utsagnet da jeg leste igjennom svaret fra kunnskapsministeren i denne saken. Som det fremgår av komitemerknadene, er det et langt og fyldig svar som kommenterer alle deler av Høyres forslag på en svært positiv måte. Enigheten om hvor viktig internasjonalisering av skole og høyere utdanning er, er nesten rørende. Men det hjelper lite når kunnskapsministeren ikke mener det er nødvendig å iverksette noen av Høyres forslag. Og til de forslagene som vil kreve økte bevilgninger, skriver statsråden at dette må vurderes opp mot andre prioriteringer i budsjettet. Siden dette svaret ble skrevet i august, og vi i mellomtiden har fått statsbudsjettet, kjenner vi nå fasiten. Ingen av tiltakene er prioritert, og så langt vi kan se, er det heller ingen nye satsinger på internasjonalisering i statsbudsjettet. For oss i Høyre virker derfor kunnskapsministerens positive holdning mer som tomme ord. Hun sier halleluja til internasjonalisering, men hun gjør det ikke. Internasjonalisering handler om strategier og konkrete tiltak, men minst like viktig er det at internasjonalisering handler om bevissthet. Når vi tvinger oss selv til å vurdere alt vi gjør, i et internasjonalt perspektiv, kan internasjonalisering bli gjennomgående og grunnleggende og ikke bare Det er dit Norge må komme, og da trengs det sannsynligvis både nye ideer, bedre løsninger og – ikke minst – vilje. Jeg vil da, hvis det er nødvendig, ta opp de forslagene som Høyre har fremmet – enten alene eller sammen med andre. Representanten Henning Warloe har tatt opp de forslagene han refererte til. Presidenten vil understreke at det også gjelder forslagene nr. 1 og 2, siden representanten Thorsen egentlig ikke tok dem opp. Presidenten vil vise til at alle forslag i innstillingene skal tas opp fra talerstolen, selv om de står i innstillingen. Først en takk til forslagsstillerne som gir oss en mulighet til å diskutere en viktig sak, nemlig hvordan Norge skal bli bedre i stand til å håndtere sterkere integrering og samhandling med andre land i verden. Det pekes på vårt sterke økonomiske forhold til Europa som eksport- og importland, men også på vårt forhold til andre land som det er naturlig å samarbeide med, spesielt relatert til olje- og gassnæringa, marin og maritim eksport og samhandling. Sjøl om Senterpartiet er imot EU-medlemskap, er vi for samhandling med andre land. Som en sjølstendig nasjon med store naturressurser er vi spesielt opptatt av en aktiv europapolitikk og aktivt samarbeid med andre nasjoner – dette for å være med på å ivareta norske interesser globalt. Det er som kjent svært viktig for vår nasjon på flere områder, slik det også er viktig for oss å legge til rette for at næringslivet skal ha levedyktige rammevilkår i Norge – også for bønder. Forslagsstillerne peker på en rekke forhold som skal styrke Norges muligheter i en global verden. Helt åpenbart er språkferdigheter helt grunnleggende for god samhandling med omverdenen. Det er flott at regjeringa har lagt til rette for forsøk med å utprøve et 2. fremmedspråk i barneskolene. Jeg vet at det også er skoler fra mitt eget distrikt som deltar i dette med gode resultater. I ungdomsskolen er det også lettere å legge til rette for fordypning i fremmedspråk både gjennom muligheten for å ta fag fra høyere trinn også gjennom å benytte mulighetene som ligger i valgfagene. Sjøl om erfaringene er gode fra forsøkene, mener Senterpartiet at 2. fremmedspråk ikke må gjøres obligatorisk for alle. Denne diskusjonen har vi hatt tidligere, og kompromisset den gangen ble et fag i ungdomsskolen som ble kalt for fordypning i norsk, engelsk eller samisk. Det var ikke akkurat noen suksess, mens erfaringa med innføring av praktisk arbeidslivsfag, derimot, er svært godt mottatt. Senterpartiet er opptatt av individet og å bygge på det den enkelte eleven mestrer. Det betyr at vi må gi muligheter, men vi skal også ha respekt for at vi er forskjellige. Det betyr at ikke alle skal ha to fremmedspråk i tillegg til hovedmål og sidemål. Det handler om respekt for den enkelte. Så må de som skal ha to fremmedspråk, gis et godt tilbud som gjør dem til funksjonelle brukere av to språk. Jeg har som sikkert mange av oss vært så heldig at jeg har fått erfare hva det vil si å være tett på en utvekslingsstudent, ikke i egen person, men et av mine barn. Det vil si: Hun var ute i videregående, bodde i egen familie i et av BRIC-landene og lærte et språk hun ikke kunne fra før. Våre erfaringer er gode, også når det gjelder oppfølginga fra lokal skole både under og etter oppholdet. er at det er flere på studiespesialiserende linjer som søker seg til utveksling, enn det er fra yrkesfagene. I utgangspunktet mener jeg at alle elever hadde hatt godt av et år «utabygds», som vi sier på Hadeland, men det må sjølsagt være opp til den enkelte. Forslagsstillerne ønsker at regjeringa skal vurdere hvordan vi skal stimulere til at flere reiser ut – og da spesielt fra yrkesfaglig studieretning. jeg har tro på at gjentakelser av gode eksempler kan smitte positivt til andre, vil jeg fortsette å bruke gode eksempler fra mitt eget distrikt. I Oppland har det nemlig i mange år vært et eget servicekontor for internasjonal utveksling for yrkesfagelever. Kontoret drives nå av Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Som mor ble jeg faktisk veldig overrasket over at de sender ut egne brev til og oppfordrer dem til å søke om utveksling for en kortere eller lengre periode. Det betyr at det er store muligheter i den enkelte fylkeskommune dersom fylkeskommunen faktisk vil. Så til høyere utdanning. Det er flott at utenlandske studenter kommer til Norge for å studere. Vi trenger denne kulturutvekslingen. Noen blir i landet, andre reiser hjem til sine land med erfaring fra Norge og norsk kultur og med de bånd som er Det samme gjelder behovet vi har for at flere norske studenter velger utenlandsstudier. Mange av universitetene og høgskolene har utvekslingsordninger og tett samhandling med utdanningsinstitusjoner i andre land. Dette gjelder både på studentnivå og lærernivå. Men vi trenger også studenter som reiser til utlandet for å ta både hele bachelorgrader og mastergrader. Disse kommer gjerne tilbake til Norge og har en merverdi i form av kompetanse, med kjennskap til både andre kulturer og andre måter å tenke på. Det er verdifullt for Norge. Jeg har til slutt lyst til å trekke fram et godt eksempel på hva som gjøres i deler av universitets- og høgskolemiljøet i dag. Høgskolen i Gjøvik, med 300 ansatte, har ansatte fra 25 ulike land. Det er rimelig internasjonalt, særlig med tanke på at de har en studentmasse på 3 000. En kan lett forestille seg hva det gir derfor kanskje heller ikke helt tilfeldig at Høgskolen i Gjøvik, på tross av sin størrelse, også er en av få høgskoler som har koordineringsansvar for et av EUs La meg ta noen eksempler på hvordan internasjonalisering har styrket seg på høyere utdanningsområdet i løpet av de senere årene. For det første har antallet internasjonale fellesgrader steget fra 15 i 2009 til 31 i 2011. Flere nye utlysninger til slike fellesgrader i 2012 gjør at vi kan forvente en fortsatt stigning. For det andre: De siste årene har det også vært en jevn vekst i norske læresteders tilbud om engelskspråklige emner, fra i underkant av 3 200 i 2008 til nesten 4 300 i 2011. For det tredje: I undervisningsåret 2010–2011 var det til sammen drøyt 14 000 norske gradsstudenter på lånekassestipend i utlandet. Dette er en økning på over tusen fra studieåret før, og det høyeste antallet siden toppårene 2001–2002 og 2003–2004, da det var rundt 15 000. For det fjerde: Tall fra Statens lånekasse for utdanning viser at når det gjelder antall norske studenter som reiser til USA for å studere, har økningen vært på over 50 pst. i løpet av de siste fire årene. Det er en markant økning. Oppfølgingen av den internasjonaliseringsmeldingen som det vises til i dette forslaget, har bidratt til å øke bevisstheten om betydningen av internasjonalt samarbeid i det norske utdanningssystemet, og løftet fram aktuelle problemstillinger. Dette gjelder bl.a. forholdet mellom nasjonale og internasjonale perspektiver på utdanningsfeltet. Slik jeg vurderer det, er tiden nå moden for at internasjonale spørsmål i større grad en integrert del av en helhetlig politikk for økt kvalitet og relevans i norsk utdanning. Dersom vi skal lykkes med det, er jeg ikke overbevist om at særskilte meldinger om internasjonalisering er veien å gå, for det vil raskt ses på som et eget perspektiv på siden av det andre, og ikke nettopp integrert i en helhetlig tilnærming, som vi er ute etter. I stedet må vi hele veien insistere på at det internasjonale perspektivet er en del av det som vi i dag omtaler som nasjonal politikkutvikling. I den forbindelse er regjeringen også opptatt av at internasjonalisering av kunnskapsfeltet skal ses i hele sin bredde. De senere årene har vi bl.a. gått aktivt inn for tydeligere koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid og hvordan vi kan styrke forholdet mellom utdanning, forskning og innovasjon. Dette er viktige temaer som vil bli grundig drøftet i den nye forskningsmeldingen, hvor vi nettopp legger opp til at internasjonalisering skal være et gjennomgripende perspektiv. I komitéinnstillingen etterlyses tiltak for å stimulere til utveksling av elever på yrkesfaglige studieretninger. Her har det skjedd mye, og jeg vil bl.a. framheve arbeidet som gjøres av Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU. Som et ledd i oppfølgingen av internasjonaliseringsmeldingen, har SIU som kjent fått en ny og utvidet rolle som kompetanse- og servicesenter også på grunnopplæringsområdet. SIU jobber systematisk med å formidle hvilke utvekslingsmuligheter som finnes for elever innenfor yrkesfag. Her står særlig ordninger knyttet til europeisk utdanningssamarbeid stadig mer sentralt – ikke minst ulike mobilitetsordninger innenfor går direkte på samarbeid innenfor fagopplæring og yrkesutdanning, og er et særlig viktig virkemiddel for internasjonalisering av yrkesfagene. Siden 2008 har antallet norske deltakere økt fra 675 til 920, dvs. med 36 pst. og vel så det, og det betyr at her er det noe som er i ferd med å få en betydelig større interesse. Når det gjelder tiltak for å fremme økt mobilitet innenfor yrkesfagene, vil jeg også framheve at regjeringen har gjennomgått regelverket for godkjenning av opplæringstid i utlandet. Ny forskrift til opplæringsloven om fastsettelse av regler for godkjenning av hele utenlandske opplæringsår på Vg1- og Vg2-nivå, gjeldende fra 1. august 2012, imøtekommer eventuelle vansker elever og lærlinger innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan ha opplevd tidligere når det gjelder godkjenning av opplæringstid i utlandet. Når det gjelder rådgivernes kompetanse og ansvar for å gjøre regelverk og annen relevant informasjon kjent, slår opplæringsloven fast at alle elever har rett til nødvendig utdannings- og yrkesrådgiving. Regjeringens utgangspunkt har vært at det første året av de er å vurdere på nivå med høyere utdanning i Norge, og gir derfor heller ikke uttelling i form av studiepoeng. Jeg kan sikkert utdype dette i en replikk. Det regner presidenten med at statsråden kan, for det blir nemlig replikkordskifte. I sitt fyldige svar på dette representantforslaget viste statsråden til at SIU siden 2010 har jobbet systematisk etter en intern plan i sitt arbeid med internasjonalisering i grunnopplæringen. Det vises òg til at det har vært et samarbeid mellom SIU og Utdanningsdirektoratet om et utkast for internasjonalisering i grunnopplæringen, som for tiden er til behandling i departementet. Da er mitt spørsmål: Når kan vi forvente at denne planen blir ferdig og implementert i skolen? Jeg tror ikke jeg tør å si én fast dato for når dette vil være ferdig og implementering og gjennomføring i skolen vil alltid ta lite grann tid. Men det er jo fyldig redegjort for i svaret som komiteen har fått på dette området, at det har vært et systematisk arbeid, og at det er god driv i det. Jeg håper at det kan komme med det Jeg tror statsråden skulle til å si noe om det såkalte freshman-året i andre land og økonomisk støtte til norske studenter som tar det som start på studiene sine. Så vidt jeg husker, la regjeringen i statsbudsjettet for 2012 inn midler til et visst antall studenter i de såkalte BRIC-landene. Det var vel nærmest å betrakte som en håndfull studenter som får økonomisk støtte til å gjennomføre studier i disse landene, som selvfølgelig er viktige for Norge fordi det er de store viktige økonomiene som vokser frem nå. Men jeg har heller ikke sett at det er fulgt opp med flere midler til flere studenter. Er det slik at statsråden er stolt og fornøyd eller i alle fall en av delene – når det gjelder de 17 studentene, eller hva det var, som det var bevilget penger til i inneværende års budsjett? De endringene vi har gjort, har vært godt begrunnet, også fordi det har vært snakk om land der betydelige deler av undervisningen foregår på et språk som norske studenter har vanskelig for å ha god kjennskap til på forhånd. Dette er jo en stadig tilbakevendende utfordring for oss, for når det gjelder de landene som har fireårige bachelorgrader, har regjeringens utgangspunkt vært at det første av disse fire årene ikke vurderes å være på nivå med høyere utdanning i Norge og heller ikke gir uttelling i form av studiepoeng. Det er en nivåvurdering som det har vært enighet om i Bologna-prosessen, så Norge er ikke alene om det. Men vi har likevel gjort enkelte unntak, som representanten Warloe har vært inne på, når det gjelder støtte til førsteårsstudenter. Det gjelder for studier ved enkelte læresteder i USA av høy kvalitet, som omfattes av ordningen med tilleggsstipend, og det dreier seg om støtte til BRIC-landene. Jeg mener at de virkemidlene… Representanten Warloe har bedt om da antar presidenten at statsråden kan ta resten i sitt neste svar. Det setter jeg pris på. Jeg hadde egentlig et nytt tema, men jeg skal forsøke å kombinere dette, for det hadde vært interessant å høre statsråden si noe om hvilke fremtidsperspektiver hun har når det gjelder norske studenter i utlandet, først og fremst da kanskje i disse BRIC-landene, som er en konkret øremerket bevilgning som allerede er satt i gang, og som vil kreve oppfølging dersom man virkelig ønsker at flere norske studenter skal velge utdanning der. Så kort om det neste temaet: EUs nye program – «Erasmus for alle» vil sannsynligvis bli det norske navnet – har ganske ambisiøse fremtidsplaner når det nå debatteres og kanskje vedtas allerede i slutten av denne måneden. øker med 70 pst., og antall utvekslingsstudenter/-elever – ungdommer – blir sannsynligvis doblet, til hele 800 000. Vil Norge klare å henge med i den voldsomme veksten som det legges opp til i EU? La meg bare avslutte denne diskusjonen om freshman-året, for jeg mener at vi har gode argumenter for å si at det første fire år i en bachelorutdanning egentlig tilsvarer et nivå på Vg3 i Norge. Likevel er det jo sånn at vi hele veien må vurdere de virkemidlene vi har fordi vi ønsker økt internasjonalisering når det gjelder høyere utdanning. Derfor mener regjeringen at det er viktig å se på de systemene vi har, være overordnet de vurderingene vi gjør av hvilke nivåer det skal være. Så om Erasmus-programmet og fornyelse av det. Vi har jo et stort antall elever og studenter som har interesse av å ta deler eller hele studiet i utlandet. Jeg tror ikke vi kommer til å ha så store utfordringer med det. Utfordringen er kanskje mer å få spredt det på litt flere land enn det som ungdommens interesser retter seg mot nå. Flere har ikke bedt om ordet til replikk. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Kunnskapsbygging er en forutsetning for at vi i Norge i fremtiden skal kunne være mer innovative, jobbe smartere og opprettholde vår konkurranseevne. Derfor er kunnskapsbygging også helt avgjørende for at Norge skal kunne opprettholde sin velferd. Samtidig erfarer vi at Norge i stigende grad er avhengig av import av ulike typer arbeidskraft. Det er vanskelig å forestille seg hvor norsk byggenæring ville vært i dag uten polske bygningsarbeidere, eller hvor olje- og gassnæringen og leverandørindustrien ville vært uten utenlandske ingeniører. Global kunnskapsdeling er et faktum, og kunnskap utmerker seg på den måten at jo mer vi deler, jo mer kunnskap kommer det ut av dette. For et lite land som Norge, og med en verdiskaping som i aller høyeste grad er kunnskapsdrevet, er det av største betydning at vi har en offensiv tilnærming til internasjonalisering – fordi vi har alt å tjene på det. Det er bakgrunnen for at Høyre ønsker sak om status for de internasjonaliseringstiltakene som ble skissert i St.meld. nr.14 for 2008–2009, og det er også begrunnelsen for at vi mener Norge trenger en oppdatert strategi for internasjonalisering av utdanning og arbeidsliv. Et mer grenseløst arbeidsmarked har åpnet nye muligheter også for oss nordmenn. Det norske utdanningssystemet må legge til rette for at unge mennesker finner det attraktivt å søke jobb utenlands. Det innebærer at vi må tilby relevant språkopplæring, og vi må stimulere til at enda flere norske elever og studenter deltar i utvekslingsprogrammer. Høyre er her opptatt av at elever på yrkesfag i større grad inkluderes i slik utveksling. Høyre mener også at det er viktig med tiltak for mer forutsigbare bedre støtteordninger fra Lånekassen for elever i videregående skole som ønsker å ta et semester ute. Det er noe puslete over regjeringens ambisjoner for utenlandsstudenter. Høyre finner det helt uforståelig at regjeringen i 2013-budsjettet ikke følger opp og innfører studiestøtte for førsteårsstudenter på bachelorprogrammer i alle ikke-vestlige land og USA. Det ville vært en viktig investering for fremtiden, men Høyre konstaterer at her svikter regjeringen igjen det til tross for avtaler med USA, der vi skal samarbeide mer om både forskning og utdanning. Internasjonalisering av utdanning står høyt på EUs dagsorden, som det har vært sagt her, bl.a. i replikkordskiftet. Vi kjenner ikke det økonomiske omfanget av den europeiske satsingen – hva det til syvende og sist blir – men vi vet at EU har skyhøye ambisjoner for det foreslåtte programmet for utdanning, ungdom og sport. De norske ambisjonene kan ikke være dårligere. Vår økonomisk gunstige situasjon skulle tvert imot tilsi at vi satser enda mer på internasjonalisering på utdanningsområdet for å gjøre norsk ungdom enda mer attraktiv i møte med et arbeidsliv som etterspør høyt kvalifisert arbeidskraft. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Dette er en interpellasjon som jeg er glad for at vi

møter. Det er heller ikke sånn at regjeringen har vært uvirksom på dette området. Tidligere statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, fulgte opp flere av våre forslag, og det fortjener regjeringen honnør for. Likevel er vi ikke i mål. Det er fortsatt hindringer i veien for at vi skal nå målet om at studenter skal kunne kombinere rollen som student og forelder på en best mulig måte. Jeg håper at vi gjennom denne debatten skal kunne komme ett skritt nærmere. Mitt hovedmål er at studenter som blir gravide, må sikres praktisk og økonomisk støtte slik at de både får mulighet til å fullføre svangerskapet og ha en mest mulig normal progresjon i studiene. Samfunnet gir motstridende signaler når det gjelder kvinner og graviditet. Det er en forventning om at kvinner skal kunne få barn tidlig, men samtidig legger ordningene opp til det stikk motsatte. Heldigvis er det nå mange flere kvinner som tar høyere utdanning. Flere kvinner tar lange utdanningsløp, noe som tilsier at de må kunne ha muligheten til å få barn mens de ennå studerer. Enslige mødre må ha en reell rett til å ta den utdanningen de selv ønsker. Det trengs bedre tilrettelegging for studentfamilier for å få mer likestilling mellom mannlige og kvinnelige studenter. Derfor bør det også gis rett til pappapermisjon for studenter, for også studerende pappaer ønsker og har behov for nærvær med sitt barn. I Soria Moria II har regjeringen stadfestet at de vil styrke finansieringen for studenter med barn. Foreløpig har ikke regjeringen gjort noen store grep for å bedre økonomien til studenter som har barn. Det er flere økonomiske forhold som gjør situasjonen vanskelig. Arbeidstakere som får foreldrepenger fra Nav, har i dag krav på 47 uker permisjon med 100 pst. dekning. Foreldrestipend i Lånekassen gis derimot bare i 44 uker, noe som er tre uker mindre. Her burde det vært et likeverdig tilbud. Vi mener det er en selvfølge at barn av studentforeldre også skal ha rett på tid sammen med sine foreldre. I dag er det ikke mulig for studenter med barn å motta foreldrestipend fra Lånekassen om ektefellen eller samboeren mottar foreldrepenger fra Nav. Dersom far skal få foreldrestipend, kan ikke mor ha mottatt foreldrepenger fra Nav samme semester, og omvendt. Det er her viktig å presisere at foreldrestipendet kun er en fullstipendiering, og derfor ikke er noen reell endring eller bedring av økonomien til den enkelte i gjeldende periode. Det fullstipendieringen fører til, er at studenten ikke skal behøve å få økt lån for perioder i studietiden hvor hun eller han ikke har mulighet til å avlegge studiepoeng. Jeg mener vi må innføre bedre studiefinansieringsordninger for studenter i foreldrepermisjon, bl.a. gjennom å gi studenter som får barn, rett til en overgangsstønad uten at stipendet blir gjort om til lån. En stor utfordring som mange av de studentene jeg har snakket med, påpeker, er den såkalte 6-månedersregelen. For å ha rett på foreldrestipend i Lånekassen må studenten ha rett til støtte fra Lånekassen i de siste seks månedene før fødsel. Grunnlaget for regelen er at en skal unngå muligheten for å melde seg opp som student bare for å få foreldrestipend fra Lånekassen. Det krever en særskilt god familieplanlegging dersom man ikke skal risikere å bli rammet av denne regelen. Jeg mener det bør vurderes om regelen kan gjøres mildere gjennom å senke kravet til tre måneder i stedet for seks. På denne måten hindrer vi at ordningen misbrukes, samtidig som studentene i større grad vil sikres den nødvendige økonomiske støtten. Personer som får barn etter endt studium og før de har opparbeidet seg seks måneders opptjening i arbeidslivet, får ikke støtte fra Lånekassen siden de ikke er studenter lenger, og de får heller ikke foreldrepenger fra Nav fordi de ikke har jobbet lenge nok. Disse mottar i dag kun engangsstønad, og kan søke om Foreldrestipend gis i dag i opp til 44 uker, og en student som har avsluttet sin utdanning, beholder sin studentstatus fram til neste semester begynner. Men studenter som får barn etter siste eksamen, men før studentstatusen opphører, får derfor i dag foreldrestipend bare fram til 14. august, men ikke lenger. Det må sikres bedre ordninger i overgangen mellom studium og arbeid. Studenter bør ha rett på fullt foreldrestipend så lenge de hadde studentstatus da foreldrestipendet først ble innvilget. Studenter som får barn etter siste eksamen, men før 14. august, bør motta foreldrestipend i fulle 44 uker. Studenter som har termin etter 14. august, bør dekkes av Nav på lik linje med arbeidstakere med full opptjening. Jeg mener også at det bør innføres andre og bedre studiefinansieringsordninger, som bl.a. å innføre tolv måneders studiestøtte for foreldre med barn. Et annet tiltak har Kristelig Folkeparti i sitt alternative budsjett. Et økt skattefradrag per barn som utbetales kontant til dem som ikke betaler skatt, ville også vært en hjelp til denne en økning av engangsstøtten, som Kristelig Folkeparti gjør i sitt alternative budsjett, en dobling, også ha vært med på å hjelpe denne gruppens økonomi. Det kan være vanskelig å skulle ha en deltidsjobb eller sommerjobb som gir nok inntekt i sommermånedene, da også mange barnehager er stengt. Også barn av studentforeldre har rett til å ha sommerferie sammen med foreldrene sine. Jeg vil også legge til at familiepolitisk begrunnede skattefradragsordninger bør vi vurdere å målrette i sterkere grad mot en-inntektshusholdninger med svak økonomi. Og dessuten: Ved barns sykdom eller egen sykdom er støtteordningene dårlig tilrettelagt for studenter. I dag må studenter enten være helt friske og motta stipend og låneordninger under normale forutsetninger, eller være sykemeldt på heltid og motta sykestipend. Vi har i en periode hatt unntak fra denne regelen, men det er et unntak som burde vært gjort permanent. Muligheten for å få gradert sykemelding åpner for at en kan ta de studiepoengene som familie- og helsesituasjonen ville ha tillatt. Det ligger også et stort ansvar på Studenter med barn som skal ut i obligatorisk praksis, vil i sterkere grad ha behov for særskilt tilrettelegging for å få praksisplass nær hjemstedet. Studenter med barn som skal ut i obligatorisk praksis, må prioriteres i køen for å få praksisplass nær hjemstedet. Krav til obligatorisk oppmøte samt at undervisningen skal foregå sent på ettermiddag eller kveldstid, gjør det vanskelig for studenter med barn å oppfylle kravene. Her kan studiestedene bli mye bedre til å tilrettelegge. Det må også vises større fleksibilitet i overgangen mellom studier og foreldrepermisjon, både for studentmødre og studentfedre. Det er sånn at termindatoen sjelden følger studieåret og semesterinndelingene, og det er vanskelig for en studentforelder å komme tilbake til studiet midt i et semester. Dette krever igjen fleksibilitet og tilrettelegging fra studiestedets side. Et hovedinntrykk i helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter i Trondheim fra 2007 er at studenter skal være aktive. La meg få med det som et siste punkt: Studenter skal være med på studentkvelder, de skal gå på konserter og generelt delta i det kulturelle og sosiale som skjer i samfunnet. Dette er aktiviteter som krever bruk av penger, og man får inntrykk av hvilken betydning det å være sosialt aktiv student har, i og med at dette ser ut til å være noe studenter prioriterer. Studenter sier at de i dag må ha en deltidsjobb for å ha råd til å være sosialt aktive. Studenter med barn har verken tid eller råd til å være med på viktige sosiale sammenkomster for mener jeg også det at må være økonomisk mulig for foreldre med barn å være heltidsstudenter – å kunne være ordentlige studenter og delta i sosiale aktiviteter. Regjeringen mener det er

viktig at alle foreldre og barn har mulighet til å være sammen. Det gjelder for dem som er i jobb, og det gjelder for dem som er studenter. Fremdeles er det kanskje sånn at studenttilværelsen er litt mer fleksibel enn arbeidslivet er. Jeg synes kanskje at interpellanten Dagrun Eriksen også kunne tatt med at det faktisk fins noen fordeler ved å ha barn mens man er student. I hvert fall når det tilrettelegges, er det mulig å gjøre ting fleksibelt og nettopp klare å tilpasse livet som student til også det å ha ansvar for barn. Det kan være vanskeligere å få et arbeidsliv med f.eks. striktere arbeidstider til å gå i hop. var bare en liten visitt innom de lyse sider av livet! Regjeringen ønsker selvfølgelig å styrke det som er tilbudet til studenter med barn. Vi har gjort en del, men jeg er enig med interpellanten i at det er mer igjen, særlig når det gjelder å få ulike ordninger til å passe sammen og få fleksibilitet til å kunne studier, selv om kanskje ikke alt har gått akkurat sånn som en hadde planlagt det. Vi har nevnt gruppen studenter med barn spesielt i Soria Moria II, og vi har gjort en del endringer, men det gjenstår, som jeg har sagt, fremdeles arbeid på dette området. Det fins flere særordninger for studenter med barn i dagens utdanningsstøtteordning. Studenter som får barn under utdanningen, får foreldrestipend, som har mange likheter med foreldrepengeordningen i arbeidslivet. Dette er en ordning der all utdanningsstøtte gis som stipend i ca. ett år etter fødselen. Studentforeldre har full frihet til å fordele denne perioden mellom seg. Studenter med barn har også rett til forsørgerstipend i tillegg til vanlig utdanningsstøtte. Regjeringen har, som jeg har vært inne på, gjennomført noen forbedringer, og til nå har vi vært opptatt av å gjøre endringer for dem av studentforeldrene som har særskilte behov. Vi har bl.a. utvidet perioden med rett til foreldrestipend og hevet aldersgrensen for rett til sykestipend når barna blir syke. Det er også i statsbudsjettet for 2013 foreslått to mindre tiltak for studenter med barn. Disse forslagene er viktige for dem som er berørt, selv om det ikke omfatter så mange i antall. Studenter med barn har i dag, på lik linje med alle studenter, muligheten til å få gradert sykestipend dersom de blir 50 pst. sykmeldt eller mer. Ordningen med gradert sykestipend ble innført som en midlertidig ordning høsten 2011, som følge av terrorangrepene 22. juli 2011, og den gjelder for alle studenter. Det er foreslått å videreføre ordningen ut kalenderåret 2013. Studenter med barn er en stor gruppe med ulike behov for tilpasninger. Studentforeldre kan f.eks. ha behov for mer støtte fordi de har forsørgeransvar for flere enn seg selv. Et generelt løft som gir mer til alle, koster selvfølgelig mer over statsbudsjettet og er ikke alltid like treffsikkert. Det er viktig når nye tiltak diskuteres at man holder det – hva skal man si – generelle, universelle, opp slik at studenter med ulike behov og ulik økonomi kan bære det å få barn mens de studerer. Nettopp dette må være med i diskusjonen. Jeg vil understreke at jeg selvfølgelig er opptatt av å lytte til det studentorganisasjonene og studentforeldrene kommer med av innspill, og jeg vil se nærmere på de sakene som representanten Dagrun Eriksen har understreket i denne interpellasjonen, og på andre eksempler jeg får, for å se hvordan vi kan gjøre dette bedre. Utdanningsstøtten må også ses i sammenheng med andre velferdsgoder for studenter med barn – som billigere studentbarnehager, studentboliger og studentrabatter. Videre gjelder også andre støtteordninger som ikke ligger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde, men som også studentene har tilgang til, engangsstønad i forbindelse med fødsel – som interpellanten var inne på – og barnetrygd, barnebidrag, kontantstøtte og overgangsstønad for enslige forsørgere. Regjeringen er opptatt av å sikre studentene tydelige rettigheter og endret derfor i 2008 universitets- og høyskoleloven § 4–5 første ledd for å sikre like rettigheter for alle studenter som får barn i Bestemmelsen gir alle studenter rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn. Videre er det presisert i loven at studenten fortsatt har status som student ved institusjonen mens han er hjemme i permisjon, og han har også rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Dette har vært veldig viktig når det gjelder hvordan institusjonene innretter seg. Bestemmelsen gir også departementet hjemmel til å gi en forskrift om regler for utsatt eksamen ved fødsel, og departementet er kjent med at enkelte institusjoner allerede har lokale regler for dette. Gjennom loven er universiteter og høyskoler pliktige til å legge til rette for at studenter som er i permisjon, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter fødselen. I 2008 ble det også gjort endringer i forskrift om studentsamskipnader, slik at studenter i kan velge å betale semesteravgift, noe som gir tilgang på studentsamskipnadens mange velferdstilbud også i permisjonstiden. Fleksibilitet i studiene er viktig for studenter med barn som ikke har mulighet til å tilbringe full tid på et studiested. Mange norske høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr allerede i dag fleksible studietilbud, f.eks. nettstøttede samlingsbaserte tilbud. I tillegg gjør den utbredte bruken av digitale læringsplattformer at studenter har tilgang på læringsressurser og kan bidra i diskusjoner på nett – uten å være til stede på studiestedet. For å gjøre en større del av det som tilbys av høyere utdanning i Norge mer tilgjengelig og fleksibelt, ble full utrulling av eCampus-programmet iverksatt fra 2012. Programmet er utviklet for å gjøre eksisterende utdanningstilbud og læringsressurser tilgjengelige i stor skala. Representanten Dagrun Eriksen tar også opp problemstillinger når det gjelder de studiene der det er obligatorisk – en plikt – å delta i praksisperioder. Dette er av de henvendelsene jeg kan få når det gjelder studenter som har ansvar for barn, for både kan det være praksis ved ulike arbeidssteder, og det kan være ulike arbeidstider, så det kan være ganske krevende å få det til i kombinasjon med omsorg for mindre barn. Det er en problemstilling jeg mener at utdanningsinstitusjonene bør være mer oppmerksomme på enn man har vært til i dag, og vise fleksibilitet med hensyn til hvordan man tilrettelegger for at småbarnsforeldre – kanskje særlig enslige forsørgere blant studentene – kan få tilrettelagte tilbud som gjør at de kan fullføre en utdanning. Ofte er dette også det er veldig stort behov for arbeidskraft, så når det gjelder dette, vil dere være mange som tjener på en større grad av fleksibilitet. Jeg tar med meg eksemplene – særlig der man ser at det er ulike støtteordninger som i en periode ikke treffer for studenter. Vi har flere eksempler på perioder da studenter kan være i et slags sårbart mellomfelt på dette området. Jeg skal se nærmere på hva vi kan gjøre med dette. Disse forholdene som her tas opp, er selvfølgelig også et budsjettspørsmål. I tillegg er jeg opptatt av et perspektiv som representanten Dagrun Eriksen har, nemlig at det er ikke alt i livet vi klarer å detaljstyre helt ned til siste dato. Vi må ha løsninger som gjør det mulig å håndtere gode nyheter på et litt uplanlagt tidspunkt. Det er mitt inntrykk at man er mye flinkere til det nå enn man var tidligere. Der man har vært flinke til å tilrettelegge for studenter som har barn, har de også noen fordeler i forhold til dem som er helt nyutdannet og skal jobbe seg inn i et nytt arbeidsmiljø, og som i tillegg har utsatt tanken på å få barn til da. Så for meg er det viktig at vi klarer å få dette til passe godt sammen, og at alle gledelige nyheter skal være gledelige også i de praktiske detaljer.

Jeg tror diskusjoner som dette – der vi får lov til å se de forskjellige ordningene, se hullene og diskutere oss litt sammen til hvor det er vi må sette inn støtet – kan føre til noe bra. Hvis denne statsråden tar utfordringen like godt som sin forgjenger Tora Aasland, har jeg også håp om at vi vil se resultater – ikke bare gode ønsker – når det gjelder dette. La meg ta opp et poeng som jeg ikke tok opp i La meg ta opp et poeng som jeg ikke tok opp i min innledning, og som heller ikke statsråden berørte, nemlig forholdet til barnehager. Barnehagene lå tidligere under Familiedepartementet, mens studentbarnehagene fikk et ekstra tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Etter at barnehageforliket kom og man senket foreldrebetalingen i de ordinære barnehagene, så Kunnskapsdepartementet ikke like stort behov for å beholde det ekstra tilskuddet man hadde til studentbarnehagene. Vi har i tillegg nå lagt barnehagene inn i kommunerammene. Da ser man at en del av de studentbarnehagene som har overlevd, og som samskipnadene har hatt ansvaret for, har fått økonomiske utfordringer å kunne fortsette det spesielle tilbudet som studentbarnehagene har. SiO har f.eks. sett seg nødt til å legge ned 95 barnehageplasser. Dette er ganske alvorlig for de studentene som er avhengig av det tilbudet som studentbarnehagene gir, for studentbarnehagene er annerledes enn andre barnehager. De tar hensyn til studentforeldrenes særskilte situasjon, med tilbud om kvelds- og lørdagsbarnehage til alle studenter som har barn i barnehagealder, uavhengig av om barnet har sitt ordinære dagtilbud i en studentbarnehage. Tilbudet skal sikre at studenter kan delta i kollokviegrupper, studere i eksamensperioder og få praksis, som kan være forskjellig. Barnehagene gir også eksamensgaranti ved å gi tilbud om at syke barn blir ivaretatt i barnehagen eller i hjemmet i eksamensperioder og på eksamensdagene. Barnehagene legger også til rette for nettverksbygging mellom studentfamilier med små barn, noe som kan være avgjørende nettopp i den perioden. Det legges til rette for sosiale sammenkomster på ettermiddags- og kveldstid, der det er ansatte i barnehagene til stede som kan være sammen med barna. Jeg tror det er ganske avgjørende at vi får til et fleksibelt barnehagetilbud. Derfor har jeg lyst til å utfordre statsråden på om det er tanker og refleksjoner i Kunnskapsdepartementet om å gjeninnføre et spesielt tilskudd til studentbarnehagene. Nå er jo barnehagene flyttet over til Kunnskapsdepartementet, så man har kanskje en større mulighet til å kunne se den sammenhengen. Det tror jeg hadde vært en god hjelp. Samskipnadene har ofte tatt dette opp med komiteen. Jeg tror det hadde gitt en ekstra hjelp til studentforeldrene.

er i et miljø hvor de er kjent. De problemstillingene som representanten Dagrun Eriksen tar opp nå, har jeg selvfølgelig også hørt fra studentsamskipnadene. Det er riktig at siden det generelle barnehagetilbudet har blitt mye bedre og mye rimeligere, har noe av behovet for en egen støtteordning for studentbarnehager blitt mindre. Jeg skal ta denne diskusjonen med samskipnadene også, for vi har jo dialog meg litt om hvordan utviklingen i studentbarnehagene er, og hva slags fleksibilitet de kan tilby innenfor de rammene de har. Så kan jeg heller på et senere tidspunkt komme tilbake til hvordan vi i tilfelle kan følge opp dette. En av utfordringene vi da fort kommer i, er at også andre yrkesgrupper gjerne vil ha den typen tilrettelegging – man kan vel ikke kalle og har gode begrunnelser for det. Da bør kanskje Kristelig Folkeparti i mellomtiden rydde litt opp i hva de egentlig mener om kveldsåpne barnehager. Det kan jo ikke være sånn at det er et fantastisk godt kvalitetstilbud til studenter, men et overgrep mot barn som f.eks. har foreldre som jobber på Gardermoen eller andre steder i Vi har vært innom mange viktige forslag, og hver for seg koster ikke de nødvendigvis all verden. Her dreier det seg om å se litt hvordan man kan gå igjennom de støtteordningene som finnes. Jeg registrerer at med unntak av studentbarnehagene, ligger det heller ikke konkrete forslag inne i Kristelig Folkepartis alternative budsjett til dette. Her tror jeg faktisk

Dette gjøres med gode permisjonsordninger og full barnehagedekning, med ordninger som gjør at det går an å ha familie og samtidig ha andre oppgaver, som arbeid og studier. At denne politikken virker i Norge, er det ingen tvil om. Antall barnefødsler i Norge ligger godt over tall fra Sør-Europa, hvor særlig kvinner må velge mellom arbeid, studier og familie. Vi må være villige til å foreta endringer der det er behov for det. I dag sier veldig mange kvinner: Jeg vil først ha fast jobb, og så vil jeg gjerne ha barn. Derfor utsetter kanskje for noen det å stifte familie litt for lenge – lenger enn de ønsker. Det er viktig å legge til rette for at man kan få barn i studietiden, først og fremst fordi barn og familie er et gode i seg selv, men også fordi samfunnet trenger hvert eneste barn. Det tilsier den demografiske utviklingen. Det blir flere og flere eldre i dette landet. Der det rundt 1970 var fire yrkesaktive bak hver pensjonist, vil det i 2030 være om lag to. Det påvirker generasjonsregnskapet. Det er samfunnets liv: Det går ut på at vi får fra staten når vi er unge, at vi betaler inn til fellesskapet når vi har sterk rygg og kan arbeide, og at vi får igjen når vi blir seniorer. Dette regnskapet må gå i hop. Skal vi finansiere velferdssamfunnet for våre barn i framtiden, bør vi ha flere barn samtidig som vi håndterer arbeidsinnvandring på en klok måte og har politikk som gir arbeid til alle. Høyresiden har et annet syn på tilrettelegging for familien. De vrir midlene fra gode ordninger i fellesskapet til løsninger som ikke garanterer for familiens muligheter til å ha barn – eksempelvis ved dyrere barnehager, som var en del av den forrige regjeringens politikk. Høyresiden kaller dette nye ideer og valgfrihet. Men det høyresiden ikke sier, er at det ligger ingen valgfrihet i det å ikke ha et fellesskap som sikrer familien. Har man for dyre barnehageplasser, har man ikke noe å velge mellom. Det er synd at Kristelig Folkeparti har valgt å ikke støtte et regjeringsalternativ som i det store sikrer familien, men støtter ideer om gamle løsninger. Jeg lurer på hva kan garantere i familiepolitikken – herunder for studenter – i en løsning med en ny regjering. Statsråden har på en fin måte redegjort for de løsninger som vil bidra til at flere kan få barn i studietiden. Jeg gjentar ikke dem. Løsningene er bra og sikrer valgfrihet for en gruppe mennesker som ønsker å velge en annen vei enn det vi ser på som den tradisjonelle, eller vanlige, når det gjelder det å stifte familie. Samtidig nevner hun at det gjenstår arbeid, og jeg synes det særlig er tiden med barna det gjenstår arbeid med – at familien skal få tid sammen. Ved at vi har endret den generelle familiepolitikken, blir vi troverdige i det vi nå sier vi vil gjøre for studentene. Først og fremst ønsker jeg å takke interpellanten for å ta opp denne problemstillingen. Dette er et tema som er utrolig viktig og

utdanning. Denne veksten i antall studenter kommer ikke bare på grunn av at det er flere som går ut av videregående, og som ønsker å studere. Stadig flere voksne, og andre grupper, ønsker å ta videre- og etterutdanning, fylle på utdanningen eller ta annen utdanning som de ikke har fått mulighet til tidligere. Denne trenden gjør at den typiske studenten ikke lenger er som kommer rett fra skolebenken, men det er også veldig mange kvinner i alle aldre – kvinner og menn, selvfølgelig – også med barn, eller i en helt annen livssituasjon enn det man kanskje var vant til tradisjonelt sett. Det gjør også at man må se på regelverk og lovverket, på hvordan disse studentene blir ivaretatt, og hvordan man kan tilpasse utdanningsmulighetene og utdanningssituasjonen til også Vi ser at rundt 20 pst. av studentene i dag har barn, og enda flere får barn helt mot slutten eller rett etter endt studietid. Derfor er det viktig å se på hvordan man kan tilrettelegge for disse. I regjeringserklæringen Soria Moria II tok regjeringa til orde for at de ønsket å bedre forholdene for denne gruppen. Men man ser at på disse tre årene har det ikke akkurat blitt gjort omfattende dugnadsarbeid for å nå denne målsettingen. For all del: Jeg er den første til å innrømme at jeg er veldig glad for at regjeringa ikke oppfyller alle sine løfter fra Soria Moria, men akkurat på dette området skulle man ønske at det var blitt gjort litt mer. Debatten om frafall i videregående utdanning bør også gjelde frafall i høyere utdanning, som også representerer samfunnsøkonomiske utfordringer, og som man ved å tilrettelegge studiehverdagen for de 20 prosentene med barn, kunne hjulpet. Som representanten Eriksen tar opp, er det veldig mye som blir sett på som litt for rigid og for lite fleksibelt i disse ordningene i dag. Man må se på hvordan man kan ordne Samtidig vil jeg også si at jeg er veldig enig i det kunnskapsministeren sa om at studentene ofte har en like fleksibel, og kanskje i mange tilfeller også mer fleksibel, hverdag enn mange i andre arbeidssituasjoner. Så det er også et positivt perspektiv at det i dag er mulig å få barn under studietiden, og jeg synes det er viktig å formidle det til studentene, men selvfølgelig kan man se på hvordan man kan tilrettelegge bedre for disse. Et poeng som jeg synes er veldig viktig, er at man det gjelder antall uker man får være i permisjon, som representanten Eriksen er inne på, altså 47 uker. Og det er forunderlig å høre bl.a. representanten Yrvin legge så stor vekt på hvor utrolig viktig det er for samfunnet å legge til rette for at kvinner skal få barn, samtidig som man ønsker å opprettholde den forskjellsbehandlingen der studentene får mye mindre permisjon enn andre. Så jeg skulle gjerne likt å vite hva argumentasjonen for å opprettholde den forskjellsbehandlingen faktisk er. Samtidig bør man kunne se på en ordning med økt studiestøtte i tolv måneder for studenter med småbarn, fordi de har mye mindre mulighet til f.eks. å jobbe i ferien slik andre studenter har, eller i første omgang sier at de ønsker elleve måneders studiestøtte, men de har på forunderlig vis har klart å forhandle bort dette momentet seg i mellom i regjeringserklæringen. Kanskje kunne elleve måneders studiestøtte for alle vært et første skritt på veien i hvert fall – det kunne også hjulpet småbarnsfamiliene – før man eventuelt utvidet til tolv måneders studiestøtte. Et siste moment som er veldig viktig, og som representanten Eriksen tar opp, er dette med seksmånedersregelen, nemlig de som blir gravide mot slutten av studiene, og som føder innen seks måneder før de eventuelt har klart å opparbeide rett til permisjonspenger fra Nav. Det er ikke alltid like lett å planlegge når man skal bli gravid. Jeg synes det bare er positivt at en student faktisk velger å få barnet, men da må man også tilrettelegge for at det økonomiske ordninger – enten gjennom Nav eller andre – som gjør at disse ikke ender opp med langt dårligere økonomi, eller mindre pengestøtte i den tiden. Jeg tror ikke det å utvide støttetiden fra Lånekassen er veien å gå. Er man ferdig som student, så er man det. Men man kan se på ordninger i Nav som kan ivareta denne

En stadig større andel av norske ungdommer tar høyere utdanning. Jentene står ikke tilbake for guttene og utgjør i dag majoriteten blant studentene innen høyere utdanning. Det er også blitt langt vanligere å ta langvarige utdanninger, også for jenter. En slik utvikling er ønsket og hilst velkommen. Norge trenger kompetanse og godt utdannet arbeidskraft. Velferdssamfunnet vårt er avhengig av at både kvinner og menn er med på å dra lasset med å skape verdier gjennom deltakelse i arbeidslivet. Ja, kvinners deltakelse i arbeidslivet er faktisk en av årsakene til at vi kan holde oss med et velferdssamfunn som det vi ser i dag. Samtidig har dette gitt oss nye utfordringer. Dagens unge venter ofte med å få unger til utdanningen er helt ferdig, og de har etablert seg i yrkeslivet. For en del unge byr dette på problemer når man har tenkt å i Oslo har vært på rundt 30 år. Til sammenligning er gjennomsnittlig alder for alle fødende omtrent det samme for hele landet sett under ett. Samtidig sier man at det er best, biologisk sett, å få unger når man er tidlig i tjueårene. Blant kvinner mener majoriteten at det er best å få barn i 25–29-årsalderen. Utfordringen er at det ikke er alle som er ferdige med studiene sine da, har heller ikke klart å etablere seg i yrkeslivet. Det er avgjørende for landet vårt at ungdom velger å ta utdanning, og at de ikke bruker altfor mange år på å gjøre den ferdig. Norge er avhengig av en positiv folketallsutvikling for å holde velferdsstaten oppe. Senterpartiet er opptatt av at familiepolitikken må legge til rette slik at det fødes unger her i landet. Jeg deler også interpellantens synspunkt på at vi må støtte bedre opp om dem som velger å få unger mens de er studenter, eller som velger å ta utdanning etter at de har etablert familie. Sjøl om enkelte tiltak er gjort, mener jeg dette er et område der vi fortsatt har mye å gjøre for å gi en mer reell mulighet til å få barn selv om man studerer. Jeg tror det er viktig å se videre på hvordan stipendene fungerer, sjøl om foreldrestipendet ble utvidet i 2009, og det er gjort justeringer i Vi må også se nærmere på behovet for å endre på forsørgerstipendet, og på hvordan vi kan få til en bedre harmonisering av ordningene slik at de utfyller hverandre. Jeg synes det kunnskapsministeren har sagt i den sammenheng så langt, er veldig bra. Så tar interpellanten også opp behovet for mer fleksibilitet i studiene. Sjøl om den digitale hverdagen gir mer fleksibilitet i utdanningen i dag, har vi fortsatt et stykke igjen å gå for å tilrettelegge for mer fleksibilitet i Her deler både sentrale myndigheter og universitets- og høgskolesektoren et ansvar for å legge forholdene bedre til rette. Interpellanten tar opp viktige problemstillinger som altså berører både familiepolitikk, studentpolitikk og økonomisk politikk. Vi mener det ville være bra for landet vårt på mer enn én måte om flere så muligheten for å få barn i noe lavere alder enn i dag. Da må vi sammen finne gode løsninger som muliggjør dette.

at når en baby er på vei, skal man ikke være bekymret. Til det første: Vi må i dag ha et utdanningssystem som er så fleksibelt at folk kan gå inn og ut av det i løpet av en yrkeskarriere. Det betyr at mange som har kommet langt i sin familieetablering, må kunne innrømme at de har lyst til å begynne igjen på utdanninga si. Det er ett viktig perspektiv her. Det andre er at man skal alltid kunne være glad for at en baby er på vei, sjøl om man ikke har planlagt det, eller om man bare har lyst til å få den veldig tidlig. Vi har kommet langt med likestilling på mange områder i Norge, men vi er ikke i mål. En av moralene fra omverdenen som vi ennå må nedkjempe, er at alt dette liksom skal skje i en bestemt rekkefølge. Hvis det ikke skjer i den bestemte rekkefølgen som vi tenkte da vi laget lovene, så passer ikke folk inn i firkantene. Jeg er liberaler, og jeg liker egentlig best folk som ikke passer inn i firkantene. Det er mange ting man må gjøre her, som interpellanten har dratt fram, både innenfor barnehagene og innenfor støtteordningene vi har. Så synes jeg vi skal huske at dette ikke bare gjelder mammaer som plutselig oppdager dette, men det gjelder også pappaer som plutselig blir pappaer midt i utdanningsløpet sitt. Hvis jeg hadde vært interpellanten, hadde nok jeg vært litt frustrert over at statsråden stadig vekk når Kristelig Folkeparti tar opp dette, og når andre av oss har tatt opp dette, skal «se på det». Av og til blir man lei av å se på noe, men dette blir statsråden aldri lei av å se på. NSO har en rekke ganger tatt opp dette med å tette gapet mellom studieliv og yrkesliv. Det verste som kan skje en gruppe, er å falle mellom to stoler, eller å falle mellom to og her virker det som det ene departementet ikke helt klarer å snakke med det andre. Her burde man ha satt seg ned ved samme bord og sagt hvilke intensjoner man hadde for å skjære igjennom og lage ordninger som hjelper alle. Det staten skal være glad for, det er alle babyer som ønskes velkommen, uansett når de kommer i livet. Da må vi legge støtteordningene sånn at det faktisk blir lik behandling, og at man ikke får en følelse av at det er en underliggende moral om at man ikke har gjort tingene i riktig rekkefølge. Vi har kjempet mot mange slike underliggende moraler i likestillingskampen i det norske samfunnet fra tidenes morgen. Dette er en av de underliggende moralene som er igjen å nedkjempe, nemlig at vi skal bestemme i hvilken rekkefølge ting skal skje i Det kunne være fristende å bemerke at nå var det behov for likestilling andre veien. Det var på tide med en mann på talerstolen i denne debatten. Nå er det jo sånn at vi taler på vegne av våre partigrupper, så vi får trøste oss med det. Også jeg har lyst til å takke interpellanten for at denne viktige saken igjen kommer opp, og at det følges opp, for det er riktig som det er sagt, at mye har blitt justert, men det gjenstår en del ting. Jeg synes det er underlig at studenter som gruppe, som er del av et velferdssystem, plutselig sakker bakut. Det forteller oss at vi ikke har gode nok ordninger for å ivareta dem som er inne i de systemene vi har. Her har det altså skjedd endringer i velferdsgodene, som studentene har vært en del av, men de har ikke fulgt med på endringene. Det bekymrer meg, for da blir det sånn at vi må ta det opp som sak hver gang for at det skal følges opp. Representanten Eriksens mange og innviklede eksempler, men riktig oppsummert, tydeliggjør hva dette dreier seg om. Det er små, rigide, ofte bagatellmessige bestemmelser som skaper problemet, og jeg er helt sikker på at det er ingen av oss som har ønsket at den problematiseringen skal være der. Da er det viktig at vi griper fatt i det, og igjen, da er det viktig at vi har systemer som gjør at vi oppdager det, og gjør noe med det. Det som kanskje er mest forunderlig, er at når vi nå etter hvert får på plass systemer som gjør det enklere å ha fleksible ordninger, vi ikke å henge med. Det å lage fleksible ordninger for folk i forskjellige situasjoner er i hvert fall teknisk svært mulig i dag. I dette tilfellet må en kunne si at alle de tingene som er påpekt, ville utløse en vinn-vinn-situasjon, for dette dreier seg ja, om barna som trenger å ha trygghet for en tilstedeværelse av foreldre, ja, det gjelder mødrene, og det gjelder fedrene, men det gjelder også samfunnet. Foreldre med små barn er en viktig gruppe for oss i samfunnet, de er en viktig gruppe også blant studentene, og alt tyder på at det vil være en økende gruppe. Når studietilbøyeligheten øker, og flere og flere går på etter- og videreutdanning etter å ha etablert seg, vil ikke denne problemstillingen bli mindre, men større. Da blir gjennomføring av studier viktige for den gruppen, og da må vi ha alle incentiver på plass for at det skal gå greit. Jeg håper virkelig at statsråden vil gå nøye igjennom alle de eksemplene som Eriksen gikk igjennom, og se hvordan en kan gripe fatt i det. at i hvert fall vi skal gjøre vårt for å støtte opp om at disse endringene kan skje. Jeg oppfatter at det ofte er snakk om små justeringer. Forutsigbarhet i ordninger og justeringer i de samme ordningene i tråd med samfunnet for øvrig må være et mål for denne gruppen. Det er viktig at en god familiepolitikk ikke

La meg takke for at vi har hatt denne debatten. Jeg har også lyst til å gi honnør til studentorganisasjonen NSO, Samskipnadsrådet og ikke minst til den jentegjengen som har samlet seg på Velferdstinget i Oslo og laget gruppe av studenter med barn. Jeg er ikke sikker på om de vil gi en så stor honnør til den muligheten som er blitt framhevet i salen her i dag fra flere av talerne, for det er ganske utfordrende. Svein Harberg sa i sitt innlegg at jeg brukte «mange og innviklede eksempler». Ja, og vi skal bare prøve å sette oss inn i det, uten at vår økonomiske situasjon og studieprogresjon avhenger av det, så da dette kan være for studentforeldre i studietiden. Jeg må vel si at jeg er litt sjokkert over statsrådens begrepsbruk i forbindelse med Kristelig Folkeparti og studentbarnehager. Hvis man ikke har fått med seg at Kristelig Folkeparti har hatt tilskudd inne til studentbarnehager i våre alternative budsjetter under hele denne regjeringens det at man ikke har brukt tid på å lese andres alternative budsjetter. Diskusjonen som har vært oppe i det siste, har handlet om nattåpne barnehager. Det er en vesentlig forskjell i forhold til kveldsåpne, og der har man også snakket om en makstid. Men det jeg kanskje reagerte mest på hos statsråden, var at hun hevdet at Kristelig Folkeparti brukte et begrep som «overgrep» i denne sammenheng. Det mener jeg er altfor alvorlig ord å bruke i en litt lettvinn retorikk. Vi mener studentbarnehager er gode, det har vi vist i alle våre alternative budsjetter, så la meg komme med den refsen. Så utfordret Trine Skei Grande, at en må bli lei av at folk skal «se på» ting. Sist resulterte dette i handling, og jeg har alltid et håp – et utrettelig håp – om at slike ting som dette skal resultere i handling. Hvis ikke vil jeg love at om ikke jeg blir i denne salen, kommer det til å være andre KrF-ere som kommer til å mase om denne saken. Det jeg tror er det viktigste som er kommet fram av dette, er mulighetene for at en regjering nå ser på overgangene mellom regelverkene, noe jeg opplevde at statsråden var veldig positiv til. Det tror jeg hadde vært med og hjulpet for å få en trygghet dette. Særlig det å se på seksmånedersregelen, noe som ble framhevet også av representanten Hanekamhaug, hadde vært veldig bra. Så det er mye igjen å gjøre på dette området. Jeg kommer til å bli lei meg hvis dette bare blir en «se på»-sak. Det gir ikke «peeng» i kassa, heller ikke trygghet i det som skal være en god tid for studentforeldre. I min kommentar om studentbarnehager er det mulig at jeg ble revet noe med, og det er fordi jeg var på en debatt om barnehager bl.a. med en representant fra Kristelig Folkeparti på Høgskolen i Oslo og Akershus i går kveld, der nettopp spørsmålet om kveldsbarnehager og nattbarnehager var oppe. Jeg tror ikke jeg går noe videre på det nå, men bare oppfordrer til å sortere argumentene litt, det som kan være gode velferdstilbud for småbarnsforeldre som er studenter, kan ha en lignende begrunnelse for andre yrkesgrupper også. Det er barns beste som skal gjelde over alt i forhold til barnehagetilbudet. Ja, det er riktig at Kristelig Folkeparti har et engasjement i dette, men jeg tror at noe av dette engasjementet også skyldes representanten Dagrun Eriksen og hennes eget engasjement for studenter med barn. Det er også viktig å framheve, for enkeltindivider kan påvirke den profilen og det engasjementet som et parti har, og i denne saken har Dagrun Eriksen personlig vært viktig. Så har jeg bare lyst til å si at det er ikke bare regjeringen som har sagt «se på» i denne saken. Når jeg ser igjennom de alternative statsbudsjettene, finner jeg økt tilskudd til studentbarnehager, mest hos Kristelig Folkeparti, litt hos Venstre, men jeg finner ikke de konkrete forslagene, som jo ikke bare er å se på regelverket, men som faktisk har bevilgningsmessig betydning også, over statsbudsjettet. Så det er en oppfordring til alle de partiene som i dag har vist engasjement og interesse rundt situasjonen for studenter med barn, at det må faktisk følges opp med helt konkrete forslag. Da handler det ikke bare om å se på noen regelverk opp mot hverandre, det handler også om å være villig til å bevilge de pengene som skal til for å justere det. Det er ikke de største kravene vi blir stilt overfor, men dette er en gruppe som ikke nødvendigvis har all verdens tid til å drive politisk påvirkningsarbeid i tillegg til å være studenter og småbarnsforeldre, selv om Norsk studentorganisasjon fører deres sak. Jeg skal gå igjennom eksemplene som har kommet opp her, både det som dreier seg om fører deres sak. Jeg skal gå igjennom eksemplene som har kommet opp her, både det som dreier seg om de direkte økonomiske støtteordningene og studiestedenes evne og vilje til å legge til rette for praktiske løsninger. Det er kanskje særlig det rundt de studiene

Tingelstad

både av beredskapshensyn i betydning av bosetting og for å sikre tilgang på mat og matjord til egen befolkning så langt vi kan. Norge produserer mat i et krevende klima, med kort vekstsesong og kalde vintre. Vi er ikke sjølforsynte, vi produserer på om lag 2,8 pst. av landarealet vårt, og vi importerer over 50 pst. av det vi spiser. I tillegg produserer vi mat i et høykostland, der Derfor er lønnsomhet i råvareproduksjonen svært viktig dersom vi fortsatt ønsker landbruk over hele landet. Dette er en av de viktigste forutsetningene for å øke rekrutteringa til landbruksutdanningene. Man kan ikke leve av trivsel alene. Likevel er det veldig viktig at gleden ved å være bonde formidles til den yngre generasjonen. Det er derfor godt å se i Aftenposten denne uken at det ser ut til å være flere som nå anbefaler sine barn å ta over gården, enn tidligere. Landbruks- og matmeldinga, som Stortinget vedtok i vår, har som mål at vi skal øke den norske matproduksjonen med 20 pst. de nærmeste 20 åra. Det er flere svar på hvordan vi skal klare dette, men en av forutsetningene er å øke kompetansen i landbruket og i den totale verdikjeden i matproduksjonen. Det å være bonde er et svært mangfoldig yrke. Man skal være ha teknologisk og teknisk kunnskap, og man skal være en god håndverker – kort sagt: Å være bonde krever god kompetanse på mange felt. I dag uteksamineres det færre studenter fra de tradisjonelle landbruksfagene, som plantevitenskap og husdyrvitenskap, fra universiteter og høgskoler enn næringa har behov for. Bonden har behov for rådgiving, for både å være mer effektiv og kunne produsere mer og for å få bedre kvalitet på produktene sine. Skal vi rekruttere godt til de landbruksfaglige utdanningene, må vi se på hele skoleløpet under ett. Løpet begynner faktisk i ungdomsskolen, før elevene skal bestemme seg for hva de skal velge i videregående. Videregående opplæring gir mulighet for å velge naturbruksskole eller studiespesialiserende linjer, for deretter å kunne gå på fagskole, høgskole eller universitet. Som vi har vært inne på tidligere i dag, er rådgiving veldig viktig for å rekruttere, også til Familien, særlig vi mødre, har stor påvirkningskraft, men det er også veldig viktig at rådgivingstjenesten i skolen har god kjennskap til hva slags muligheter opplæring i landbruksfag gir. Jeg er veldig glad for at mange ungdomsskoler prøver ut arbeidslivsfaget nå. Jeg håper også at faget blir obligatorisk fra høsten 2013. Erfaringene så langt viser at Arbeidslivsfaget gir mulighet til å få en forsmak på hva naturbruk kan tilby. I tillegg gir de nye valgfagene mulighet for en forsmak på landbruksfag, både gjennom entreprenørskap og de nye læreplanene for faget, som kommer til høsten. I min nabokommune, Lunner, var det faktisk tre gutter som laget avløserring som elevbedrift. Dette er et godt eksempel på hvordan man kan trekke naturbruk inn i utdanninga. Både arbeidslivsfaget, valgfaget og entreprenørskap er viktig for å vekke interessen og sikre rekruttering fra ungdomsskolene. I likhet med mange andre, både i og utenfor skolen, er det nok mange rådgivere som ikke er oppmerksomme på hvilke muligheter som ligger i det å ta en landbruksfaglig utdanning. Ungdommen må bli gjort oppmerksom på at naturbruksutdanning gir mange muligheter, inklusiv muligheten til å ta de nødvendige realfagene for å gå videre til høgskole eller universitet. I dag gir naturbruksskolene mulighet for forskjellige utdanninger, der agronomen er grunnplanken. Men naturbruksutdanningene åpner også dører til tilstøtende utdanninger som anleggsgartner, hovslager, landbruksteknikk, energi og miljø, friluftsliv osv. I tillegg er det muligheter for kryssløp fra andre yrkesfaglige løp. I landbruks- og matmeldinga ble det åpnet for igangsetting av forsøk med fagbrev i naturbruk etter hovedmodellen, 2 år i skole og 2 år i lærebedrift. Det er også verdt å merke seg at det etter behandlinga i Stortinget ble vedtatt at det skulle åpnes for muligheten til å utprøve en LAF-ordning, altså landbruk og allmenne fag, etter modell av den mer kjente TAF-modellen, tekniske og allmenne fag. Det vil gi naturbrukselevene en bredere plattform på veg mot universitets- eller høgskolestudier. Etter en uformell høringsrunde jeg har foretatt hos fylkeskommunen, har jeg fått bekreftet at det praktiseres en rekke varianter i utdanninga. Noen tilbyr fordypning i realfag i programfagene, slik at elevene oppnår studiekompetanse underveis i det treårige agronomløpet. Andre fylkeskommuner har mer tro på fagbrev, etter 2+2-modellen. Noen fylkeskommuner kunne tenke seg å forsøke en landbruks- og allmennfaglig utdanning over fire år. Jeg mener det er viktig å få prøvd ut både hovedløp, påbygging i etterkant, 2+2-modellen og fordypning i agronomutdanninga. Jeg vil derfor oppfordre kunnskapsministeren til å ta initiativ til å hente inn de erfaringene som nå gjøres i naturbruksskolene, slik at vi får det beste ut av dette spesielle skoleløpet, i tråd med næringas behov for kompetanse og elevenes mulighet I dag tar enkelte naturbruksutdanning rett etter ungdomsskolen, men mange velger annen utdanning og karriere først, for så å gå inn i næringa seinere, når de er 40 eller 50 år. Som nevnt innledningsvis, skal skolene også rekruttere dem som skal være rådgivere for næringa seinere. Disse elevene skal videre til universitet og høgskoler. Vi vet at det er ønskelig å rekruttere flere studenter både innenfor landbruksteknikk og de tradisjonelle fagene jeg tidligere har nevnt. Jeg er derfor glad for at Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås nå gjeninnfører sivilagronomtittelen. Jeg tror det er positivt for rekrutteringa til en av de tre høgskolene som tilbyr høyere landbruksfaglig utdanning. Jeg opptatt av at vi må rekruttere til universitets- og høgskolestudiene i større grad via naturbruksskolene enn vi gjør i dag, fordi jeg mener det er viktig å ha med den grunnleggende landbruksfaglige bakgrunnen for et høgskolestudium. Flere naturbruksskoler har lett etter flere bein å stå på for å styrke skolen sin. En stor gruppe som har utdanningsbehov, er dem som skal overta gård i voksen alder, som jeg har nevnt tidligere. Flere fylker, deriblant Oppland, har hatt svært godt hell med å tilby modulbasert voksenagronomkurs. Det har faktisk blitt mer populært enn forventet. Jeg var akkurat på avslutningskonferansen for RULL-prosjektet, Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket, i Oppland, og jeg fikk høre vitnemål fra svært fornøyde voksenelever som var stolte over snart å være ferdigutdannet som agronomer. Den eldste deltakeren var faktisk 66 år Som jeg har sagt, er den gode bonden helt avhengig av god rådgiving. Det gjelder både på kommunenivå og i de ulike faglagene som melke- og kjøttsamvirkene, fjørfelagene, skogselskapene osv. De beste rådgiverne er ofte dem som har noe praktisk erfaring bak seg. Skal vi øke matproduksjonen og gjøre bonden god, er vi avhengig av god forskning. Norge er veldig gode på flere områder med hensyn til landbruksforskning. Spennende forskning på poteter og planter skjer f.eks. hos Bioforsk Øst på og hos Geno på Hedmarken, som driver med avlsforskning. Jeg tror det er veldig få utenfor næringa som vet at det fins egne kataloger for hva slags okse du kan krysse kua di med for å få fram de egenskapene som vil øke kvaliteten hos neste kalv. Denne ligger også tilgjengelig på nett for dem som er interessert. På grunn av de klimatiske endringene vi kjenner, med et våtere, villere og varmere vær, vil planteforskning være svært viktig framover. gras-, korn- og potetsorter passer for de ulike typer jord? Hvordan påvirker maskiner jorda, og hvordan sikrer vi godt vekstskifte? Hvilke tiltak skal gjøres for å få mest energi i fôret, best kvalitet på kornet og de beste potetavlingene? Jeg ser fram til stortingsmeldingene som kunnskapsministeren skal fremme til våren – ikke fordi vi skal gjøre en revolusjon, men jeg tror vi har en sjanse til å rette oppmerksomheten mot en del av utdannings- og forskningspolitikken som sjelden skaper de store overskriftene i riksmedia. Å diskutere rekruttering til naturbruksutdanningene gir en mulighet til å se nærmere på et fagområde som er et av de mest kritiske for oss. Skal vi få gode matprodusenter, må vi også ha god
Tingelstad Wøien for å ta opp et veldig viktig tema i utdanningspolitikken, nemlig fag- og yrkesopplæringen generelt, men naturbruk spesielt. Det er områder innenfor utdanningssystemet og -tilbudet vårt som absolutt fortjener mer oppmerksomhet enn det det får til daglig, og hvis det ikke fins noen sta kjerringer rundt omkring som til enhver tid understreker dette, kommer vi ingen vei. Så jeg setter veldig stor pris på anledningen vi har til å fordype oss litt i det. Det er et veldig sentralt satsingsområde i vår felles rød-grønne utdanningspolitikk, og jeg har selv også et sterkt engasjement på dette området. Det er nødvendig at vi hele veien gjør en systematisk jobb for å øke statusen til yrkesfagene og legger til rette f.eks. for flere lærlingplasser, men også for å få opp forståelsen i det norske samfunnet for at vi faktisk trenger folk med gode fagbrev og praktiske, gode utdanningsløp med den kvaliteten som vi har tradisjon for i Norge, hvor et godt fagbrev betyr at man har kompetente som kan ta selvstendige avgjørelser og har den fagbakgrunn som skal til, f.eks. i samarbeid med andre yrkesgrupper også, for hele veien å få bedre kvalitet i det arbeidet en driver med. Fagarbeiderne er veldig viktige for den samlede verdiskapingen vi har i landet. Jeg møter altfor ofte folk som med en gang man sier kunnskapssamfunn, assosierer det med akademiske yrker og doktorgrader, og ikke ser at et kunnskapssamfunn handler om å ha kunnskap på alle områder, og at fagbrev, svennebrev, er viktig i denne sammenhengen. Det er veldig viktig også i denne sammenhengen å snakke om den kvaliteten i utdanningene som vi ønsker oss, også fordi en del av disse utdanningene ofte er i lærlingsituasjoner, og lærlingplassene handler ikke bare om kvantitet, som det jo ofte gjør i diskusjonen, men også om kvalitet i innholdet i det tilbudet elevene får. For å sikre kompetent arbeidskraft i landbrukssektoren er det viktig at utdanningstilbudet møter det behovet for kompetanse som fins i arbeidslivet. Med utgangspunkt i Velkommen til bords har Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartementet blitt enige om å arbeide for å øke rekrutteringen til landbruksfaglige utdanninger. Regjeringen vil evaluere innhold og struktur i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og kartlegge fagskoletilbudet og samfunnets behov for landbruks- og matfaglig utdanning i fagskolene. Sektorens kunnskapssystem er omfattende og komplekst og består av mange offentlige og private aktører på ulike nivå. Landbruket omfatter bl.a. forskning og utvikling, råvare- og tjenesteproduksjon, prosessering og foredling av varer, og også salg ut til forbruker. Det er derfor nødvendig at de landbruksfaglige utdanningene er velorganiserte og effektive, samtidig som vi ser at økt fleksibilitet er nødvendig for å møte den enkeltes og arbeidslivets behov. Utdanningsprogrammet Naturbruk omfatter per i dag syv fag med opplæring etter 2+2-modellen – altså to år der skolen har hovedansvaret, og to år der arbeidsgiver har hovedansvaret – og to fag med treårig opplæring i skole. I 2011 var det totalt 1 861 elever som begynte på Vg1 i utdanningsprogrammet Naturbruk. Samme år gikk i overkant av 650 elever på Vg2 landbruk og gartnernæring. Det har generelt vært en svak tilbakegang i antall elever på dette utdanningsprogrammet de siste årene. Faglig råd for naturbruk har påpekt at det er en utfordring å balansere mellom å gi elevene relevant og målrettet opplæring, gjerne med en klar idé om hvilket yrke de ønsker å utdanne seg til, og samtidig at alle muligheter skal være åpne for elever etter Vg1. For de to fagene som har full opplæring i skole, agronom- og gartnerfagene, planlegges nå en forsøksordning med læreplasser. Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil i dialog med fylkeskommunene åpne for forsøksordninger med yrkesutdanning for agronom og gartner som innebærer både skole- og arbeidslivsbasert opplæring. Det har fra mange hold kommet forslag om en tettere kobling mellom skole og arbeidsliv. Jeg har i flere meldinger til Stortinget, bl.a. Meld. St. 22 for 2010–2011 Motivasjon–mestring–muligheter, om ungdomstrinnet, lagt til rette for et utdanningsløp som er mer praktisk og variert, slik at alle elever får mulighet til å utfolde seg og Dette er svært viktig for å motivere ungdom til å velge yrkesfag og høyere utdanning. Det kan i den forbindelse være klokt å vurdere hvordan vi skal legge til rette for mer fleksible løp gjennom videregående opplæring og et bedre samarbeid mellom skole og bedrift. I Meld. St. 13 for 2011–2012 Utdanning for velferd har jeg tatt til orde for en forsøksordning med vekslingsmodeller og arbeidsplassbasert opplæring. Dette er et resultat av elevenes ønske om en mer praksisorientert opplæring og arbeidslivets behov for faglært arbeidskraft. Jeg har varslet en stortingsmelding som kommer våren 2013. Den vil gjøre rede for status for Kunnskapsløftet. Meldingen vil vurdere utviklingen av grunnskolen og videregående opplæring i denne regjeringens to perioder, og på dette grunnlaget trekke opp de utdanningspolitiske perspektivene framover. Videregående opplæring generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt vil være et hovedtema i meldingen. Vi vil se på faglige og strukturelle utfordringer i videregående opplæring. Derfor er samarbeidet mellom Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartementet aktuelt og interessant som en viktig del av det. For å kunne møte behovet for faglært arbeidskraft må vi øke gjennomføringen i fag- og yrkesopplæringen. Dette er et sentralt mål for regjeringen, og vi vil i budsjettet for 2013 bruke 30 mill. kr til tiltak i de yrkesfaglige programmene. Her er bl.a. samfunnskontrakten, som vi undertegnet i vår, der partene i arbeidslivet har forpliktet seg til å samarbeide om flere lærlingplasser, veldig viktig, fordi den forplikter oss – myndighetene – arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene til å øke antall lærlingplasser med 20 pst. innen 2015, sammenlignet med 2011. Det er viktig å presisere at økt rekruttering stiller krav til arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet legger til rette for gode faglige utdanninger, men det er arbeidslivet som må vise fram hva de har å by på for å stimulere til økt rekruttering. Rekruttering henger bl.a. sammen med bransjens status og omdømme, og vi trenger å promotere hvilke muligheter landbruksfaglige utdanninger gir. Vi trenger arbeidstakere som er stolte av yrket sitt, og som inspireres og oppfordres til å være kreative og utvikle faget sitt. Landbruket er en kompetansekrevende næring. Det er derfor nødvendig å styrke kompetansen og rekrutteringen til landbruksyrkene. Et grep vi er opptatt av i denne sammenheng, er å styrke karrieremulighetene gjennom å åpne høyere utdanning for søkere med fagutdanning. Flere rapporter og evalueringer har pekt på at det er mange små og sårbare fagmiljøer i Norge. Kunnskapsdepartementet har derfor siden 2010 årlig tildelt 50 mill. kr for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren. Jeg ønsker at universitetene og høyskolene utvikler tettere samarbeid som bidrar til bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser. Her er Y-veien et eksempel jeg ønsker å løfte fram. innebærer at søkere med fagbrev kan begynne rett på en høyere utdanning som bygger på deres fag. En del UH-institusjoner tilbyr denne typen utdanninger i dag. Det eksisterer per i dag ingen Y-veier til høyere landbruksutdanninger. Jeg ønsker at flere tar i bruk Y-veier og oppfordrer partene til å styrke samarbeidet for å få til dette. De relevante institusjonene innen høyere utdanning må i forbindelse med utviklingen av Y-veiene være åpne for å ta inn og legge til rette for elever som ikke har generell studiekompetanse. Dette kan i tillegg være med på å gi yrkesfagene et bedre rekrutteringsgrunnlag. Det er et viktig initiativ å øke rekrutteringen til landbruksfaglige utdanninger, både på videregående og høyere nivå. Vi må ha et tett samarbeid mellom landbrukssektoren og kunnskapssektoren for å få til dette. Arbeidslivsfaget på ungdomstrinnet har, der vi har prøvd det ut, som en mulighet for elever til å gjøre seg bedre kjent med ulike yrkesfaglige utdanningsretninger. Det er veldig vellykket, og vil bli oppsummert i forbindelse med den stortingsmeldingen som vi har foran oss. Jeg er også enig med interpellanten i at valgfagene allerede som et samarbeid mellom landbrukssektoren og skolen kan være, f.eks. gjennom entreprenørskap og produksjon av varer og tjenester, og vi utvider valgfagstilbudet. Det kan gi nye muligheter videre. På den bakgrunn håper jeg at vi kan øke ungdommens interesse og optimisme rundt å velge den typen Jeg er veldig glad for at kunnskapsministeren og vi i Senterpartiet deler et så brennende engasjement for yrkesfagene. Nå er kanskje det med naturbruksutdanningene et snevert område, men jeg mener at det er et utrolig viktig område, som jeg nevnte innledningsvis i min interpellasjon. Er det noe vi alle er avhengige av, er det jo faktisk maten. Jeg er veldig glad for det initiativet som regjeringa har tatt for å evaluere innholdet og strukturen i landbruks- og gartneriutdanninga, og jeg ser fram til den meldinga som skal legges fram til våren. Jeg har lyst til å si at jeg tror det er utrolig viktig at Kunnskapsdepartementet nå benytter seg av all den kunnskapen som er ute i sektoren, for det gjøres utrolig mye godt arbeid ute i skolen som kan være til hjelp for Kunnskapsdepartementet. Og som jeg også sa tidligere: Her prøves det ut forskjellige typer løp for å greie å treffe de ulike elevenes behov. Jeg er veldig fornøyd med at statsråden vil vurdere mer fleksibilitet i den videregående opplæringa, og der vi også får et tettere samarbeid skole–bedrift. Jeg vil understreke det ministeren sa når det gjelder hovedløpet med 2+2 – to år i to år i lære – men også de mulighetene som nå prøves ut med hensyn til agronomutdanninga, som da er den treårige utdanninga, eventuelt med et fjerde påbyggingsår, som Stortinget også har åpnet for muligheten til å drive forsøk på. Statsråden peker også på muligheter for SAK-midler, og på at vi skal benytte dem i større grad. de tre høyskolene som tilbyr høyere landbruksfaglig utdanning, en del av SAK-midlene allerede i dag. Men man kan jo absolutt understreke det, og oppfordre dem til mer samarbeid for å ta en enda større del av den potten. Så nevnte statsråden ungdomsskolen, og hun nevnte spesielt valgfagene. Det er en god mulighet allerede i dag, men jeg vil også framheve arbeidslivsfagene. Når jeg har

Jeg har fått tilbakemelding på at det innen høyere utdanning er utfordringer når det gjelder finansiering av nye studier, for det er ganske marginale og smale miljøer, så det skal vi ha med oss i bakhodet. Vi skal også se på hvordan vi fordeler studieplasser, for hvis vi snakker om realfag, er dette absolutt realfag i Det var et par utfordringer representanten Tingelstad Wøien kom med, som jeg glemte å kvittere ut, og hvor jeg gjerne vil ta opp hansken igjen. Det ene er å skaffe seg en oversikt over hvordan ulike naturbrukstilbud rundt omkring i fylkene har laget forskjellig innhold og ulike modeller for å få til dette. Det tror jeg kan være veldig interessant. Her tror jeg kanskje fylkene ikke helt vet om hverandre hente når det gjelder å bli inspirert. Så vil det jo også, når vi kommer tilbake til hvordan vi skal legge opp det generelle løpet for videregående opplæring og yrkesfagene videre, kanskje være større muligheter med hensyn til fleksibilitet her, som også naturbruk kan gjøre seg nytte av. Det er også helt opplagt at et nært samarbeid mellom skolen og og bedrifter er veldig viktig for å vekke ungdommens interesse og engasjement for å velge å gå i denne retningen. Så jeg er veldig glad for at representanten Tingelstad Wøien bruker de mulighetene hun har i kontakt med næringene, til nettopp å oppfordre til at de også kanskje kan banke på døra. For her er det en læringsarena som er avgjørende viktig for å nå målsettingen, men også for å motivere ungdom. Så er det en problemstilling til, og det dreier seg om voksne som kanskje har en annen utdanning, som kanskje ikke tidligere har tenkt at de skulle overta noen gård, og som plutselig står der med den kunnskapen de har hatt med seg fra barndom og ungdom ved å ha hjulpet til i alt det praktiske arbeidet, men som trenger en utdanning på toppen av den de har, for å kunne gjøre en god jobb f.eks. som bonde. også er viktig at vi ser på de tilbudene som voksne har til å kunne ta den typen utdanning på en fleksibel måte, og knyttet til nye yrkesplaner. Torger Reve er professor ved BI, og han reiser land og strand rundt og holder foredrag basert på boken «Et kunnskapsbasert Norge», som har mye interessant lesning. Han var for ikke så lenge siden på Forskerforbundets konferanse, og der ville han illustrere høyteknologi. Det gjorde han – kanskje overraskende for mange – ved å vise et bilde av gården til broren sin, på Selv om det på utsiden ikke så så veldig høyteknologisk ut, var det absolutt det på innsiden. Én ting var kanskje bioteknologi, som i og for seg kuene til en viss grad er et resultat av, men en annen ting er jo det at melkingen foregår maskinelt og ved Samfunnet vårt er langt mer komplisert enn før, det er langt mer teknologisk enn før. Det betyr at veldig mange av oss egentlig ikke vet hvordan dette har utviklet seg for mange yrker, kanskje særlig når det gjelder hvordan bonden jobber. Jeg tror mange henger fast ved forestillingen om de ti hønene, de fem grisene og de få kuene som man lærer om som barn, at det er den idylliserte bondegården, men sånn er det ikke. Mange flere spesialiserer seg, og bonden er også nødt til å gjøre det om han skal lykkes framover. Kunnskapsrevolusjonen må inkludere landbruket på samme måte som resten av samfunnet. Vi trenger folk med fagutdanning, vi trenger folk med høyskole- og universitetsutdanning, og vi trenger mye forskning, som igjen tas tilbake til landbruket. Det er en bra debatt som representanten Tingelstad Wøien tar opp, for noen ganger kan det bli litt sånn – om vi skal være litt selvkritiske som utdanningspolitikere at vi bare snakker om ingeniører, sykepleiere og lærere. Vi trenger også andre yrkesgrupper i dette samfunnet. Vi trenger en veldig bred variasjon. Vi trenger folk som lager mat, og vi trenger – uten å nevne alt mulig annet – mange spesialiserte utdanninger. Det må vi ta med oss, og vi må passe på at vi ikke blir altfor ensporet også på det. Jeg leste i går en artikkel om griser i Valdres som går løs oppå fjellet og ikke er inne i det hele tatt, og som det heller ikke er vanskelig å få solgt, selv om de er dyrere. Disse grisene beveger seg jo mye mer, og derfor tar det litt lengre tid før de blir like feite som dem som ligger og sover hele dagen. Det var en av de tingene jeg lærte. Men det mest interessante ved det var at det er et ektepar som driver denne gården, og kona på gården har en doktorgrad fra Landbrukshøyskolen. Hun bruker kunnskapen sin til å gjøre dette kjøttet enda bedre og enda mørere, slik at det vil bli enda lettere å selge på et marked. Det synes jeg forteller en historie om hvordan framtidens landbruk kommer til å bli. Jeg mener at det er mange grunner til at dette er viktig. Jeg synes at representanten Tingelstad Wøien hadde veldig mange gode resonnementer rundt dette – viktigheten av matproduksjon, endringer i miljøet, klima, dyrevelferd, at yrket er mye mer komplisert, at du må beherske mye mer. Det stilles absolutt større krav til resultatene. Det jeg tror vi også skal ha med oss når det gjelder dette yrket, som veldig mange andre yrker, er at yrkesvalg blant ungdom preges av trender. Noe er pop, og noe er mindre pop. Det har vi vært inne på i debatter tidligere dag. Men det henger også mange myter ved en del yrker. Jeg tror bonden har et yrke som mange har noen myter om. Det kan i og for seg illustreres på følgende måte: Det å være bonde er ikke veldig populært, men bønder er veldig hvis du ser på populærkulturen. Der er det «Farmen» og «Jakten på kjærligheten» – det ene med det andre. Det er mye romantikk rundt dette med bønder. Men det å utøve yrket er kanskje ikke så populært. Når vi vet at bare tittelen på studiet påvirker hvor mange som søker – bygges det mer opp mot miljøvern osv., er det flere som søker på denne typen yrker enn andre – sier det hvor følsomt det er man kan spille på at bønder er populære, og at «Farmen» osv. er spennende. Men dette må kobles opp mot et kunnskapsbasert samfunn, hvor ikke minst kunnskapskompetanse blir satt i høysetet, dvs. at også bønder blir i stand til å bruke kunnskapen til beste for dyra på gården og til beste for Norge som nasjon, slik at vi får produsert mer mat på en bedre måte, som smaker godt, slik at vi alle kan nyte gode måltider. Da fortsetter vi jakten på kjærligheten. Det er representanten Per Olaf Lundteigen som har ordet. Jeg takker for omsorgen for kunnskap og respekten for kunnskap. Som en av de få sivilagronomene her i salen er jeg veldig glad for det. Naturbruk er bruk av natur. Jeg kom til å tenke på Kristian, tolv år, som fikk spørsmål fra læreren: Kristian, hva gjør du hvis du våkner opp en dag og plantene ikke lenger er grønne? svarte: Lærer, da må vi vel praktisere plan b. Enhver kan tenke over spørsmål og svar. Det burde jo være sånn at den internasjonale matvarekrisa og klimakrisa skulle være bevis godt nok til at vi burde satse på biologisk utdanning, satse på innvinning av solenergi – altså fotosyntese – bruk av land, bruk av jord eller det som heter «utdanning i landbruk», altså bruk av land, for her er det som i alle yrker: Dess mer en lærer, dess mer forstår en at en ikke kan. Det er et spørsmål om biologi, det er spørsmål om teknikk og teknologi. Når en snakker om teknologi når det gjelder bruk av land, landbruk, er det viktigste, grunnleggende sett, egentlig biologien og å forstå det skjøre samspillet i biologien. Det er det som er den store utfordringen dersom en vil gjøre seg mer fri fra kjemiske midler i både produksjon og foredling – kjemiske midler som vi i deres sluttsats tar inn i oss som mennesker. Noe av det blir igjen der, med de effekter det har. Vi har utdanning i landbruk på fagskolenivå og på universitets- og høyskolenivå. Interessen blant ungdom er stor, men utsiktene til verdsetting av arbeidet er lave. Dette merker sjølsagt interessert ungdom seg. Svært mange ungdommer som er interessert, tar ikke slik utdanning i dag. Temaet i dag er utdanning. Vi må komme fra prat til virkelighet, det er to verdener i dag. Det prates om utdanning, det prates om kompetanse, men det som er et faktum, er at blant stadig flere av dem som nå overtar som eiere av et gårdsbruk, er det stadig færre som har utdanning i bruk av land, landbruksutdanning. Dette er et faktum. Det går den gale veien. Dette blir forsøkt kompensert med kortere kurs, ulike krav og detaljstyring. En går mer og mer vekk fra frihet under ansvar, som en kunne hatt dersom utøverne hadde hatt basiskunnskapen. Det er en svært trist utvikling for en som følger med på dette. Jeg vil fokusere på to områder nå. Det er samspillet mellom videregående utdanning og fagskole, og det er den videregående utdanninga i naturbruk i dag er det slik at svært få tar denne utdanninga for å bli gårdbrukere. Stadig flere av dem som tar denne utdanninga, tar den fordi det er en tilrettelagt, spesiell utdanning, som har appell til ulike grupper. Det er bra, men det er ikke bra at stadig færre gaverike ungdommer tar utdanning innen denne biologiske kunnskapen. Det må endres. Det som da kan gjøres, er at alle som har tatt videregående utdanning, får rett til ett års fagskoleutdanning i de grunnleggende biologiske ferdighetene jordkultur, plantekultur, husdyrfag, skogskjøtsel, driftsteknikk og økonomi- og organisasjonslære altså ikke i norsk, matematikk og språk, men i det som er basis for å forstå hvordan biologiske mekanismer fungerer. Ett års utdanning på fagskolenivå etter fullført videregående utdanning er noe som de fleste har tid til og kan prioritere, sjøl i ei tid da den økonomiske verdsettinga er elendig. Det er flott at det nå er en universitetsutdanning som kalles sivilagronom, for da er vi tilbake til «basic». Poenget er altså: Kombiner røtter og vinger, forankring og nyskaping! Lag en utdanning som er attraktiv for de mange! I dag er det ikke slik. Det trengs kraftsamling, det trengs en nyorientering, for vi er fullstendig galt ute og kjøre

og ikke bare snakker om den høyere akademiske utdanningen. Interpellanten endte opp med et spørsmål om hva vi kan gjøre. Jeg er ikke sikker på om jeg har fanget opp så veldig mange konkrete svar på hva vi kan gjøre. Det er vel fordi det er et sammensatt bilde. Dem vi vil hjelpe, er en sammensatt gruppe. Det er utfordrende å få folk til å velge utdanning til et yrke som de vet det kanskje er lenge til de skal utøve. De vet at de må gjøre noe annet fram til de skal utøve det. Det er vanskelig å finne de gode kombinasjonene når det gjelder hvilket tilleggsyrke eller alternativt yrke de skal ha. Heldigvis har det vært en stor vekst i yrker beslektet med landbruket og primærnæringene. Jeg tror det helt avgjørende er kunnskap, som flere har vært inne på. Når vi får kunnskap om et område, får vi interesse og engasjement. Da skjer det videreutvikling. Jeg er så heldig å ha vært ordfører i en aktiv landbrukskommune på Sørlandet, nemlig Grimstad. Der har vi opplevd at nettopp det å ha et kunnskaps- og kompetansemiljø har gjort at det vokser i landbruket – at man er innovativ og finner nye løsninger, og at de unge velger utdanning for å kunne overta. Ikke bare velger de utdanning for å kunne overta, men når de overtar, er det stadig utvikling av nye måter å utnytte arealene og driften på – og det er fantastisk gøy å se. I vårt område springer nok mye av dette ut av det man fortsatt kaller for forsøksgården, der det er et kompetansemiljø som hele tiden har drevet med utvikling, som har fortsatt å drive med utvikling, og som på grunn av høy kompetanse ikke bare utvikler f.eks. gress og gressproduksjon til landbruket, men som også er en av de store på golfgress. er mange beslektede områder som kommer ut av sånne kunnskapsmiljøer, som gir synergier til landbruket og utviklingen der, men også til andre områder. Jeg tror vi med tanke på utdanningen må være åpen for se på nye muligheter. Vi vet jo at det er folk som vil starte nye linjetilbud, og som vil ta dette inn i sine planer, men som ikke har fått godkjenning. Det er flere videregående skoler som har villet starte opp nye tilbud, som skal legge til rette for tilleggsbruk av landbrukseiendommer, men som så langt ikke har fått støtte til det. Så la jeg merke til at interpellanten nevnte moduler, som man kan ta som påbygging for å kunne gå inn i landbruket etter å ha hatt et annet yrke, eller for å ta tilleggsutdanning. Kanskje kan det også være spennende å tenke moduler andre veien: Hvis man tar en landbruksutdanning, kunne det være moduler som man kunne bygge på for å ha et tilleggsyrke, som man enten kunne drive med inntil man skal gå inn i landbruket – eller ha ved siden av landbruket. Forskningsmiljøer, fleksible løsninger, og det å være villig til å prøve nye utdanningstilbud som kan stimulere, og som kan gi en interesse slik at man kan velge landbruksutdanningene, må være gode løsninger å se på. Jeg vil takke dem som har vært med i debatten, for at de prioriterte å være med i debatten. Jeg synes faktisk det er litt trist – jeg er litt lei meg for – at verken Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti eller Venstre ser på dette som en viktig debatt å delta i. Det synes jeg er leit. Når det er sagt, har jeg lyst til å si til representanten Aasen, som sa at mange vet ikke hvordan bonden jobber: Det har hun helt rett i. Vi vet lite om hva slags kunnskap bonden trenger – og flere bønder spesialiserer seg framover. Det var en av årsakene til at jeg ønsket å ta opp denne debatten, nettopp for at vi skulle ha mulighet til å grave litt dypere ned i hva en bonde faktisk må kunne. Hva slags type utdanning trenger vi å tilrettelegge for? Det påligger oss som utdanningspolitikere at vi faktisk må grave litt lenger ned i materien hvis vi skal greie å lage gode tilbud. Hvis vi skal få til en høyere matproduksjon, som vi har sagt i andre måldokumenter – altså 20 pst. økning må vi vite hva vi driver med. Vi skal ikke bare utnytte jorda, men vi skal gjøre dette på en bærekraftig måte. Da trenger vi både engasjement, vi trenger kunnskap, og vi trenger forskning på toppen. Vi trenger de beste rådgiverne som kan rådgi bøndene til hva slags type kornsorter de skal bruke, hva slags maskiner som passer, osv. Så sier representanten Aasen noe om trender – og jeg tror det er et godt poeng. Det gjør at jeg faktisk har tro på naturbruksskolene framover. For – som representanten sier – det å være bonde er ikke veldig populært, men bønder er populære. Det er også en ting til: Mat er populært. Nå har vi hørt mye i aviser og medier i det siste om denne mathallen her i Oslo – det er oppsiktsvekkende med variasjonen av maten der. Men mat er populært. Det er populært å være en god matlager, og da skal man ha de beste råvarene. Skal man ha de beste råvarene, må man også ha de beste bøndene – som nettopp greier å produsere de beste råvarene. Så sier representanten Harberg at man ikke helt vet hva man kan gjøre. Jo, vi vet en god del om hva vi kan gjøre. Vi har gjort en del allerede. Men årsaken til at jeg tok opp denne interpellasjonen nå, er at vi må komme med innspill til den stortingsmeldinga som skal legges fram. Vi har gjort en del. Vi har i hvert fall gjort to gode grep i ungdomsskolen, mener jeg, som ministeren også har vært inne på. Når det gjelder videregående, kan vi få til mye mer fleksibilitet. Så har vi dette året etterpå, altså påbyggingsåret etter agronomutdanninga, som er etterlyst. Til dette med fagskole: Når det gjelder det ene året med fagskole som man kan ta senere, er det allerede skoler som tilbyr det er det allerede skoler som tilbyr det i dag. Og til dette med voksenagronomutdanning: Det er det ene året som man kan ta.

Jeg takker for at Stortinget har diskutert disse viktige spørsmålene, at interpellanten, Tingelstad Wøien, har gitt oss anledning til det, for nå har det kommet fram interessante synspunkter og noen konkrete forslag og vurderinger som vi kan ta med oss videre når vi skal utarbeide den stortingingsmeldingen som dreier seg om hele grunnopplæringen, veldig mye av perspektivet vil være hvordan dette henger sammen med høyere utdanning. Nå snakker vi om et område, som f.eks. representanten Marianne Aasen var innom, som er i rivende utvikling. Vi vet vi trenger ny kunnskap, vi vet vi trenger oppdatert kunnskap, og vi vet vi trenger en vesentlig kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap for å løse de utfordringene som landbruksnæringen – og produksjonen av mat – står overfor. Jeg deler Anne Tingelstad Wøiens optimisme når det gjelder interessen rundt kortreist mat, kvalitet, og kvalitet når det gjelder dyrehelse. Mange flere er blitt opptatt av at man driver et landbruk som er etisk forsvarlig, der man kan være sikker på, hvis man spiser en god lammestek, at det har vært et lykkelig dyr. Den type kvalitetskrav er folk mer opptatt av nå enn før, og vi kommer til å bli enda mer opptatt av det jo mer kunnskap vi får om det. Så jeg tror at dette er et område som kommer til å ha økende interesse i årene framover, og kompetansen rundt dette er det veldig viktig ta vare på og utvikle videre. Jeg takker for den diskusjonen vi har hatt. Her finnes det mange muligheter både gjennom det videregående skoleløpet og overgangen til høyere utdanning, og det finnes muligheter til å se på ett år innenfor fagskoleutdanningen, som jo vil være aktuelt for mange som har tenkt seg et annet løp, eller som ønsker å kombinere produksjon av mat med et annet yrke.

Høyre ønsker at det skal bli pasientenes helsevesen. Pasientenes valg er nå begrenset av offentlig rasjonering av behandlingstilbudet. Konsekvensene er et mer todelt helsevesen. I nyere tid har tykkelsen på lommeboken eller arbeidsgivers velvilje aldri vært viktigere for hvor raskt en får behandling. Antall pasienter som venter på behandling, har økt med 70 000 under den rød-grønne regjeringen. Ventetiden er i gjennomsnitt rundt 70 dager, men mange pasienter venter betydelig lenger. I 2011 var det over 60 000 fristbrudd – dette er pasienter som har fått en medisinsk fastsatt tidsfrist. Det er verdt å trekke fram at av barn og unge med psykiske lidelser, var det i 2011 14 pst. som ikke fikk hjelp innen den medisinsk fastsatte tidsfristen. Omtrent en halv million pasienter årlig får rett til helsehjelp, men har ikke en så alvorlig lidelse at de får en individuell tidsfrist. Blant disse er det pasienter som venter i over et år på hjelp. Det offentlige helsevesenet kjøper behandling hos private og inngår avtale med private. Men regjeringen Stoltenberg IIs innføring av kravet om at de først skal bruke egen ledig kapasitet, har vært grunnlag for en rasjonering av behandling som går ut over pasientene. Mange pasienter som er henvist til privat utredning og behandling, vil derfor oppleve at ventetiden er tilnærmet lik som i det offentlige. Det er ikke på grunn av at kapasiteten er brukt opp, men fordi behandlingskvoten er brukt opp. Som det står i brevet fra Aleris til en eldre mann i min hjemkommune som har behov for en brokkoperasjon: «De kvotene Aleris sykehus har fått tildelt av Helseregionene tilsier at vi ikke kan vurdere/operere mer enn et gitt antall pasienter pr. år, vi har derfor noe Ventetiden for konsultasjon i dette tilfellet er på 25 uker – eller over et halvt år. Han kan ikke gå tur lenger. Nå er han over 70 år og blir dermed sittende inaktiv i et halvt år for å vente på et helt enkelt inngrep. I den tiden forfaller helsen og egenmestringen fort. Han er pensjonist. Det betyr at han ikke har sykeforsikring hos arbeidsgiver eller en god privatøkonomi. Hvis så var tilfelle, kunne han ha kommet inn på dagen, for ledig kapasitet er det – for dem som har mulighet til å betale selv, eller som har helseforsikring. Derfor har også salget av helseforsikringer skutt i været. Omtrent 330 000 personer har slike forsikringer. Finansdepartementet regner med at dette vil øke til 350 000 til neste år. Men privat helseforsikring er ikke for alle. Helst bør du være i jobb, og skal du kjøpe den selv, må du være ung og frisk. Den største gruppen som tyr til private helsetjenester, er imidlertid dem som betaler rett fra egen lomme. Der er også veksten størst, ifølge tall fra den største private aktøren, Aleris. I 2011 representerte denne gruppen alene en større omsetning enn summen av pasienter som fikk behandling betalt av forsikring eller av det offentlige. Det har nesten vært en dobling av denne typen pasienter siden 2007. har over 500 pasienter selv betalt for å få avklart, på det eneste diagnosesenteret for kreft i Norge, om de har kreft. Etter syv år med rød-grønn helsepolitikk har aldri tykkelsen på lommeboken betydd mer i det norske helsevesenet. Høyre ønsker å ta vare på den verdien at alle har rett til det samme helsetilbudet, uavhengig av økonomi. Det er en viktig del av den nordiske modellen. Da er vi nødt til å ta i bruk nye idéer og bedre løsninger. For hvorfor skal ikke alle som er vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp, ha den samme muligheten som dem som har helseforsikringer, til å velge også de private tilbudene? Medlemskap i folketrygden bør være nok – det offentlige bør betale. Vi må ta i bruk den ledige kapasiteten hos de private for å få ned helsekøene og redusere ventetiden. Da forsvinner behovet for helseforsikringer, og folk kan velge – uavhengig av tykkelsen på lommeboken. Høyre mener selvsagt ikke at pasientene skal få definere sine egne behov for behandling, og at private dermed skal skape et behov gjennom å få pasienten til å føle seg syk. Fastlegen er, og skal være, den første portvakten til spesialisthelsetjenesten. Henvisningen må komme derfra. Vurderingen av henvisningen må skje innenfor de samme rammene som i dag, både når det gjelder prioriteringsforskriften, og hvem som kan vurdere. Men når pasienten er vurdert til å ha behov for nødvendig helsehjelp – gruppe 1 og 2 – må pasienten fritt kunne velge behandling på alle godkjente behandlingsinstitusjoner. Institusjonen må gjøre det innenfor den prisen som er fastsatt av det offentlige. Hverken den enkelte eller samfunnet har noe å spare på at pasienter med å få innfridd en rett det offentlige har gitt dem. Den enkelte mister livskvalitet, samfunnet går glipp av den enkeltes arbeidsinnsats. En har kanskje behov for hjemmehjelp, og helsen svekkes på andre områder – sånn at en blir enda mer hjelpetrengende. For noen måneder siden ringte en fortvilet bestemor meg. Hennes barnebarn på femten år hadde sannsynligvis Asperger – det trodde fastlegen, det trodde foreldrene. For å komme i gang med trening og få de redskapene han hadde behov for – for å håndtere denne diagnosen – måtte han få stilt diagnosen hos en spesialist. Ventetiden i Helse Sør-Øst var et og et halvt år. Når du er femten år og står på terskelen til voksenlivet, er ikke dette en ventetid – det er faktisk selve livet. I Stavanger kunne de få samme tilbudet i løpet av 14 dager – privat. Det Det mangfoldet som fritt behandlingsvalg vil føre til, har kraft til å forandre denne guttens liv. Men jeg er også overbevist om at dette mangfoldet vil ha kraft til å forandre det offentlige helsevesenet. Hadde det vært fritt behandlingsvalg, er jeg helt overbevist om at Helse Sør-Øst ikke hadde hatt halvannet års ventetid for å stille denne typen diagnoser. I hvor mange år lovet ikke de offentlige sykehusene at de skulle få ned køene til behandling av pasienter med hjerteflimmer? Gang på gang var helseministeren i Stortinget og gjentok lovnadene. Men ikke før regjeringen, etter press fra opposisjonen, åpnet opp for at Feiringklinikken kunne etablere et tilbud til disse pasientene, ble det fart på sakene. Det offentlige helsevesenet vil uansett behandle de aller fleste pasientene, de vil ha de mest spennende fagmiljøene og den mest avanserte behandlingen. 80 pst. av pasientene er akutte – de kommer til de offentlige sykehusene. Men fritt behandlingsvalg vil være viktig for å få en rask diagnostisering og for å slippe å vente lenge på enkle inngrep, og vil føre til at de offentlige sykehusene også organiserer sin virksomhet smartere. Men fritt behandlingsvalg vil være aller viktigst for de svakeste pasientene – de kronisk syke, de rusavhengige og de psykisk syke. Det er ikke fritt valg innenfor rehabilitering i dag. Kronikerne må ta til takke med det tilbudet som deres helseforetak tilbyr. Dermed avskjæres pasienter fra å velge rehabiliteringsinstitusjoner som er spesialiserte på akkurat deres lidelse, sånn som MS-pasientene i Helse Nord som ikke får bruke MS-Senteret i Hakadal. Rusavhengige er motivert for behandling, og de har ofte en sterk mening om hvilken behandling de tror på. Mange går faktisk i dag til det skritt å si fra seg sine pasientrettigheter for å vente lenger på en plass på akkurat den institusjonen de tror på, eller de får venner og familie til å betale. I mange bygder samles det inn penger privat for å gi rusavhengige et behandlingstilbud på akkurat den institusjonen som de er motivert for å få behandling på. Med fritt behandlingsvalg hadde de kunnet få behandling der de ønsket, og det offentlige hadde tatt regningen. Jeg er overbevist om at Phoenix Haga hadde kunnet leve godt videre – selv uten avtale med Helse Sør-Øst – innenfor dette systemet. For behovet er der jo – med nærmere 3 000 som står i kø for behandling. Høyre mener at det viktigste er et godt og velfungerende offentlig helsevesen. Vi ønsker ikke å privatisere sykehusene. Men vi tror på å styrke pasientens rettigheter og på å bruke de private til å løse fellesskapets oppgaver. Fritt behandlingsvalg vil sikre det jeg mener er en viktig verdi i den nordiske modellen: lik tilgang til helse – uavhengig av tykkelsen på lommeboken. Skal vi ta vare på den verdien, må vi være åpne for nye idéer og bedre

Jeg vil takke interpellanten for å ta opp denne debatten. Ingen områder i helsepolitikken, tror jeg, viser større forskjell mellom regjeringen og Høyre og Fremskrittspartiet, noe deler av spørsmålet og argumentasjonen viser. Jeg vil være krystallklar innledningsvis – og jeg tror mange er enige om dette, men det er tolkningen som avgjør: Det er demokratiske organer som fortsatt skal styre sykehussektoren i Norge. De siste par årene har vi sett at antall pasienter som behandles ved våre sykehus, har gått kraftig opp, samtidig som ventetiden har gått ned. Sykehusene gjennomfører om lag 1,7 millioner flere utredninger og behandlinger i 2012 enn i 2005. Det interessante for meg, som pasient, er hvor lenge jeg må vente på behandling. Når antallet som venter på behandling går opp, er dette i hovedsak fordi vi er i stand til å hjelpe stadig flere, og flere blir henvist til sykehus. Da blir det en større gruppe som venter på hjelp – som befinner seg på veien mellom fastlegen og behandling. Dette er en god nyhet – at vi kan hjelpe flere, og at flere får hjelp. Det er lengden på ventetiden vi jobber med å få ned – og den går stadig nedover. Jeg vil imøtegå påstanden om at det offentlige i liten grad benytter private tilbud. Det er ikke riktig. Vi kjøper spesialisthelsetjenester for 11 mrd. kr av private, ideelle eller frivillige virksomheter. I spørsmålet til interpellanten etterlyses det samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Det foregår i høy grad. Private avtalespesialister utfører over 2 millioner somatiske konsultasjoner. Om lag 95 pst. av fastlegene er privatpraktiserende. Det avgjørende er at det offentlige har ansvaret for prioriteringene, og at det offentlige kan styre fellesskapets ressurser, for de vil alltid være begrensede. Så vil jeg kort kommentere omfanget av private helseforsikringer som trekkes frem i spørsmålet. av den norske befolkningen har private helseforsikringer. 90 pst. av disse er betalt av arbeidsgiver. Antall nordmenn som på eget grunnlag tegner slike forsikringer, har faktisk gått ned. Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at erstatningsutbetalingene dekker 0,14 pst. av de totale kostnadene til helsetjenester i Norge. Høyre har tidligere gitt skattelettelser for private helseforsikringer. Det må jo bety at partiet ønsker denne utviklingen velkommen. Denne regjeringen opphevet skattelettelsen for private helseforsikringer. Jeg mener at folketrygden er nordmenns beste helseforsikring. Gjennom folketrygden har alle i Norge en likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av sosial bakgrunn og bosted. Det er helt grunnleggende, og her firer vi ikke! De økonomiske forskjellene i Norge er små i internasjonal sammenheng, likevel er det klare sosiale ulikheter i helse. Levealderen i Oslo varierer med ti år mellom bydeler i vest og bydeler i øst. Denne regjeringen ønsker ikke å bidra til en ytterligere eskalering av disse forskjellene. Sykehussektoren i vårt land er nå langt på vei i økonomisk balanse. Det er nesten historisk og gjør at vi kan styre på andre krav, som er nettopp kvalitet, redusert feilbehandling, riktig prioritering og enda kortere ventetider. Det er dette vi må jobbe for. Jeg vil i løpet av kort tid legge fram to stortingsmeldinger som har fokus på dette: kvalitet og pasientsikkerhet i den ene og IKT i helsetjenesten i den andre. Det denne debatten dreier seg om, er hvordan vi kan ha høye ambisjoner og sikre et godt og trygt sykehustilbud til alle i Norge. I et lite land som vårt må vi styre ressursene slik at det helhetlige helsetilbudet blir best mulig. Vi må ha beredskap, utdanning, forskning, spisskompetanse og, ikke minst, evne til å håndtere Vi har et utstrakt samarbeid med private, ideelle og frivillige, men til forskjell fra Høyre og Fremskrittspartiet mener vi at fellesskapet må kunne styre ressursbruken – enten det er Trondheim kommune, som utvikler sitt fastlegetilbud, eller Helse Nord, som planlegger nye sykehus. Jeg ser ingen uvilje i regionene mot å bruke private når det er hensiktsmessig. Regionene gjør kortsiktige kjøp for å håndtere flaskehalser og langsiktige kjøp som en integrert del av tjenesten. Private tilbydere er sentrale innen laboratorie- og røntgentjenester, psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Antall utredninger og behandlinger som staten kjøper hos ideelle virksomheter innen somatikk, har økt med 35 pst. fra 2005 til 2011. Kjøp hos private, kommersielle leverandører har økt med 30 pst. Det er bra, fordi kjøpene er gjort for å dekke et behandlingsbehov. Men jeg vil understreke at kjøp hos private ikke er et mål i seg selv. Det ligger en offentlig prioritering bak. Forskjellen mellom Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden og regjeringen på den andre er om de private skal styre og underlegges de samme prioriteringene som de offentlige sykehusene. Høyres forslag, slik jeg leser det, bryter med grunnverdiene i den norske helsetjenestemodellen. Mens de offentlige sykehusene må prioritere hardt hver eneste dag, vil forslaget til Høyre bety nærmest et frislipp av kommersielle aktører som skal kunne sende regningen til det offentlige. Vi snakker om en offentlig finansiert oppstart av en lang rekke private tilbud. Men det er ikke sånn at slike tilbud bare dukker opp med sine kapasiteter. Pengene og fagfolkene må komme fra et sted, i første omgang fra det offentlige budsjettet – fellesskapets penger. Jeg mener at dette er penger vi heller bør satse for å styrke og videreutvikle det offentlige sykehustilbudet, ikke flytte pengene ut i et kommersielt marked. Erfaringen viser at private, kommersielle sykehus gjennomfører enklere og lønnsomme behandlinger. Over tid vil resultatet være at det offentlige sitter igjen med de omfattende og kompliserte operasjonene og de sammensatte lidelsene – kronikerne. De offentlige sykehusene tappes med et slikt system for ressurser, uten å kunne påvirke tilbudet som ytes. Omsatt i praksis vil forslaget føre til at allerede sårbare små fagmiljøer vil bli oppstykket og svekket. Hva da med akuttberedskapen og opplæringen av nye spesialister? Vi vil se et voksende helsebyråkrati som skal godkjenne, kontrollere betale ut offentlige penger etter stykkpris. Ansvaret for å prioritere flyttes vekk fra demokratiske organer og fagmiljøer og over til såkalt ledig kapasitet i markedet. Forslaget vil også gjøre det langt vanskeligere å styre ressursene etter politiske prioriteringer fra denne sal. Hvordan skal en slik ordning finansieres? Skal den finansieres innenfor en fastsatt ramme i ordinære budsjetter for spesialisthelsetjenesten, og således konkurrere om penger til prioriterte pasientgrupper innen psykiatri eller kreftbehandling? Eller skal ordningen finansieres særskilt på toppen av alminnelige budsjetter, slik som f.eks. Medicare i USA? Jeg oppfatter at representantens forslag vil innebære fri bruk av private tjenester, uten at de sykeste får behandling først, og med påfølgende mangel på kontroll på økonomien. Utredning og behandling av ukompliserte lidelser vil ta en større del av ressursene på bekostning av pasienter med kompliserte problemstillinger. Er ikke representanten Høie bekymret for en slik utvikling? Alle regjeringer i Norge har, så langt, forholdt seg til at vi må ha fordelingskriterier for å sikre at ressursene blir riktig prioritert – innenfor budsjettrammene som Stortinget har vedtatt. Det er vanskelig å se hvordan dette skal skje med Høyres forslag. Jeg mener at forslaget vil øke risikoen for at pasienter utsettes for undersøkelser og behandlinger de egentlig ikke har behov for. En slutt på rasjonering, slik representanten sier, kan gjøre at noen fristes til å gjøre for mye. I en fullstendig urasjonert ordning må staten betale etter regning. For at staten skal ha kontroll med pengene, må det etableres ordninger etter modell av forsikringsbaserte systemer i andre land. Kostnadsvurderinger og oppgjørsordninger øker behandlingskostnadene. Tall fra OECD viser at land med skattebaserte helsesystemer bruker en lavere andel til administrasjon enn land med forsikringsbaserte ordninger. En offentlig finansiert tjeneste skal være bærebjelken i helsetjenesten. De er betalt av oss alle, i en solidarisk ordning. Ressursene samfunnet stiller til rådighet, må til enhver tid styres etter pasientens behov. Vi må sikre at alle får ta del i den medisinsk-teknologiske utviklingen. Nye tilbud skaper ny etterspørsel, og vi må prioritere bruken av penger og personell. Vi må forbedre det faglige samarbeidet mellom offentlige og private virksomheter. Det bør kjøpes hele behandlingsforløp, og vi må unngå at pasienten må gjennom samme undersøkelse flere ganger. Som helseminister har jeg besøkt en rekke sykehus – på linje med presidenten, for øvrig. Jeg har sett hvor hardt de må prioritere hver eneste dag. Jeg mener det sender et underlig signal hvis de må prioritere enda hardere for at private aktører skal kunne sende regning på lavere prioriterte utredninger og behandlinger – og det bare på grunnlag av et behov for helsehjelp. For å oppsummere mener jeg dette forslaget vil føre til oppstykkede fagmiljøer, sentralisering og byråkratisering. Det vil svekke fellesskapsløsningene og demokratiske organers og fagmiljøers innflytelse på helsetjenesten. Det betyr dårligere kvalitet, mindre igjen for skattepengene, mer penger til kommersielle tilbydere og unødvendig helsebyråkrati. Og med et utvidet privat marked med bedre betalte fagmiljøer på plass, da kommer det nye tilbud, da kommer det et nytt press, der det er lommeboka som avgjør. Vi trenger sterke sykehus eid av fellesskapet, som sikrer et godt og likeverdig helsetilbud i dette landet. Tilhengere av et nytt helsemarked – hvor pengene følger pasienter og diagnoser, som i et forsikringsselskap – sier ofte at de vil sette pasienten i sentrum. Men når pengene følger pasienten, settes pengene i større grad i sentrum. Markedet fungerer til mye, men ikke til å styre sykehusene. Jeg er uenig i den analysen som sier at vi styrer mot et klassedelt helsevesen. Tvert imot, Norge har klart å opprettholde et likeverd i tilbud av helsetjenester. Vi behandler rekordmange pasienter, og vi opprettholder den demokratiske evnen til å prioritere på et område der det trolig alltid vil være større etterspørsel enn det vil være tilbud. Og det som undrer meg mest med Høyres forslag, det er som om man argumenterer med at bare man slipper private til, vil etterspørselen en gang bli møtt av et komplett tilbud. Jeg tror dessverre ikke den tilstanden inntreffer på dette området, og derfor er det så viktig å verne om de demokratiske institusjonene.

da Arbeiderpartiet påpekte, med nøyaktig de samme argumentene som Støre bruker i dag: «Flertallet vil spesielt påpeke at en generell og landsdekkende rett til fritt valg av sykehus vil kunne føre til et redusert lokalt helsetjenestetilbud.» Eller som Arbeiderpartiets talsperson Asmund Kristoffersen sa da Høyre kjempet for individuelle medisinske tidsfrister, som Arbeiderpartiet i dag forsvarer: «Det vil over ganske kort tid utarme det helsevesenet som nettopp skal ivareta de pasientgruppene som ikke har så sterke rettigheter i dag.» For hver gang Høyre har fått utvidet den enkelte pasients rettigheter i det norske helsevesen, har Arbeiderpartiet brukt nøyaktig det samme skremselsbildet som de i dag bruker mot fritt sykehusvalg. De tok feil da, og de kommer til å ta feil denne gangen også. Den reduksjonen i ventetid som har vært siden ansvarsreformen i 2001, var fra 2001 til 2005, da Høyre satt i regjering. Så økte den igjen da det kom en rød-grønn regjering. Nå har den riktignok gått tilbake den siste tiden, og er tilbake på det nivået den var da denne regjeringen overtok. Det er faktisk mulig å redusere ventetiden. Det er presidenten et godt eksempel på. På presidentens tid som helseminister ble helsekøene redusert med 70 000 pasienter. Men ingen tror at det ikke i den tiden også kom nye tilbud, så helseministerens tese om at årsaken til at så mange står i kø, er at det er kommet nye tilbud, er en tese som må forkastes hvis ikke helseministeren kan bevise at det er tilfellet. Det er i alle fall andre helseministre som har klart å få til det denne helseministeren og den forrige helseministeren fra Arbeiderpartiet ikke har fått til. Jeg forstår også at helseministeren er nødt til å reise til fantasiens verden for å finne de beste argumentene mot vårt tilbud. Vi har aldri foreslått stykkprisfinansiering, og vi har ikke foreslått forsikringsbaserte løsninger. Tvert imot – jeg var i mitt innlegg veldig tydelig på at det offentlige skal prioritere mellom pasientene etter prioriteringsforskriften, på samme måte som i dag. Det kan bare være én grunn til at helseministeren og Arbeiderpartiet mener at dette vil ha en dramatisk betydning for ressurssituasjonen for helsevesenet. Det må være at de mener at pasienter som det offentlige gir den rette behandlingen, skal måtte vente lenge på behandlingen fordi samfunnet vil spare penger på det. Det har jeg ingen tro på. I så fall gir denne regjeringen flere rett til behandling enn de har tenkt å innfri, og det er ganske alvorlig. Da er taletiden ute. Selv om presidenten føler seg smigret av enkelte ting som ble sagt, må han holde taletiden. Nå har kanskje representanten Høie lengre fartstid i politikken enn jeg, men så vidt jeg husker, var det Stoltenberg I-regjeringen som innførte fritt sykehusvalg, og som brakte det fram til vedtak i denne sal. Og det mener jeg har tjent landet godt. Når det gjelder pasientrettigheter, har vi nå på høring et forslag som skal rydde opp og gi veldig klare rettigheter til pasientene. Enten har pasientene en rettighet, eller så har de ikke en rettighet, og da har de heller ikke behov. Med Høyres forslag vil det bety at hvis man har fått fastlagt en rettighet, kan man gå rett ut i et fritt sykehusvalg på det nærmeste private stedet, få tjenesten og få utgiftene refundert av det offentlige. Vi har også foreslått at hvis det innen utgangen av fristen ser ut til at fristen ikke blir holdt, har Helfo et ansvar for å sikre at man får et tilbud, enten det er privat eller offentlig, innenfor rammen av fritt sykehusvalg. Så påstanden om at vi ikke legger vekt på pasientenes rettigheter, er ikke riktig. Det er det vi arbeider for hele tiden. Det er ikke systemet først, det er pasienten først. Men da må jo systemet virke slik at det kommer til pasientens interesse. Det er også sånn at ventetidene går tilbake. Representanten Høie bruker konsekvent argumentet at det er 70 000 flere i kø siden 2005. Jeg sier ikke at det er et irrelevant argument, men det er et mangelfullt resonnement, for en er nødt til å se på hvor mange som blir behandlet, og hvor lenge de venter på behandlingen. Ser man på forholdet mellom dem som venter, og behandlingstiden, går den samlede behandlingstiden ned. Det er 1,7 millioner flere behandlinger i norsk helsevesen i dag enn i 2005. Det perspektivet må tas med. Jeg har ikke behov for å kalle representanten Høies forslag for noe som tilhører fantasiens verden. Jeg beskriver et helsevesen som tilhører virkelighetens verden, og som leverer tjenester i verdensklasse. Jeg mener også at i representantens spørsmål etterlyses det samarbeid mellom de private ideelle og det offentlige. Det er denne regjeringen veldig for. Jeg mener at med godt samarbeid får man vekk flaskehalser, man kan rydde opp, og man kan sikre langsiktige pasientforløp. Men det er grunn til på vegne av styring i denne sektoren å si følgende: Forslaget til representanten Høie etterlater, som jeg sa i mitt innlegg, det inntrykk at bare man bruker den såkalte ledige kapasiteten i privat kommersiell sektor, vil køene og ventetidene forsvinne. Det tror jeg er en illusjon i denne sektoren, med de behovene som ligger der. Og, som jeg sa: Dette er ikke en kapasitet som bare er der ubrukt, den kommer fra et sted. I representantens egen region, Stavanger, møtte jeg plastikkirurgene på sykehuset. Det er to på sykehuset, det er flere ute i det private. Det viser hvor sårbart det offentlige helsevesenet er for private tilbud, som lokker viktig fagpersonell ut. Det er vi ikke tjent med. Jeg har mange ganger de siste årene undret meg over hvorfor representanten Høie har et så sterkt behov for å krisemaksimere resultatene man faktisk har i helsevesenet. Langt de fleste riksmedieoppslag på helsefeltet med representanten Høie de siste to årene har vært krass kritikk, enten i forbindelse med enkeltepisoder, omstillinger eller sågar hjemmebesøk hos dødssyk pasient, med tv på slep. Man vil alltid finne enkeltepisoder som er svært pasienter eller ansatte som er bekymret i forbindelse med omstilling. Men når fokuset bare blir det, blir bildet man tegner, veldig skjevt. Jeg mener formen og krisemaksimeringen Høyre nå bruker for å svartmale helsevesenet, er under enhver kritikk, men jeg skjønner nå hvorfor. Høyre må skape seg en politisk bunnplanke for å lansere sine egne radikale endringer, og Høyres nye helsepolitikk betyr definitivt store endringer hvis de blir gjennomført. Derfor gleder jeg meg også til valgkampen. Når man ser så tydelige forskjeller i politikken mellom oss og deler av opposisjonen, snakker vi om et tydelig retningsvalg man skal ta høsten 2013. Høyre er stadig forarget på regjeringen for at flere bruker private helseforsikringer – grunnen er granngivelig folks misnøye. Men en undersøkelse som ble lagt fram på Spekter denne uken, slo fast at de aller fleste som har fått behandling i norsk helsevesen, er fornøyd. At regjeringens politikk fører til et klassedelt samfunn, er en Vi setter pris på engasjementet fra Høyre om klassedeling, men vi tror ikke på dem. Helseministeren sa i sitt innlegg at i Norge utgjør helsetjenester betalt av forsikringer kun 0,14 pst. målt i kroner. Det kan neppe kalles klassedeling. Folketrygden er, og skal være, den beste forsikringen folk i Norge trenger. Vi trenger ikke en helsetjeneste der innbyggerne kan supplere tilbudet med lommeboka si. Jeg er redd for at Høyre med sin retorikk bidrar til å skape et feilaktig inntrykk, at helsetjenesten ikke fungerer, til tross for at vi har en helsetjeneste som er trygg og leverer i verdenstoppen. Høyre snakker om rasjonering av helsetjenester som om vi befinner oss på 1950-tallet. Jeg vil bare understreke at vi har en fri og gratis helsetjeneste til absolutt alle innbyggerne i dette landet, og de tjenestene er i stadig utvikling til Høyre vil gi fritt behandlingsvalg til alle, betalt av felleskassa, helt uten det de kaller rasjonering. Min konklusjon når det gjelder deres bruk av begrepet rasjonering må være at de skal ha et uprioritert helsevesen, hvor det offentlige ikke lenger foretar en avveiing av hvilke pasienter som faktisk trenger hjelp først, og det i et system hvor det ikke eksisterer ubegrensede ressurser økonomisk, siden alle med en eller annen diagnose – farlig eller ufarlig – utløser Dette er oppsiktsvekkende. Høyre ønsker altså, om de skulle komme i posisjon, med åpne øyne å gi fra seg muligheten til økonomisk kontroll over helsetjenestene. De ønsker å overdra prioriteringen til et privatkommersielt marked, der prinsippet er: Alle skal få som de ønsker. I tillegg gir Høyre med dette fra seg muligheten til å styrke fagutviklingen i den offentlige helsetjenesten. Konsekvensen vil være at ressurser – faglige og økonomiske – dras ut av det offentlige for å bygge opp de kommersielle. Det er pengene, ikke pasientene, som settes i høysetet. Slik skal vi ikke ha det. Vi skal styrke og videreutvikle fellesskapets sykehustilbud ytterligere, ikke svekke det til fordel for privat og kommersielt marked. Høyre har sagt at de vil legge ned de regionale helseforetakene. Sist mandag la Spekter fram resultater etter ti år med regional styring. Hovedkonklusjonen er at sykehusene og regionene leverer svært gode resultater, både på behandling, økonomi og regional helhetlig planlegging, og at vi med dette har gått fra å være middels på overlevelse med alvorlig sykdom til å bli blant de beste i verden. Høyre hevder retorisk at de har de nye og de beste løsningene, men mange av deres forslag er prøvd før i andre land – uten nevneverdig hell. Man kan si at det er gamle og dårlige løsninger man nå foreslår. Den eneste logiske forklaringen på forslagene fra Høyre og deres retorikk rundt disse spørsmålene er at de vil danne politisk grobunn for en storstilt privatisering av vår egen velfungerende helsetjeneste. Sykehusene – med de ansatte – trenger ikke nye, store omorganiseringer nå. De skal fortsette å skape resultater for pasientene. Samfunnet trenger en helsetjeneste som er i stand til å prioritere de riktige pasientene til riktig tid. Det er det først og fremst en offentlig helsetjeneste som kan klare. Vi skal styrke og forbedre, ikke dele opp og svekke helsetjenesten. Jeg mener Høyre med dette forslaget er på ville veier, og jeg mener inderlig og sterkt at pasientene og nasjonen ikke trenger Høyres Jeg skal begynne med å takke interpellanten for å ha tatt opp disse spørsmålene i sin interpellasjon og også gi uttrykk for at heller ikke jeg kjenner meg igjen i tolkningen til statsråden og enda mindre i tolkningen til representanten Breen, som akkurat var på talerstolen. Jeg skal ikke kalle det fantasi, men at deres tolkning av dette forslaget og vår politikk ikke stemmer overens med vår egen, tror jeg man må leve med. Bakgrunnen for interpellasjonen – sett med Fremskrittspartiets øyne – har med det kraftige misforholdet mellom økte ventelister, lengre ventetider og et inntrykk av en motstand mot private løsninger å gjøre. Jeg vet at det offentlige bestiller private og ideelle tjenester for ca. 11 mrd. kr hvert år. Det er viktig at vi hver gang vi diskuterer dette, også slår fast at veldig, veldig mye er bra i norsk helsevesen, og at de som jobber i helsevesenet, gjør en kjempejobb hver eneste dag. Det ser ut som at ventelistene går noe ned, og det ser også ut som at ventetidene går ned på noen diagnoser. Det er riktig som statsråden sier, at vi behandler 1,7 millioner flere i norsk helsevesen, men vi er også flere mennesker, folk lever lenger, og det er flere diagnoser. Jeg tror det vi alle må gjøre, er å erkjenne at vi som er opptatt av å gjøre norsk helsevesen bedre, er ikke bare opptatt av å svartmale, men vi er nødt å se på det som ikke fungerer, for å gjøre noe av det bedre. Da må man se på kø og ventetider, og da kan dette med fritt behandlingsvalg være én løsning blant flere som kan bidra til dette. Vi bør alle kunne være enige om at private løsninger i norsk helsevesen finansiert av det offentlige er et helt nødvendig supplement, og at uten dette hadde norsk helsevesen vært enda verre stilt. Jeg håper at vi i denne sal kan være enige om at det private supplementet også må bli benyttet om vi skal få helsekøer og ventetider ned. Helsestatsråden skrev på sin Facebook-side i dag at han gledet seg til debatten. Der kommer han med noen typiske debatteknikker – som jeg også opplevde han gjorde her i dag – med påstander om at interpellanten, eller vi i opposisjonen, for den saks skyld, mener noe vi ikke mener, for deretter å argumentere mot det. For eksempel slår han fast at Arbeiderpartiet mener at det offentlige må ha ansvaret for å prioritere pengene til sykehus, og at det er det beste for å sikre et likeverdig tilbud til pasienter i hele landet som om opposisjonen skulle være uenig i dette. Det er og har alltid vært et ståsted for alle politiske partier i denne sal at det er et offentlig ansvar å finansiere et fullverdig helsetilbud i Norge, og at alle skal sikres et godt, likeverdig tilbud uansett hvor de bor, sosial status,